mai. Flertallet er Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, mens Høyre og Fremskrittspartiet støtter forslaget om å avvikle fylkeskommunen – ikke veldig overraskende når begge partier har programfestet dette og har det som et mål. Det jeg føler er hovedutfordringen for fylkeskommunen framover, så lenge den eksisterer, er å få så lenge den eksisterer, er å få bevist at fylkeskommunen faktisk bidrar til et styrket lokaldemokrati. Noen var litt inne på det i debatten om kommuneproposisjonen. Jeg mener at regionreformen, som jo var blåst opp på forhånd, og som ble mye mindre enn det en hadde tenkt, ikke har gitt fylkeskommunene noen økt status i befolkningen. befolkningen. Valgdeltakelsen ved lokalvalg er dessverre veldig lav, og den er enda lavere ved fylkestingsvalg enn ved kommunevalg. Fylkeskommunen skaper i veldig liten grad – i hvert fall i store deler av landet – lokalpolitisk engasjement. I sitt svarbrev til komiteen sier statsråd Liv Signe Navarsete: «Eit levande og desentralisert demokrati med brei deltaking er grunnleggjande for å kunna møta samfunnsutfordringane på ein god måte.» Ja, det er representantene fra både Høyre og Fremskrittspartiet helt enig i. Problemet er at fylkeskommunen ikke bidrar til dette. Det er primærkommunene som bidrar til et levende og desentralisert demokrati med bred deltakelse. Jeg mener derfor at fylkeskommunen bør nedlegges, og at oppgavene fordeles mellom stat og kommune. Fylkestingsvalget høsten 2011 bør være det siste, og ved valget i 2015 bør avviklingen av det tredje forvaltningsnivået være et faktum. Fremskrittspartiet og Høyre fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag for å igangsette arbeidet med å avvikle fylkeskommunen som selvstendig folkevalgt forvaltningsnivå, slik at fylkestingsvalget i 2011 blir det aller siste.» Med det har jeg tatt opp det forslaget jeg refererte. Da har representanten Trond Helleland tatt opp det forslaget som han refererte. Det er vel kjent for mest alle at vi i Framstegspartiet lenge har

Før denne saka vart behandla i Stortinget i 2007, hadde regjeringa store vyar om ei regional framtid. Som dei fleste hugsar, enda dette med eit drabeleg mageplask for regjeringa. Det vart inga stor endring på regionane. Stort sett stod ein igjen med at regjeringa overførte svært dårlege vegar som staten hadde ansvaret for, til

som krev lokalt politisk skjønn, tilpassing og prioritering. Befolkninga vil då erfare konsekvensane av politikken og gjennom val kunne øve nær innflytelse. Framstegspartiet vil likevel påpeike at dagens offentlege utfordringar medfører at ein snarast må vurdere om dagens kommunestruktur er robust nok til å løyse desse utfordringane på ein tilfredsstillande Eg vil i denne samanhengen nøye meg med å nemne Samhandlingsreforma, som Stortinget vedtok for få dagar sidan. Eg er redd for at ein om kort tid vil oppleve eit ras av interkommunale samarbeidsselskap rundt om i heile landet. Etter mitt skjønn er dette lite ønskjeleg, og demokratiet er den tapande parten. Framstegspartiet er av den oppfatninga at kommunane si rolle som samfunnsutviklar må styrkjast, slik at kommunane kan utnytte handlingsrommet for lokal utvikling og verdiskaping. Etter at helsereforma kom i 1999, har ikkje fylka hatt oppgåver som etter vårt syn kan rettferdiggjere dette mellomnivået. Fylkeskommunane sin styrke etter 2002 har vore som eigar og drivar av vidaregåande opplæring. Det er etter vårt syn ikkje ei oppgåve som er tilstrekkeleg til å oppretthalde eit direkte Etter Framstegspartiet sitt syn kan det vere fleire måtar å organisere vidaregåande opplæring på, anten ved å overføre dei vidaregåande skulane til primærkommunane eller ved at dei vert skilde ut som sjølvstendige stiftelsar med eigne driftsstyre. Framstegspartiet er oppteke av at kommunane skal sleppe til stadigheit å oppleve at lokale demokratiske vedtak vert overprøvde av fylkesmannen. Kommunane må ha anledning til å bruke eit skjønn som sjølvsagt skal liggje innanfor rammene av lova. Framstegspartiet er oppteke av at kommunane i størst mogleg grad skal kunne bestemme over korleis areala i kommunane skal forvaltast. Dette inkluderer politikk som gjeld strandsone, vindmøller, nasjonalparkar, sjøareal og verneområde. Ein kan nesten påstå at einaste argument for å behalde fylkeskommunen er å behalde eit

Måten enkeltrepresentanter fra disse partiene til stadighet omtaler fylkeskommunen og fylkespolitikerne på, provoserer meg kraftig. Én ting er å mene at forvaltningsnivået må avvikles, men så lenge det ikke har skjedd, vil jeg minne om at fylkeskommunene tross alt har en viktig rolle og utfører viktige oppgaver. Det fortjener både de ansatte og politikerne i fylkeskommunene ros for. Å omtale fylkeskommunen som noe som gjør at vi får mer byråkrati i Norge, må være å snakke mot bedre vitende. Om vi legger ned fylkeskommunen, må likevel noen utføre de oppgavene fylkeskommunene har i dag. Og disse «noen» er de ansatte. Det blir ikke færre ansatte i offentlig sektor av å flytte oppgavene til andre forvaltningsnivå. De får bare andre arbeidsgivere. De aller fleste ansatte i fylkeskommunene er faktisk lærere i videregående skole eller ansatte i tannhelsetjenesten. Fylkeskommunene er både politiske institusjoner og

representerer. Dette er for det første oppgaver som angår eller har virkning for et større område enn den enkelte kommune, og som derfor trenger kommuneoverskridende løsninger. For det andre er det oppgaver som av hensyn til stordriftsfordeler løses best med et større befolkningsgrunnlag enn det de fleste kommunene har. Og for det tredje er det oppgaver som krever mer ressurser i form av økonomi og spesialisert kompetanse enn hva den enkelte kommune har til rådighet. Det er behov for et folkevalgt regionalt nivå for å løse mange av disse oppgavene. Fremskrittspartiet er redd for et ras av interkommunale samarbeidsløsninger, hørte jeg nettopp. Da er det i hvert fall ikke logisk å foreslå å legge ned fylkeskommunen. Fylkeskommunene gjør en viktig jobb. De er viktige regionale motorer for regional utvikling. Fylkeskommunene er ikke men fyller en viktig rolle ved å dyrke fram regional samhandling, styrke regionale fortrinn og derigjennom bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i regionene. Det er viktig med et politisk valgt regionalt nivå som tar denne rollen, for det er bare politikere som vil ha den legitimiteten som kreves for å kunne gå inn og ta på seg ledertrøyen i sånne prosesser regionalt. regionalt. For ikke lenge siden stod jeg faktisk på denne talerstolen og skrøt av fylkeskommunene for måten de har løst de nye oppgavene de fikk i forbindelse med forvaltningsreformen på. Dette viser at fylkeskommunene er godt egnet til å få nye oppgaver. Jeg mener at vi heller burde diskutere å gi fylkeskommunene flere oppgaver enn å diskutere å legge dem ned. Helt til slutt vil jeg si følgende: Det blir mindre, ikke mer lokaldemokrati Alle disse oppgavene som må ses i et større perspektiv enn kommunenivå, kan ikke overføres til kommunene. Å legge ned fylkeskommunen vil i realiteten bety at oppgaver vil bli overført fra et regionalt folkevalgt nivå til den regionale statsforvaltning. Det blir det ikke mye lokaldemokrati av. Det kan man ikke påstå styrker lokaldemokratiet. Dette er jo et rituelt forslag som forslagsstillerne ikke kan ha noen illusjoner om å få gjennom i denne salen, fordi det er

over at med Høyre og Fremskrittspartiet ved roret ville man fått det nedlagt – fått mindre lokaldemokrati, ikke mer lokaldemokrati. Fremskrittspartiet, som jo i sin tid ble startet som et parti – eller som en bevegelse – for sterk nedsetting av statlige skatter og avgifter, framstår i dag som den varmeste forsvarer av en sterk stat, som den varmeste forsvarer av en sterk stat, som skal styre over lokaldemokratiet både på fylkesnivå og lokalt. Som Åge Starheim sier, skal kommunene sitte igjen og bestemme over arealpolitikken og det som ligger ellers, altså det som handler om å drifte skoler, som de ønsker full kommersialisering av og frislipp når det gjelder å slippe til kommersielle aktører, og som dermed ikke lenger skal være en kommunal oppgave å drive. Det samme gjelder for eldreomsorg, der de skal ha et svært statlig byråkrati som skal bestemme hvem det er som skal ha behov for tjenester, istedenfor sånn som det er i dag, der en har et lokaldemokrati som gjør dette på nærmest mulige nivå, der mennesker kan ha kontakt med sine nærmeste lokalpolitikere hvis de mener det er noe som er riktig galt, og der en også har ankemuligheter til statens representanter for fylkesmannen hvis det går så galt. Så dette er antidemokrati, etter min oppfatning, og et skudd for baugen for det som er vår viktigste demokratilovgivning

tror mange vil si andre positive ting, og vil trekke fram andre sider ved den, men det er jo ingen som mener at det blir mer lokaldemokrati og mer styring og større forståelse lokalt blant folk, ved at man statliggjorde hele helsesektoren. Det tror jeg ikke noen vil påstå. Vi har tilsvarende innenfor andre etater, hvor man har vært underlagt demokratisk kontroll på fylkesnivå eller kommunalt nivå, og så har staten overtatt. Der har man sett mer anbudsutsetting og har i mindre grad tatt hensyn til lokalt næringsliv, lokal langsiktighet for folk som er frivillige, og som driver frivillige organisasjoner og annet, og hvor du i mindre grad tatt hensyn til lokalt næringsliv, lokal langsiktighet for folk som er frivillige, og som driver frivillige organisasjoner og annet, og hvor du i større grad har kortsiktige statlige etater som driver på en helt annen måte. Jeg skal ikke si mer om dette. SV er for fylkeskommunen. Vi mener det funker bra. Vi ønsker å overføre flere oppgaver til fylkeskommunen og til kommunene rundt omkring i landet. Vi er positive til de samarbeidene som foregår rundt omkring. Vi støtter opp under den prosessen som skjer i Agder, og som blir spennende. Der har SV-lagene både i øst og vest gått sammen og sagt at de ønsker ett Agder. Det blir spennende å se på folkeavstemningen der og den levende debatten som komiteen hadde mulighet til å ta del i da vi var der nede. Det er folk som skal bestemme dette på en ordentlig måte. Mer er det strengt tatt ikke å si i denne saken.

mulig, og ønsker derfor å avvikle fylkeskommunen som et selvstendig folkevalgt forvaltningsnivå. Første del er Senterpartiet helt enig i. Oppgaveløsning så nærme brukeren som mulig er en av våre hjertesaker. Samhandlingsreformen er nettopp en slik politikk i praksis. At avvikling av fylkeskommunen vil bidra til å desentralisere makt, er jeg imidlertid helt uenig i. Det vil selvsagt virke tvert imot. Forslagsstillerne legger til grunn en storstilt kommunesammenslåing, slik at de nye storkommunene kan overta oppgavene som i dag ligger til fylkeskommunen. Det blir poengtert at kommunesammenslåinger skal være frivillig, samtidig som overføringene til kommunene skal vris i en retning som straffer kommuner som ikke ønsker å bli en del av en slik storkommune. Dette er det jeg vil kalle for frivillig tvang. Så lenge økonomiske incitamenter vil gjøre det umulig for mindre kommuner å bestå som selvstendige kommuner, kan vi ikke snakke om frivillighet. Jeg har ikke noe imot kommunesammenslåing, men det må komme som et lokalt initiativ og som resultat av reell frivillighet. Erfaringer fra Danmark viser at det langt fra er sikkert at man sparer penger på å konstruere større kommuner, heller tvert imot. Jeg tror vi ville gjort oss de samme erfaringene her. Staten dekker i dag alle engangskostnader ved kommunesammenslåing. Kommuneproposisjonen som vi nettopp har behandlet, foreslår å utvide perioden for inndelingstilskudd fra 15 til 20 år. Det er derfor ingen økonomiske hindringer for at kommuner i dag kan velge å slå seg sammen hvis de ønsker det. Senterpartiet mener det er behov for et sterkt folkevalgt regionalt nivå, i tillegg til kommune og stat. Flere store velferdsoppgaver løses best på regionalt nivå, f.eks. tannhelsetjenesten og videregående opplæring. Store deler av riksveinettet har nå blitt overført til fylkeskommunene, og vi i Senterpartiet håper at vi også i framtiden kan overføre flere oppgaver til fylkeskommunen. Vi har et tilretteleggingsansvar for verdiskaping også i distriktene, og det krever en politikk med ulike løsninger for ulike næringer og ulike løsninger for ulike regioner. Bærekraftig utvikling, god næringsutvikling, demokrati, god planlegging og klok arealbruk løses best med en god lokalkunnskap og regional samhandling og styring. Da er et sterkt regionalt nivå, en sterk fylkeskommune,

Kommuner og fylkeskommuner er førstelinjetjeneste med tanke på tilrettelegging for næringsliv og samfunnsutvikling. Å møte samfunnsutfordringene på best mulig måte krever et levende og desentralisert demokrati. Jeg ser i statsrådens brev til komiteen at regjeringen er opptatt av å legge til rette for et levende folkestyre lokalt og regionalt med folkevalgte som utnytter lokale og regionale fortrinn til beste for innbyggerne, næringslivet og samfunnet for øvrig. Av den grunn ønsker man å opprettholde tre forvaltningsnivåer i Norge. Kristelig Folkeparti deler statsrådens syn og kommer derfor ikke til å støtte Fremskrittspartiet og Høyres forslag i denne saken. Allikevel må det sies at for at ikke fylkeskommunen skal forvitre og nærmest råtne på rot, er det viktig at dette forvaltningsnivået har oppgaver og ansvar som forsvarer dette nivået. Jeg deler forslagsstillernes oppfatning av at regionreformen ble en svært så amputert utgave av en reform. Kristelig Folkeparti ønsket også større og mer slagkraftige regioner fylkeskommuner. Forvaltningsreformens kanskje største gavepakke til fylkeskommunene var mange mil med dårlig vedlikeholdte riksveier – og tusen takk for det! Jeg vet at dette er snøen som falt i fjor, men vi må hele tiden vurdere hvilke oppgaver som er hensiktsmessige, og hvilken ansvarsfordeling det skal være mellom de ulike forvaltningsnivåene i Norge.

Frivilligheten må legges til grunn for kommunesammenslåing. For kommuner med stor geografisk utstrekning og spredt bosetting eller perifer beliggenhet kan det være lite å hente på sammenslåing med andre. Derfor er det lite konstruktivt kun å telle hoder og nærmest lage en mal på hvor mange innbyggere en kommune bør ha for å være hensiktsmessig. Men jeg har lyst til å presisere at også slike kommuner med store smådriftsulemper må sikres økonomisk grunnlag for å gi befolkningen likeverdige tjenestetilbud. Så må vi også ta med oss at flere undersøkelser har vist at folk i små kommuner er vel så tilfreds med tjenestetilbudet som i større kommuner. Noen undersøkelser viser faktisk også at befolkningen i små kommuner er mer fornøyd.

– det å ha regionalt folkevalde som kjenner sitt område, som evnar å sjå sektorar i samanheng, som evnar å sjå utviklingstrekk og utviklingsmoglegheiter på tvers av sektorar, på tvers av kommunar og faktisk på tvers av som Vestlandsrådet og andre samarbeidsråd mellom fylke som er viktige. For eksempel er Vestlandsrådet veldig viktig for å få til ein ferjefri E39. Utan det samarbeidet mellom fylke som såg dei regionale fortrinna med å få ein ferjefri E39 på plass, hadde neppe den saka stått så høgt på dagsordenen som ho gjer i dag – berre for å nemne eit lite eksempel. Eg har sjølv ti år bak meg som fylkespolitikar. Det var ti lærerike år. Eg har òg vore mange år i lokalpolitikken. Det er ein god basis å ha med seg for ein statsråd i Kommunal- og regionaldepartementet. Men det er likevel ikkje derfor eg er oppteken av å sikre at me skal behalde fylkeskommunen. Det eg lærde som fylkespolitikar, fylkespolitikar, var at fylkeskommunen, dei regionale politikarane, har moglegheiter, at dei er viktige for folk, at dei er viktige for kommunane, og at dei sannsynlegvis er viktigare i område der ein ikkje har dei store tyngdepunkta, som Bergen, Trondheim, Kristiansand og Oslo – ja, Oslo er jo sjølv ein fylkeskommune og kommune – for å nemne nokre. Me ser òg at fylkeskommunen står sterkare i dei delar av landet som at fylkeskommunen står sterkare i dei delar av landet som kanskje ikkje har ein stor by, der det kan sjå ut som om det er ei viss tevling om kompetanse og det å ha eigarskap til utviklingsoppgåva. Samarbeid er eit viktig stikkord knytt til fylkeskommunen. fylkeskommunen. Det å ha fylkespolitikarar og fylkesordførarar som evnar å byggje relasjonar, evnar å samarbeide med næringslivet, evnar å samarbeide med frivillige organisasjonar, evnar å sjå gode løysingar for samferdsle, næringsutvikling og velferdsutvikling på tvers av sektorar, er heile ideen bak at eg er oppteken av at fylkeskommunane skal ha ein plass i det norske forvaltningssystemet. forvaltningssystemet. Eg høyrer at fleire seier at regionreforma ikkje var omfattande nok. Men det var ei demokratireform. Regionane fekk frå 1. januar 2010 ansvar for fleire nye oppgåver og fleire verkemiddel til å nå dei måla som det enkelte fylket set seg. Dei har ansvar for samfunnsutviklinga regionalt. Dei har vorte styrkte som demokratiske aktørar. aktørar. Bakgrunnen var jo nettopp å styrkje fylkeskommunen i rolla som regional utviklingsaktør. Derfor var samferdsle, forsking, innovasjon, miljøvern, planlegging og landbruk viktige oppgåver å leggje til fylkeskommunen. Det at ein kan sjå dette i samanheng, at ein kan sjå det på tvers, at ein kan finne dei gode løysingane utan å verte så sektororganisert og -orientert – som eg kjem til å drøfte i den stortingsmeldinga som Stortinget skal få om stat og kommune – som me ser at enkelte statlege sektorar har utvikla seg til å verte, er ein stor styrke for samfunnsutviklinga i dette landet. Det er ein stor styrke å ha regionale politikarar som evnar å kjenne sitt omland på ein heilt annan måte enn ein kan når ein sit i nasjonalforsamlinga, utan på nokon måte å deskreditere nokon her, for her er det folk som jobbar godt for sine fylke. Men her sit ein med heile landet som arena. I ein fylkeskommune sit ein med eit meir avgrensa område. Ein har heilt andre moglegheiter til å utvikle lokalkunnskap, til å spele på lag med dei lokale aktørane, ikkje minst når det gjeld næringsutvikling, skape arbeidsplassar, skape vekst, innovasjon, dyrke gründarane, sjå vidaregåande utdanning i samanheng, ha godt med høgare utdanning, utvikle samarbeid på tvers av nivå og sektorar. Så fylkeskommunen har ein viktig plass i det norske demokratiske systemet. Det blir åpnet for replikkordskifte. I brevet frå statsråden står det m.a.: «Eit levande og desentraliserte demokrati med brei deltaking er

Mi erfaring ute blant folk flest er at det er få som er opptekne av fylkeskommunen. Når eg spør folk om dei kan hugse når dei sist var i kontakt med fylkeskommunale organ, er det veldig få som i det heile har vore i kontakt med fylkeskommunale organ. Vi registrerer også at oppslutninga om fylkestingsvalet fylkestingsvalet ikkje har vore særleg bra. Eg har då vanskeleg for å tru at dette vil betre seg i framtida, og meiner at vi kan klare oss utan dette nivået. Er statsråden ueinig i det?

forskingsinstitusjonar, med å byggje innovative, gode miljø for å skape vekst og utvikling. Det er den viktige rolla. Den rolla har m.a. fylkesordførar Nils R. Sandal i vårt heimfylke teke. Det er viktig det ein har fått til i Florø knytt til oljebasen. Det er viktig det ein har fått til på vidaregåande skule. Me har bygt nye, framtidsretta skular. Mange foreldre og elevar er glade for at dei har

som skulle bidra til oljeutvinning på Vestlandet, som skulle sørge for at E39, kyststamveien, skulle realiseres, osv. Det er vel kanskje det innbyggerne har sett, fordi valgdeltakelsen, som var 70,3 pst. – som ikke er spesielt høyt – da fylkeskommunen kom i 1975, har gått jevnt og trutt nedover. Ok, nå hadde man en liten oppgang sist gang, men deltakelsen er altså nede på på 57,5 pst. Hvor langt ned må valgdeltakelsen ved fylkestingsvalget gå før statsråden blir bekymret og ser på dette som et organ som har liten legitimitet hos befolkningen? Statsråden er oppteken av valdeltaking, knytt til både fylkestingsval og kommuneval – og òg til stortingsval. Det å få folk opp av sofaen og ut og Det å få folk opp av sofaen og ut og stemme er viktig. Og det er viktig at folk då ser kva viktig rolle f.eks. fylkeskommunen har nettopp til å vere døropnar og å vere på lag med kommunane når dei skal møte ulike delar av det statlege forvaltningsapparatet, for det er av og til krevjande for både større og mindre kommunar. Det er bra å ha ein fylkesordførar med seg når ein kjem i delegasjonar inn til storting og regjering. Så det er òg ein viktig bit av fylkeskommunens rolle, for det er ein viktig bit av utviklingsrolla å byggje sitt fylke og sin del av landet. Men valdeltakinga må fyrst og fremst stimulerast gjennom at me som rikspolitikarar er med og lyfter fram dei lokale og regionale politikarane i samband med val,

norske regionar sine tette, konstruktive og framtidsretta samarbeid med andre europeiske regionar. Det handlar om ei rik kulturell utveksling, og ikkje minst handlar det om erfaringsoverføring og gjensidig stimulering til alt utviklingsarbeid. Me snakkar altså om ein fleiretusenårig samarbeidstradisjon som skapar kulturelt mangfald og utvikling, og ikkje minst utviklar næringslivet vårt, som i neste omgang legg grunnlaget for verdiskaping og arbeidsplassar i heile landet. Me vestlendingar og resten av Kyst-Noreg har i alle desse tusenvis av åra vore bevisste på at vekstimpulsane og vekstpotensialet finn me i det store utlandet. Og då er eg komen til mitt hovudpoeng. Dette arbeidet blir i dag leidd av fylkeskommunane, i tett dialog med næringslivet vårt. Fylkeskommunane våre har – for å bruka det uttrykket – den regionale kompetansen. Det betyr at dei sit tett på det lokale og regionale næringslivet, og kjenner utfordringane og ikkje minst moglegheitene som ligg lokalt og regionalt. Det er viktig å vera bevisst på at i denne samanhengen er Noreg ikkje spesielt homogent. Ja, eg vil våga den påstanden at Noreg er eit av dei minst homogene landa i Europa. Det som er godt utviklingsarbeid i Østfold og i Akershus, er noko anna enn kva som er fokuset i innlandet. Sørlandet har sine utfordringar og moglegheiter, medan Vestlandet, også kalla for gullkysten – som alle veit – har sine moglegheiter. Og slik kan me gå heile kysten rundt. Såleis er det avgjerande viktig at me har eit regionalt system for analyse, for utarbeiding av lokale og regionale strategiar og for gjennomføring av utviklingsarbeidet som saman med næringslivet syter for næringsutvikling og verdiskaping, til glede for heile nasjonen. Det er dette systemet og dette verdifulle samarbeidet for verdiskaping no forslagsstillarane med lite heltemodig innsats vil nulla ut og antakeleg overføra til eit statleg byråkrati. Det fell slik sett inn i tradisjonen der høgresida meiner at næringsutvikling og jobbskaping er utelukkande ei sak for næringslivet og enkeltbedrifter. Det er me i Arbeidarpartiet naturlegvis djupt ueinige i. Flere har ikke bedt om ordet til sak

President, jeg har tegnet meg i egenskap av saksordfører. Jeg vil bare knytte et par kommentarer til saken. For det første er det en glede å være Justisdepartementet behjelpelig med at Hans Tranekjer Andresen kan bli ansatt som embetsmann i Justisdepartementet. Det er sikkert en klok utnevnelse. Bare et par ord til alminnelig opplysning om hvorfor saken er her i dag: Det er nemlig slik at opererer med visse nærhetskrav til borgere som i tillegg til å være innvånere også skal være embetsmenn. Det er da ikke tilstrekkelig at man er statsborger, man må også ha innfødsrett. Og det får man enten ved at man er født her og oppvokst her, eller at man, for å tilfredsstille kravene til å bli ansatt som embetsmann, har bodd i riket i minst ti år. Det har Tranekjer Andresen Det er den mangel – hvis man kan kalle det det – som Stortinget da råder bot på, ved at man går til det som kalles naturalisasjon, og det er nettopp det at man kan avvike fra innfødsrett som et tilleggskrav utover statsborgerskap. Jeg kan for øvrig også minne om at dette er en bestemmelse som har sine røtter i lovgivningen før Grunnloven fra 1814. Den ble tatt inn som forordning i 1776, 15. januar, hvor det også var nærhetskrav utover statsborgerskap for å bekle embeter. Så er det slik at vi med dette meddeler innfødsrett, og dermed har vi løst Justisdepartementets problem.

Men når en slik sak – som ikke ofte dukker opp i Stortinget – er her, synes jeg det er grunn til å markere at det kan være grunnlag for å vurdere om bestemmelsen, som saksordføreren var inne på, har overlevd seg selv. Vi har på en måte en diskusjon om grader av det å være nordmann – i hvilken grad er en nordmann? Det går på en måte på en skala, fra at du har oppholdstillatelse her i landet, via det at du blir innvilget statsborgerskap, som vi diskuterer i noen og til nå også å være et spørsmål om du har innfødsrett eller er naturalisert nordmann. Jeg registrerte også da jeg forsøkte å forske litt på dette via oppslag på nettet, at det går en diskusjon om det er like bra å være naturalisert som det faktisk er å være født her. her. Bestemmelsen som det ble redegjort for, har sin begrunnelse i en ganske gammel bestemmelse. Man hadde sikkert sine grunner da den ble innført. Spørsmålet blir om vi ikke burde ta opp til diskusjon om disse grunnene fortsatt er til stede, eller om bestemmelsen har overlevd seg selv og blitt en anakronisme, som burde vært avskaffet i en moderne grunnlov.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

Jødiske skolebarn opplever langt mer – og en økende – trakassering enn skolebarn fra andre religiøse miljøer. Trakassering er alt fra slengbemerkninger som – og det er personer som jeg har snakket med selv, som har fortalt meg dette – «Jævla jøde!»,

til å gjøre det som er riktig, og det som er rettferdig. Jeg vil gi honnør til Kristelig Folkeparti, som har fremmet mange svært gode forslag, og som Fremskrittspartiet i det alt vesentlige støtter. Likevel synes jeg det er en spesiell situasjon at det kun er nettopp Fremskrittspartiet og som støtter flesteparten av disse forslagene. Jeg skulle ønsket at Stortinget kanskje var litt tydeligere og ikke, som jeg sier, i merknads form – særlig fra regjeringspartiene – henviser til utredninger og brev fra statsråden. Vi som storting har også et ansvar for å gjøre noe. Vi har egentlig fått en ny mulighet til å vise at vi har lært av historien. Vi hadde altså sjansen i dag, som et samlet storting, til å sette inn tiltak og gjøre noe med dette. Den utredningen som ble presentert i Oslo-skolen i forrige uke, burde ikke, som jeg sa, bare være en øyeåpner. Jeg tror at selv de som har vært mest engasjert i spørsmål som dette, blir når man ser slike tall som viser at en tredjedel av jøder som deltok i denne undersøkelsen i skolen, er utsatt for hendelser mer enn tre ganger i måneden eller oftere, som en grense for det vi snakker om her. Det er langt, langt sterkere tall man kan se fra noen annen religiøs gruppe. Da er det på tide å handle. Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet tar det initiativet. Jeg fremmer de forslag som Fremskrittspartiet står sammen med Kristelig Folkeparti om. Så vil jeg bare til slutt komme med en liten korreksjon – hvis jeg får lov, president. I innstillingen er det under merknadene til Fremskrittspartiet

Forslagsstillerne fra Kristelig Folkeparti belyser med sitt representantforslag et viktig og alvorlig tema. Flertallet i komiteen ved regjeringspartiene deler forslagsstillernes syn på menneskeverdet og arbeidet for å bekjempe enhver form for diskriminering. Flertallet mener det er alvorlig hvis det er slik forslagsstillerne uttrykker, at det er en voksende antisemittisme i Norge. Vi registrerer at politiet og andre mener omfanget av hatkriminalitet er større enn det som i dag registreres. Etter flertallets syn er det en viktig oppgave å sikre riktig registrering og bidra til å senke terskelen for å anmelde kriminalitet av denne type. Temaet saken reiser, har vært på dagsordenen også i media de siste ukene. Som nevnt av saksordføreren, kom det den 7. juni en rapport om hvordan antisemittisme oppfattes i Oslo-skolen. Det var ingen lystig lesning. Der sies det at annenhver elev i Oslo-skolen sier de har opplevd at

av 1. april 2011. Flertallet vil avvente den undersøkelsen som Barne- og likestillingsdepartementet har satt i gang i samarbeid med Justisdepartementet og Utenriksdepartementet om den norske befolknings holdning til jøder og jødedom. Den forventes ferdig våren 2012. Informasjonen fra undersøkelsen i Oslo kommune fra 7. juni 2011, NOVAs kunnskapsstatus,

av grunnleggende historieopplæring for oss og en del av utviklingsarbeidet. Det er interessant å se hvor stor forskjell det er på de landene som tok et ordentlig oppgjør med jødeforfølgelsen under annen verdenskrig, og de landene som ikke gjorde det, med tanke på hvordan holdningen til jødene er der. er der. Jeg står som en del av flertallet her og er veldig klar på samtidig å si at vi mener at det ikke er riktig i en slik sammenheng bare å trekke ut spørsmålet om trakassering av jødene. Man må gjøre dette til en bredere sak som handler om diskriminering. handler om diskriminering. Det er ingen tvil om at vi har en rekke minoritetsgrupper som utsettes for trakassering, og jeg mener at det er nødvendig å ha en helhetlig politikk for å unngå at de trakasseres. Når vi ser hvor ofte det trekkes fram at folk i skolen blir skjelt ut for å være «en jævla homo» eller «hore», som er en

heller ingen tvil om at en god del av det offentlige ordskiftet bidrar til å trakassere andre minoritetsgrupper, f.eks. muslimer som trekkes fram, og som trakasseres for å være muslimer. Jeg synes at det er en del av den helhetlige debatten vi må ha. En av de tingene som er trøblete i forbindelse med nettopp dette – som forslagsstillerne tar opp her, og som også er berørt i merknadene – er akkurat den biten som går på sammenblanding av israelsk politikk og jøder, for i forbindelse med demonstrasjoner mot Israels politikk kommer også slike nedlatende begreper og ytringer jøder fram. Jeg mener at det er viktig å være tydelig på at vi må kunne ha en helhetlig diskusjon om Israels politikk og skille tydelig mellom kritikk mot Israels politikk og spørsmålet om jøder, og ikke røre dette sammen. Det er jo en rekke jøder som kritiserer Israels politikk – Israels framferd mot barn på Gaza-stripen og skille. Jeg vil ikke si at alle er like tydelige. Senest i dag leste jeg i avisen Dagen: «Gavene strømmer inn til jødiske bosetninger.» Spørsmålet er: Er det fordi bosettingene er jødiske at de er der? Eller er det fordi det er israelske bosettinger på okkupert område? Jeg ville kritisert det som israelske bosettinger på okkupert område. Men det er klart at i det øyeblikket de som er pro-israelske eller alt avhengig av hva de velger å være, framstiller dette og samrører det, får man også et samrøre i debatten. Det er ingen tvil om at det er viktig å gripe fatt i dette som en del av en helhetlig diskusjon. Jeg tror også det er viktig at Fremskrittspartiet, som er blant dem som er veldig tydelig på å si fra og ta opp denne saken som gjelder diskriminering av jøder, er seg veldig

Det er klart at i det øyeblikket man ville byttet ut det og sagt at jøder jobber mindre enn andre, ville man fått en uttalelse som veldig mange flere mennesker ville reagert på. Jeg tror det er viktig å ha dette i bakhodet når vi har en helhetlig diskusjon om det. Jeg tror at de undersøkelsene som er kommet frem i flere forbindelser den siste tiden – og også den jobben som Barne- og likestillingsdirektoratet gjør bidrar til å sørge for både å skaffe seg en bevissthet om omfanget av problemene og gode virkemidler for å bekjempe Senterpartiet vil berømme Kristelig Folkeparti for at de med dette forslaget setter søkelys på et samfunnsonde vi bestandig må ha et våkent øye med: jødehat. Dette er ikke akseptabelt i vårt land, og det må bekjempes. Europeiske land, Norge inkludert, har et særlig ansvar for å ta godt vare på og beskytte den jødiske minoriteten, fordi Jeg deler bekymringen som ligger til grunn for forslagsstillernes framlegg om en bred handlingsplan mot jødehat i Norge. Vi vet at utviklingen har skremmende trekk, bl.a. knyttet til at innvandrergrupper fra Midtøsten har med seg både en svært sterk Israel-kritikk og i mange tilfeller antisemittiske holdninger. Undersøkelsen om rasisme og antisemittisme i ungdomsskolen i Oslo har dessverre nylig gjort problemet enda mer aktuelt. Utdanningsetaten i kommunen la fram en større rapport 7. juni, og den viste klart at rasisme er et stort problem for den lille jødiske minoriteten. En av tre jødiske ungdomsskoleelever oppgir at de ofte Den jødiske skoleeleven Hedda Savosnick sa til Dagsrevyen 7. juni at 99,9 pst. av hennes jødiske venner hadde opplevd antisemittisme. Ordet «jøde» blir brukt som skjellsord i osloskolen. Hedda sa på nyhetssendingen: «At folk skal bruke min religion som et skjellsord er grusomt å høre. Man blir veldig redd.»

Tilsvarende undersøkelser i andre land viser at utbredelsen av negative holdninger til jøder er økende. Om en slik trend er situasjonen i Norge, bør det utvikles målrettede tiltak. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring gjennomfører også en kunnskapsstatus. Denne studien er snart ferdigstilt. Videre har Det Mosaiske Trossamfund fått midler for å øke kunnskapen om situasjonen for jødene i Norge. Norge. I tillegg er det gitt midler til å videreføre et undervisningsprosjekt ved Jødisk museum. Kunnskapsdepartementet framla rapporten «Det kan skje igjen», laget av en arbeidsgruppe ledet av Inge Eidsvåg, i januar 2011. Rapporten inneholder flere forslag til hvordan skolen kan jobbe mot antisemittisme og rasisme. Senest i dag lovte kunnskapsminister Kristin Halvorsen 6 mill. kr til kursing av lærere for å bekjempe antisemittisme og rasisme i skolen. Avslutningsvis vil jeg vise til at nåværende handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering utløper i 2012. Da vil vi ha solide erfaringer fra igangsatte og gjennomførte tiltak, samt mye mer kunnskap om antisemittismes art og omfang i Norge. Jeg mener, på lik linje med regjeringen, at dette bør være rett tidspunkt for å vurdere mulig oppfølging av ytterligere målrettede tiltak mot antisemittisme. Til representanten Holmås’ orientering: Oslo kommunes kartlegging av rasisme og antisemittisme i ungdomsskolen i Oslo viser at barn med jødisk bakgrunn opplever langt mer hets enn barn som tilhører andre religioner – derfor denne saken, og derfor disse forslagene. Mens totalt 3,5 pst. av elevene i Oslos ungdomsskoler opplever negative hendelser minst to–tre ganger månedlig på grunn av sin religiøse bakgrunn, er andelen blant jødiske barn

alt fra vitser til drapstrusler. Andre lærere forteller om elever som mener at jødene styrte alt, og har opplevd at noen har sagt at de beundrer Hitler. Lærerne peker også på at elever protesterer når noen uttrykker støtte til terrorister, men at ingen protesterer mot jødehat. Andre lærere har møtt sterk motstand mot undervisning om Holocaust. «Jøde» var et mye brukt skjellsord, ifølge en lærer. Disse historiene er om norske barns hverdag. Ett av tre jødiske barn blir mobbet, sjikanert eller drapstruet flere ganger i måneden. 50 pst. av barna i Oslo-skolen kjenner til at «jøde» blir brukt som skjellsord. De eneste som ikke har fått med seg denne utviklingen, er regjeringen og regjeringspartiene her på Stortinget. Statsråden og representanten for så vidt også representanten Heidi Greni, bruker formuleringer som: det er alvorlig «hvis» det er en voksende antisemittisme i Norge, og om en slik trend er situasjonen i Norge, bør det utvikles målrettede tiltak. Brevet fra statsråden er skrevet før tallene i rapporten ble lagt fram. Spørsmålet er om disse tallene er et høyt nok rop til en tunghørt regjering. Folkeparti har tatt signalene, og mener det er fullstendig uansvarlig ikke å ta grep i denne saken. Vi ber derfor regjeringen gjennomføre målrettede tiltak mot mobbing av jødiske elever i skolen. En annen ting som kommer fram av undersøkelsen er at to av ti ikke forbinder Auschwitz og holocaust med jødeforfølgelse, mens en noe større andel Bare halvparten forbinder Auschwitz og holocaust med jødeforfølgelse. Dette viser behovet for at Holocaustdagen blir en obligatorisk minnedag som markeres årlig på alle skoler. På den måten kan vi markere en skamplett i historien og minne oss selv om at dette aldri må skje igjen. I tillegg er det behov for at lærerundervisningen får en sterkere vektlegging av kunnskap om antisemittisme og holocaust. Derfor foreslår Kristelig Folkeparti i dette forslaget å bedre undervisningen i skolen med sikte på forebygging av jødehat, herunder obligatorisk undervisning om holocaust i relevante fag, bedre lærermateriell og slik at skoleklasser kan få muligheten til å dra på studietur til konsentrasjonsleirer, slik også representanten Heikki Holmås har fått muligheten til. Nå handler det ikke lenger om hvis eller om. Dette er en realitet, det er dokumentert, og nå er det på tide at regjeringen tar dette på alvor og viser handlekraft og vilje til å ta grep. Vi ser nå at Oslo kommune faktisk tar tak i dette, og vi forventer det samme av regjeringen. Jeg tar opp de forslag som Kristelig Folkeparti har fremmet i denne saken. Representanten Geir Jørgen Bekkevold har tatt opp de forslag han refererte til. Foregående taler, Geir Jørgen Bekkevold, og flere medforslagsstillere som er i salen i dag, fortjener ros for initiativet til at vi får diskutert dette som et reelt problem som ikke bare rammer dem som rammes umiddelbart, men som rammer hele samfunnet og hele det samfunnsklimaet vi ønsker å vokse opp i og ønsker å ha mellom oss. Så må jeg også til representanten Bekkevold si at dette er sterkt forulempende uttalelser, som også saksordføreren hadde noen referater fra, og ettersom dette er klare uttalelser som alle anstendige mennesker vil ta avstand fra, ville jeg kanskje være litt tilbakeholden med øyeblikkelig å tolke dette inn i at regjeringen ikke vil. Jeg tror vi alle her er enige om at det er et problem, og at vi må være reflektert i forhold til hvordan vi angriper det. Så kan vi kanskje diskutere hvilke virkemidler som er effektive. Jeg har også lyst til i denne kontekst å si at Norge ikke er et utpreget samfunn som på noen måte kan kalles antisemittisk. Jeg er for knutepunkter, særlig der våre barn i sin oppvekst møter voksenpersoner som setter standard og normerer holdninger. Skolen er en meget viktig arena for dette. Debatter som dette kan være med på å øke bevisstheten rundt det. Så vil jeg si at hele samfunnet gjenspeiler også hvilken tone vi har i omgangen med hverandre. Til og med de politiske aktører må også tenke gjennom hvilke rollemodeller de er. Da vil jeg minne om at det er enkelte her som av og til i sin ivrighet etter å advare mot innvandring, kanskje går litt langt i å kategorisere enkeltmennesker ut fra gruppetilhørighet. Så kanskje denne debatten kan være med på å stramme opp språkbruken – for det kan være muslim i dag, og det kan være jøde i morgen. Ondskapen kommer som kjent i veldig mange former og utgaver. Vi vet også at verbal krenkelse ofte er forløper for andre integritetskrenkelser, hvis ytterste konsekvens er bruk av vold. Derfor må vi ta til oss denne informasjonen vi har fått fra Oslo-skolen. Det har vært veldig bra å få dette på bordet, som sammen med annen forskning om mobbing og forulempning, gjør oss noe mer kunnskapsbaserte i vår tilnærming. Mobbeforskning har også dvelt litt ved at de som bruker mobbing som en hersketeknikk, ofte griper fatt i særkjenne ved personer selv om de ikke egentlig står inne for at det er et negativt særkjenne. Det er vel kjent fra skolegården at folk med spesielt utseende, hårfarge, hudfarge, vil høre det gjennom oppveksten. Spørsmålet er om vi er til stede og normerer omgangsformene allerede på skolegårdsnivå. Mobbeforskningen sier nettopp at man bruker dette som knagger for å ramme den enkelte person. Dette resonnementet fører meg over til at det vi må bygge opp, er et forsvar mot forulempning som rammer den enkelte, uansett hvilket grunnlag man påberoper seg å ha.

av Wulffmorgenthaler den 14. mai, som har et innhold som ikke lar seg referere fra denne talerstol. Og så kan man tenke på: Hvor går grensen mellom plump humor, usmakeligheter og det som tenderer til å være

den 26. november 1942. 11 av de bergenserne med jødisk bakgrunn som senere endte i tysk konsentrasjonsleir, bodde på Møhlenpris, og fakkeltoget beveger seg derfra, fra hus til hus, og det settes ned lys på trappen utenfor de husene der disse bysbarna våre bodde. Rasisme har sin begrunnelse i en oppfatning om at et folk, en religion eller en levemåte er mindre verdt enn andre. Rasisme innebærer et avskyelig menneske- og samfunnssyn. Antisemittisme og jødehat har en lang og svart tradisjon i Europa og også i Norge. Vår egen historie gjør at vi plikter å ta det på alvor. Jødeparagrafen fra 1814 er nevnt. Deportasjonene i 1942 er nevnt en altfor nær del av norsk historie til ikke å ta dette spørsmålet på stort alvor når vi ser at antisemittisme rører seg igjen i vårt land. Kanskje har vi trodd at det var et tilbakelagt problem, men vi ser både holdninger og statistikk fra vårt eget samfunn som gjør at vi trenger å ta en debatt som den vi har i dag. Jeg har ansvaret for de fleste antidiskriminerings- og likebehandlingslover og har vist i min kommunikasjon med komiteen til regjeringens samlede likebehandlingsarbeid, der vi prøver å legge så godt som mulig til rette for alle de ulike minoritetsgrupper vi har i Norge. Behovet for en egen handlingsplan mot jødehat må derfor vurderes i sammenheng med regjeringens eksisterende handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering. Den planen omfatter de fleste sektorer. Kunnskap som vi nå innhenter om antisemittisme, vil dessuten gi oss bedre mulighet for å

Eksisterende handlingsplan bruker betegnelsen «etnisk diskriminering» som et samlebegrep for den diskriminering som innvandrere og barna til innvandrere, samer og nasjonale minoriteter opplever. Og jøder er en nasjonal minoritet i Norge. Handlingsplanen er basis også for å styrke arbeidet mot antisemittisme. Den inneholder 66 tiltak. Den gjelder på mange samfunnsområder som arbeidsliv, bolig, skole, offentlige tjenester, forskning og dokumentasjon. En nylig utkommet kunnskapsstatus fra NOVA, som allerede er nevnt i debatten, viser at barn og unge i Norge opplever og utsettes for etnisk diskriminering, og i forrige uke framla Oslo kommune en kartlegging av rasisme og Rapporten viser at 15 pst. av de spurte ungdommene er utsatt for en eller flere hendelser på skolen på grunn av sin kulturelle, religiøse eller nasjonale bakgrunn. Studien kan tyde på at personer med jødisk bakgrunn er spesielt utsatt for trakassering. Dessuten viser studien at det er mest negative assosiasjoner til ordene «jøde», «polakk» og «homo». Hvis det gir et riktig bilde av synet på disse ulike minoritetene, så er det skremmende. Flere av de framsatte representantforslagene er allerede gjennomført eller i gang. For eksempel er holocaustmarkeringen integrert i mange skolers undervisning. Undervisningsmateriell er bedret, nytt Manifest mot mobbing undertegnet, og kampen mot antisemittisme er godt forankret i Kunnskapsløftets kompetansemål. Eidsvåg-rapporten om antisemittisme og rasisme i skolen ble framlagt av Kunnskapsdepartementet i januar, rettsstridig. Denne regjeringen legger ned betydelige ressurser på å bekjempe diskriminering i alle slags former, og vi vil om kort tid legge fram tre statusrapporter fra de tre viktigste handlingsplanene mot diskriminering. Jeg har lyst til å minne om at det er med det som bakgrunn, og det at denne regjeringen har trappet opp arbeidet mot rasisme og diskriminering, at vi også har denne debatten i dag. Derfor reagerer jeg når representanten Bekkevold snakker som om regjeringen ikke gjør noen ting. Dette alvorlige temaet fortjener en saklig og redelig debatt, og jeg synes representanten Michael Tetzschner hadde et svært klokt og reflektert innlegg som jeg håper alle vil lytte til.

uttrykte at regjeringen har undervurdert antisemittiske holdninger i muslimske miljøer. – Vi har ikke sett tidlig nok denne «nye» utgaven av antisemittisme. Vi har ikke tatt dette alvorlig nok, trolig fordi vi ikke vil kritisere svake grupper i samfunnet, sa Barth Eide.» Er statsråden enig i den kritikken som Barth Eide fører mot sin egen regjering her, og mener han ut fra dette at det er en god strategi å bruke ett år på videre å utrede dette før man bestemmer om man skal gjøre noe?

som om vårt svar har vært at vi skal vente med å gjøre noen ting. Vi gjør mye nå. Jeg er derimot enig i et virkelighetsbilde som sier at vi i det norske samfunnet ikke har tatt nok på alvor faren for at antisemittismen kunne vokse fram igjen. Og jeg tror at mange av oss er negativt overrasket over de tallene vi f.eks. ser fra undersøkelsen i Oslo. Jeg har lyst til å understreke, og det sier også den undersøkelsen, at dette ikke bare er holdninger blant muslimske barn i Oslo-skolen. Dette er holdninger som vi ser også godt representert blant barn med annen bakgrunn, bl.a. kristen bakgrunn. Derfor skal vi ikke gjøre dette til bare et spørsmål om

Står statsråden fast ved, som han skriver i sitt svar til komiteen, at det er alvorlig hvis det er en voksende antisemittisme i Norge? Er det fortsatt statsrådens virkelighetsoppfatning at det er grunnlag for å stille spørsmål ved det? Det andre spørsmålet er: Er det regjeringens holdning at vi skal vente på en oppjustert plan for å hindre etnisk diskriminering i 2013, og at det ikke er grunnlag for å adressere antisemittisme særskilt i en egen plan? Jeg skjønner at Kristelig Folkeparti har bestemt seg på forhånd for hvilket bilde de vil tegne av regjeringens synspunkt. Istedenfor å lytte til det jeg sa, der jeg bl.a. brukte tid på å beskrive min reaksjon på de tallene som har kommet fra Oslo, og som viser at vi har et problem med antisemittisme i

Så vil vi få mer kunnskap når vi får den undersøkelsen som HL-Senteret skal gjennomføre for oss. Det vil også gi oss grunnlag for å se om det er ytterligere tiltak vi kan sette inn. Det står altså ikke i motsetning til å gjøre noe i dag.

For meg er det aller mest alarmerende at én av tre jødiske ungdomsskoleelever flere ganger i måneden opplever negative hendelser. I tillegg er det veldig urovekkende at hele 51,5 pst. av elevene svarer at ordet «jøde» brukes til å beskrive noe negativt. Undersøkelsen viser tydelig at det er sammenheng mellom holdninger og handlinger. Skjellsord er ikke tilfeldig valgte ord. Alle skal ha krav på vern mot hets og diskriminering. Samtidig må vi være tydelige på at den jødiske befolkningen i Norge står i en særstilling. Det bør være tilstrekkelig å minne om at halvparten av de jødene som bodde i Norge før annen verdenskrig, ble sendt til konsentrasjonsleirer og drept. I Danmark var tallet under 1 pst. Hvorfor var det så forferdelig mye verre her? Elie Wiesel har sagt at det motsatte av kjærlighet ikke er hat, men likegyldighet. Tallene fra Oslo gir ikke rom for likegyldighet. Vi må og skal ta jødehat på alvor. For den enkelte er det like alvorlig om man hetses, trakasseres eller drepes fordi man er svart, muslim, kvinne, funksjonshemmet eller tilhører en annen gruppe. Per-Willy Amundsen holdt et lidenskapelig innlegg mot jødehat. Er han like bekymret for trakassering Det er verdt å minne om drapet på Benjamin Hermansen som skjedde i 2001, og skuddene mot Hvalstad asylmottak i 2008. Kristelig Folkeparti innleder sitt forslag med formuleringen «Kristelig Folkeparti har menneskeverdet i sentrum, og kjemper mot enhver form for diskriminering.» Jeg skulle ønske det kom like klart og utvetydig til uttrykk også overfor en annen minoritet som er blitt forfulgt gjennom historien: homofile. Vernet mot hets- og hatkriminalitet må favne alle, ikke ende opp i en konkurranse om hvem som har det verst, eller fortjener vår oppmerksomhet mest.

Kunnskap er avgjørende i kampen mot ekstremisme og hatkriminalitet. Jeg vil benytte anledningen til å rose Oslo kommune for å ha gjennomført den omtalte holdningsundersøkelsen, og det må ikke stoppe der. Initiativene som statsråden redegjør for i sitt svarbrev til komiteen, er viktige alle sammen, og det skal ikke herske noen tvil om Ekstremisme, rasisme og jødehat skal bekjempes, og vi både vil og skal bidra til at det utvikles de verktøy som er nødvendige, og at de også tas i bruk. Jeg er

regjeringspartienes talspersoner – før Håkon Haugli nå – helt har forstått alvorlighetsgraden i det vi snakker om. I 2004 la Det europeiske senter for overvåking av rasisme og fremmedfrykt fram en statusrapport om antisemittismen i EU-landene. Rapporten tegner et bilde av situasjonen som er helt klart: Voldshandlinger mot jøder i Europa har økt kraftig siden 2000. Jeg tror jeg vil anbefale at man leser denne boken «Jødehat», siden det virker som det er litt uklarhet om hvorfor vi snakker om antisemittisme og rasisme og ikke bare kan sammenfatte disse begrepene. Denne boken er skrevet av Trond Berg Eriksen, Håkon Harket og Einhart Lorentz og burde egentlig hvis man har tenkt å arbeide seriøst med disse spørsmålene. De konkluderer med at «jødehatet er igjen blitt høyrøstet i dagens Europa». Da trenger vi ikke, slik statsråden gjorde – nå har han heldigvis endret mening siden han skrev brevet – lure på om det er en voksende antisemittisme i dette landet. Det er nok av personlige vitnesbyrd.

i norsk presse og fortelle hva hun og hennes venner blir utsatt for, er det taust fra den norske regjering – taust. Det er her jeg mener det er en alvorlig svikt i denne og lignende saker. Det er, som Lysbakken sa, en nasjonal minoritet vi snakker om. om. Dette er virkelig en minoritet. Det er kanskje 1 300–1 400 jøder i det norske samfunnet, og det er personer som i dag i mange tilfeller ikke tør stå fram som dem de er, og med sin bakgrunn. Derfor synes jeg det er svært skuffende at det ikke blir realitetsendringer i lys av den debatten vi har i dag.

det, på bakgrunn av en historie som vi alle kjenner godt, og som har mye mørke og tragedie i seg. Når jeg hører statsråden her i dag, synes jeg ikke regjeringen har tatt inn over seg alvoret i denne situasjonen. Man snakker om opposisjonens virkelighetsbilde, man snakker om alle andre grupper, og man forsøker å vinkle dette over på alle andre ting enn det saken faktisk handler om. For meg høres det ut som en ganske kraftig ansvarsfraskrivelse i forhold til situasjonen. Det som hadde vært viktig, ville vært at det politiske styret sendte ut et entydig signal om at dette er fullstendig uakseptabelt. En måte man kunne ha gjort det på,

Dessverre sier ikke statsråden fra det samme partiet det samme her i dag. Han sier tvert imot at man skal utrede dette, man skal se det i sammenheng med alle andre grupper. Dermed flyter dette ut til å bli noe helt annet enn det som det hadde vært viktig at det var, og det som Solhjell sier til Vårt Land at det burde være. Så sier man at man trenger mer kunnskap, at det skal være kunnskapsbasert. Det er for så vidt et greit prinsipp, men også her sier både Solhjell og Barth Eide i dag at man «har undervurdert antisemittiske holdninger i muslimske miljøer». Videre står det: «Vi har ikke sett tidlig nok denne «nye» utgaven av antisemittisme. Vi har ikke tatt dette alvorlig nok, trolig fordi vi ikke vil kritisere svake grupper i samfunnet, sa Barth Eide.» Jeg vil nesten foreslå at Lysbakken setter seg ned med en kopp kaffe og tar seg en prat med Barth Eide og Bård Vegar Solhjell. De har en mye mer nyansert og prinsipiell tilnærming til dette enn det jeg opplever at statsråden har her i dag. Hadde det disse sier, vært utgangspunktet, kan det hende at vi hadde fått en god sak, et tydelig signal ut fra denne saken, og kanskje hadde regjeringen da sett dette som såpass viktig at man hadde sagt: Her må man gjøre noe, og man må gjøre noe nå. Da hadde man kanskje stemt for forslaget. Det er en tragedie at dette forslaget ikke blir vedtatt enstemmig i Stortinget i Da hadde man kanskje stemt for forslaget. Det er en tragedie at dette forslaget ikke blir vedtatt enstemmig i Stortinget i dag. Jeg vil begynne med en bemerkning til noe som representanten Holmås var inne på. Han dro et viktig skille mellom kritikk mot jøder og kritikk mot israelere. israelere. Det er jeg glad for at han gjorde. Det minner meg for så vidt om en annen sak enn den som diskuteres i dag. Jeg fikk svar fra utenriksministeren i dag på et spørsmål som gjelder president Abbas, som i det siste har brukt tid på å snakke om at han ønsker et nytt Palestina som skal være jødefritt – en tydelig rasistisk uttalelse som utenriksministeren ikke tar avstand fra.

lignende. Med andre ord har mobbingen blitt noe ofrene tar med seg hjem. Det er på mange måter noe de ikke kan klare å unnslippe. Barn og ungdom har ikke lenger noe fristed fra mobbing. Nå ser en altså at mobbing på bakgrunn av etnisitet eller religiøs bakgrunn vokser radikalt. radikalt. Forslaget vårt har kanskje blitt enda mer aktuelt ut fra den rapporten om Oslo-skolen som de fleste har sitert fra, der en ser at en av tre jøder mobbes flere ganger i måneden. Det krever handling. Jeg ønsker å kommentere et par forslag. Det Mosaiske Trossamfund er blant dem som i størst grad merker det nye jødehatet. jødehatet. Synagogen har vært utsatt for terrorforsøk, og sikkerhetstiltakene rundt de jødiske institusjonene er strenge. Den siste tiden har trossamfunnet opplevd at politiet er mindre synlig, til stede, enn før. Trossamfunnet anslår at så mye som en tredel av medlemskontingenten ene og alene går til sikkerhetstiltak. De har nå sendt søknad til Justisdepartementet om støtte til fornyelse av eksisterende sikkerhetsutstyr og til kontinuerlig Det er et demokratisk problem når trosfriheten, bevegelsesfriheten og ytringsfriheten trues av terror og hatkriminalitet. Kristelig Folkeparti mener derfor at det er behov for at regjeringen imøtekommer ønsket fra Det Mosaiske Trossamfund om støtte til fornyelse av sikkerhetsutstyret og en dagvakt ved

nektes stemmerett. Medlemmer av organisasjonen har blitt dømt til fengsel i Danmark for å ha delt ut løpesedler som oppfordrer til å drepe jøder hvor enn man måtte finne dem. Andre land har også forbudt organisasjonen. Ett av forslagene til Kristelig Folkeparti går nettopp på å vurdere dette, og det burde regjeringen ha gått inn

endring. Jeg vil gjenta Lysbakkens uttalelse om at «det er alvorlig hvis det er en voksende antisemittisme i Norge», Og: «Om en slik trend er situasjonen i Norge bør det utvikles målrettede tiltak.» Men statssekretæren i Utenriksdepartementet, Espen Barth Eide, erkjenner følgende: «Vi har ikke sett tidlig nok denne «nye» utgaven av antisemittisme. Vi har ikke tatt dette alvorlig nok.» dette alvorlig nok.» Dette er ikke feilsiteringer. Dette er ikke oppkonstruert. Altså erkjenner regjeringens representant Barth Eide at dette er et problem som regjeringen ikke har tatt alvorlig nok. Men selv om det gjentatte ganger er lagt fram rapporter om at jødiske barn blir utsatt for vesentlig mer mobbing og sjikane enn andre barn, viser ikke Selv når det kommer forslag om ti konkrete tiltak i Stortinget, lener regjeringen seg tilbake, holder seg unna og kan ikke støtte noen av disse. Og grunnen til dette ga SVs parlamentariske leder, Bård Vegar Solhjell, i en debatt på tirsdag. Han sa følgende: «Dere vet like godt som jeg jeg at et Dokument 8-forslag som dette er, ikke går gjennom. Det gjelder alle slike forslag.» Altså avslører SVs parlamentariske leder følgende: Uansett hvor alvorlig et problem er, uansett hvor viktig og dokumentert en utfordring er, eller hvor gode tiltakene som blir fremmet i denne salen, er,

men så opplever vi at i en så alvorlig sak avventer regjeringen og har en arrogant holdning til forslagene fra opposisjonen. I verste fall kan regjeringens arroganse gå ut over uskyldige barns liv og helse. Rasisme og spesielt antisemittisme, som vi diskuterer i dag, er

fra elever i skolen som f.eks. opplever at læreren syns det er helt greit og logisk, når man lager besøksgrupper mellom familier i klassen, at den palestinske familien nekter å invitere den jødiske, og at det er noe skolen setter et ok-stempel på. Eller historier fra Jødisk Museum, som opplevde at skoleklasser avlyste besøk under krigen i Gaza, fordi de ikke regnet det som logisk å besøke et under krigen i Gaza, fordi de ikke regnet det som logisk å besøke et jødisk museum så lenge det var krig på Gazastripen. Det er et varsku for oss som politikere. Det er holdninger vi må gjøre noe med i forhold til både skolen og samfunnet generelt. Jeg syns det er veldig viktig å skille mellom kritikken av staten Israel

Jeg har lyst til å illustrere dette med en historie. En god venn av meg satt i Falstad konsentrasjonsleir. Han ringte til meg om en film om Falstad, som han var veldig kritisk til. Så sier jeg: Hvorfor var du det – den viser jo all den forferdelighet Falstad sto for? Så sa han: Men da har du ikke skjønt det. For da jeg satt på Falstad, kom jeg en dag inn i matsalen, og da sto det en fange og sang ved et flygel og en tysk fangevokter spilte. Det er også et bilde fra Falstad. Det er også et bilde fra en konsentrasjonsleir. Hvis man bare viser fram alt det forferdelige, kjenner man ikke igjen det forferdelige når det kommer tilbake igjen. Da er jeg tilbake til mitt hovedpoeng. Jeg tror at vi over så lang tid har sluttet å formidle historie til barn, sluttet å vektlegge kunnskapen om historie i samfunnet vårt, at vi har blitt et arrogant folk som ikke har forståelse for hvilken historisk tradisjon vi faktisk står i. Vi kjenner ikke igjen det som er virkelig truende for vår sivilisasjon, fordi vi har laget et Vi skulle ha kjent igjen alle de små signalene som gjør at sånt hat kan skapes – og slått ned på det fra dag én. Vi skulle ha visst hva alle de små kommentarene kan føre til hvis vi ikke slår ned på det. Men det krever kunnskap. Over tid har vi svekket historiekunnskapen og svekket respekten for at vi faktisk står i en historisk tradisjon. Vi har svekket kunnskapen om at sivilisasjonen vår bare er en bitte liten ferniss. Om vi ikke kjemper for Om vi ikke kjemper for den fernissen hver dag, som handler om sivilisasjon, bryter brutaliteten igjennom. Det er det som er kampen for oss som politikere, også når vi skal lage regler for hvordan skolen skal fungere, hva man lærer, og hvordan vi snakker til hverandre. Det er derfor det er viktig å kjempe mot all type rasisme, men antisemittismen har vi jo virkelig sett hva fører til når vi godtar alle de små dryppene. Rasismen stigmatiseringen av grupper – og alt det som Håkon Haugli snakket om – er det viktig å angripe fra dag 1. Her har vi virkelig en historisk tradisjon som vi skulle ha lært av. Vi skulle ha lært av hva slike kommentarer fører til. Det skal ikke kunne gå an for en norsk lærer å si at vi kan ikke besøke et jødisk museum som handler om jødisk kultur fordi det er krig i Gaza. Det skal det ikke gå an å si. Det er så kunnskapsløst at man skulle ha blitt fradømt jobben sin som lærer, for da har man virkelig ikke skjønt det. Vi må formidle kultur- og historiekunnskapen vår sånn at vi skjønner i hvilken tradisjon vi står. Jeg tror vi har en kjempejobb å gjøre, for vi har en arroganse overfor vår egen kultur og vår egen historiske posisjons idealitet som gjør at vi ikke skjønner hvilken historie vi faktisk står i. Avslutningsvis har jeg bare lyst si at jeg synes det er

Folkeparti og Fremskrittspartiet velger å bruke denne debatten til å presentere et annet bilde. velger å lese de andre partiene på verst mulig måte. Jeg vil oppfordre representantene fra de to partiene til å tenke seg litt om. Jeg tror det ville vært langt mer verdifullt for de menneskene det gjelder, at vi sammen klarte å sende et signal som vi faktisk er enige om, enn at noen skal bruke alle sine krefter i denne sal til å få det til å se ut som om resten av oss egentlig ikke er opptatt av dette. Det synes jeg var skuffende.

saksordfører var jeg veldig klar på at det var ikke min intensjon. Tvert imot: Alvoret i jødehatet burde være nok til at vi kunne diskutere dette som den viktige saken det er. I stedet klarer altså representanten Holmås å lage konkurranse mellom gruppene om hvilken av dem som er mest diskriminert.

som saksordfører, men det er tydelig at representanten Holmås ikke klarer å holde seg for god til å gjøre dette til en konkurranse mellom minoriteter. Det er jo ikke riktig. Hvis man skal ta på alvor det som fremkommer i undersøkelsen til Oslo kommune, er buddhister mer utsatt for trakassering enn det muslimer er. Jeg synes det er veldig spesielt – når vi i Stortinget er invitert til å debattere jødehat – at man klarer å få dette til å handle om alt mulig annet enn det det skal handle om. Men det er kanskje sånn at det handler litt om dårlig samvittighet fra SV og representanten Holmås' side, når man må trekke inn alle andre eksterne forhold i stedet for å diskutere den saken som er viktig, og som vi burde diskutere i dag. For det første vet jeg ikke i hvilken grad det er rimelig at statsråder skal stå her og

mye verbal velvilje. Innstillingen viser også at det ikke – foreløpig – er særlig vilje til å vedta det som praktisk må til. Og det er faktisk ikke slik at vi står her og debatterer for å tilfredsstille statsråders ønske om at det skal være et samlet storting som uttaler det ene eller det andre. Denne regjeringen får vær så god finne seg i å bli målt på det den gjør, det den uttaler, og ikke minst det den ikke uttaler. Jeg må si jeg var veldig spent på å høre hvordan regjeringspartiene ville legge an denne debatten. Jeg ga ros til representanten Haugli, og jeg gjør det fordi jeg mener det, men jeg kan ikke stå her og si meg fornøyd med den passivitet som regjeringen har utvist. Og regjeringen selv har i stor grad vist at den føler at dette er noe den ikke har tatt tak i. Hvorfor kommer plutselig i dag statsråd Kristin Halvorsen med sine forslag? De er ikke nevnt i svaret til komiteen, men at det nå er en stor jødisk delegasjon her i landet som også spør seg hvordan norske myndigheter adresserer dette viktige spørsmålet. Jeg ville vært mer opptatt av det enn av å evaluere Stortingets debatt. Bare et kort svar til Per-Willy Amundsen. Det at man også diskuterer spørsmålet om islam i denne debatten, er det jo faktisk forslagsstillerne som

har jeg forståelse for; det er jo derfor man fremmer forslag. Men jeg synes jo også, når debatten går som den går, at det ville være positivt om man sa at de grepene som regjeringen gjør, faktisk er skritt i riktig retning. For det kan det ikke være uenighet om at de er. Og når vi da i merknader i hele denne innstillingen er Og når vi da i merknader i hele denne innstillingen er dønn enige om at antisemittisme ikke er akseptabelt og er noe vi må slå ned på, skjønner jeg ikke hvorfor dette ikke blir tatt imot på en mer all right måte. Til slutt vil jeg bare som et slags apropos lese et dikt som har blitt lest her tidligere, som

Deretter tok de fagforeningsfolkene men jeg brydde meg ikke for jeg var ikke fagforeningsmann. Så tok de jødene men jeg brydde meg ikke for jeg var ikke jøde. Til slutt tok de meg. Men da var det ingen igjen til å bry seg.» Jeg synes at det er en helt grei oppsummering av debatten. Det som blir hengende igjen etter denne debatten, er

har imidlertid korrigert sitt eget brev, og det synes jeg er bra. Det burde kanskje også de representantene som har uttalt det samme fra denne talerstol i løpet av debatten, gjøre, men det får de svare for selv. Det som i hvert fall jeg synes blir litt underlig – og det er også litt derfor jeg tegnet meg – er at man benytter såkalte sitater som man tillegger andre representanter, og som er direkte feil – og tilbakevist. Igjen: Representanten Holmås klarte å servere en påstand som er fullstendig feilaktig i forhold til det undertegnede skulle ha kommet med av uttalelser i en eller annen sammenheng. Det burde han holde seg for god til, for det var overhodet ikke riktig i forhold til det til det jeg har sagt. Det jeg har sagt, er at innvandrere fra muslimske land har en lavere arbeidsdeltakelse enn andre ikke-vestlige innvandrere. Og det er altså i referanse til en NOU, fra Brochmann-utvalget, hvor dette er et statistisk faktum. Det er for øvrig heller ikke noe nytt; det har vært kjent lenge.

og gjøre dette om til en debatt om alt mulig annet enn det burde være fra regjeringspartienes side. Man er ikke engang sikker på, i hvert fall gjelder det flere av representantene fra regjeringspartiene, hvorvidt man observerer et økende problem i Norge med hensyn til jødehat. Det står igjen etter denne debatten. Representanten Heikki Holmås har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg hadde håpet at innlegget mitt i ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg hadde håpet at innlegget mitt i stad skulle vært mitt siste, men jeg synes det er vanskelig å la det stå igjen et slikt inntrykk som det Per-Willy Amundsen etterlater. Jeg tar til meg akkurat presiseringen av uttalelsen hans, men jeg mener at det jeg sier, står ved lag, nemlig at når representanten Amundsen bruker det at noen er fra muslimske land, som et argument i en debatt, så er det et grunnleggende faktum at han begynner å røre opp i ting som ikke er bra. Det er det som er hele poenget mitt, og det er det som er hele poenget med det diktet jeg leste opp i hvilken som helst slags form for sammenrøring av etnisitet og religion – å akseptere at du kan bruke det som et argument i sammenhenger som handler om dette – hører ingen steder hjemme. Vi skal være klinkende klare mot all form for rasisme, så skal vi sette inn trykket der behovet er størst, og det oppfatter jeg at statsråden har sagt

I 1947 tok Sosialdepartementet initiativet til en kartlegging av kvinners og menns lønn, og den viste bl.a. at det var vanskelig å forsvare lønnsgapet på mellom 20 og 40 pst. ut fra familieforhold og forsørgelsesbyrde. I 1949 ble Likelønnskommisjonen nedsatt, med mandat til både å gi oversikt over kvinners lønnsforhold i arbeidslivet og drøfte hvordan ulikheter kunne rettes opp. opp. I 1951 ble ILOs konvensjon om lik lønn for kvinnelige og mannlige arbeidere for arbeid av lik verdi vedtatt, og flertallet i komiteen gikk i sin innstilling fra 1958 inn for ratifisering. Og endelig: I EU ble prinsippet om likelønn tatt inn i Romatraktatens artikkel 119. Begrunnelsen var å hindre konkurransevridning. Med den lange historien, og tradisjonen det er å kjempe for likelønn, er jeg glad for at forslagsstillerne er opptatt av det som er en kampsak for arbeiderbevegelsen, men vi er uenig i den medisinen de foreskriver. Likestillingsloven har en bestemmelse i § 5 om at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for likt arbeid, og arbeid av lik verdi. lønn for likt arbeid, og arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte for både kvinner og menn, og gjelder uavhengig av om arbeidet tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler. Arbeidets verdi skal avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som f.eks. anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold. Lønn er altså ikke en relevant Når Fremskrittspartiet vil gripe politisk inn i lønnsfastsettelsen, er det angrep på et av fundamentene i den norske samfunnsmodellen. Et organisert arbeidsliv med stort innslag av sentrale forhandlinger er et av de aller viktigste bidragene til et lavt konfliktnivå, høy sysselsetting og relativt små inntektsforskjeller. Lønnsoppgjøret er, som det også innledningsvis framgår som bakgrunn for forslaget, partenes ansvar. I det statlige tariffområdet har kvinner i gjennomsnitt 94 pst. av menns regulativlønn. Korrigert for alder, utdanning, yrkeserfaring, ansiennitet og arbeidstid har kvinner 98–99 pst. av menns regulativlønn. Partene i det statlige tariffområdet har gode prosesser for å komme til enighet om tiltak som skal utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, og vi legger til grunn at det samme skjer i de øvrige forhandlingsområdene i offentlig sektor. Vi forventer selvfølgelig også at privat sektor følger opp for sin del.

Som sagt er dette eit forslag som er fremja av Framstegspartiet for å sikre eit lønnslyft i låglønnsyrke, med fokus på utdanningsgruppene i offentleg sektor. Vi meiner at dette er ei veldig viktig sak. Eg konstaterer her at saksordføraren, som går igjennom dette, er ueinig i medisinen, men eg kan ikkje sjå at resten – berre Framstegspartiet – har fremja noko forslag og

partane sitt ansvar, men her meiner vi at det går an at staten kjem og hjelper partane slik at ein kjem nokon veg i denne saka. Vi meiner også at regjeringspartia skapte store forventingar i forkant av valet i 2009, om at det skulle skje noko – utan at det blei følgt opp av konkret handling. Men i 2009 var det altså valkamp, og då skapte ein eit inntrykk av at det skulle skje noko, utan at det gjorde det. Som saksordføraren også sa, så står Framstegspartiet aleine med eit forslag, men i merknadane står vi ikkje aleine. Der står vi i lag med Kristeleg Folkeparti. det. Som saksordføraren også sa, så står Framstegspartiet aleine med eit forslag, men i merknadane står vi ikkje aleine. Der står vi i lag med Kristeleg Folkeparti. Vi har sagt at eit av tiltaka for effektiv oppfølging av retten til likelønn er ein likelønnspott. Men vi innser at ved denne korsvegen får vi ikkje fleirtal for det forslaget vi kjem til å fremje. Vi synest likevel det er viktig at vi har teke opp denne

sikre at kommunene blir fullt ut økonomisk kompensert for et slikt lønnsløft.» Representanten Gjermund Hagesæter har tatt opp det forslaget han omtalte og refererte.

vi er enig i det statsråden skriver i sitt svarbrev til komiteen, at vi ikke ønsker lønnsfastsettelse gjennom representantforslag i Stortinget. Det kunne vært interessant å få prislappen på dette også, men da skulle vi kanskje holdt på en stund før vi fikk den endelige konklusjonen. Så her tror jeg dessverre jeg må si at vi kan støtte den linjen som Fremskrittspartiet har lagt seg på. Vi mener helt og fullt at partene må ta dette ansvaret. Svarbrevet til statsråden viser jo også at hvis en tar hensyn til ansiennitet, alder osv. i offentlig sektor, er forskjellen mellom mannslønn og kvinnelønn ca. 1–2 pst., og partene jobber videre med dette.

ordet «likelønn» ikke finnes, og at ordet «likestilling» finnes ett sted i programmet, og det handler om likestilling i støtte til offentlige og private barnehager. Sånn sett får vi håpe at dette er en slags form for ny begynnelse for Fremskrittspartiet. Men jeg ser at de har et stykke å gå, for de har ikke helt skjønt hvordan tingene funker. funker. Det er altså sånn at når vi har gått til valg og sagt at vi ønsker å kjempe for likelønn mellom kvinner og menn i Norge, handler jo det nettopp om å få til et lønnsløft i offentlig sektor og om lønnsnivåene i det offentlige. Skal vi få til det, Skal vi få til det, er vi avhengig av at partene blir enige seg imellom. Særlig viktig er det jo at fagbevegelsen og fagforeningene blir enige seg imellom om at dette er noe man er nødt til å gjøre i løpet av årene som kommer, ellers kommer man ingen vei. Hvordan tror ellers Gjermund Hagesæter at det ville bli, hvis man innenfor industrisektoren sier at man har fått en økning i det kommunale som er høyere enn det vi har fått i industrien? Dette vil vi ha kompensert året etter, sier de. Sånn er det partene i arbeidslivet forhandler, og sånn er det det fungerer. Skal vi gjøre noe med dette, er vi nødt til å få en enighet mellom partene. partene. Får vi til en enighet mellom partene, har regjeringen sagt at den er villig til å være med og sørge for å få til et slikt lønnsløft. Den ene biten av likelønnsarbeidet har vi oppfattet handler om forskjellen på lønnsnivået mellom det offentlige og det private. Den andre delen av arbeidet for likelønn, sa Likelønnskommisjonen, med Anne Enger i spissen, handler om den forskjellsbehandling som skjer hver gang en kvinne får barn. Da sakker kvinner akterut. Der har også regjeringen levert. Stikk i strid med det som Høyre og Fremskrittspartiet ønsket, har vi altså levert i forhold til det som handler om å likestille kvinner og menn i foreldreskap. Vi har klokkertro på at mer likestilling når det gjelder ansvaret for barn, over tid vil føre til mer likestilling i husarbeid, mer likestilling i fordelingen av innsatsen mellom kvinner og menn, anerkjennelse av at det å ansette en ung kvinne eller en ung mann vil føre til like mye fravær og like mye omsorg for barna, og de samme menn og kvinner vil bli mer likestilt med hensyn til hvordan de ses på på den enkelte arbeidsplass. Dette har jo Høyre og Fremskrittspartiet vært dønn imot. De har sagt at denne delen av likelønnskampen er vi ikke opptatt av i det hele tatt. Her står heldigvis resten av Stortinget, fra Kristelig Folkeparti til SV, samlet om en fornuftig og riktig politikk, og så får vi håpe at Høyre og Fremskrittspartiet aldri får gjennomslag for den delen av sin politikk. Den andre delen av det som handler om ulik lønn mellom kvinner og menn, er en del av de andre tingene som er viktig å gripe fatt i, nemlig det at kvinner i mye større grad jobber i deltidsstillinger; får ikke heltidsstillinger. Det dreier seg om mye mer midler, ikke sant? Noe av det fører til at kvinner, for å ha full stilling, i mye større grad jobber i Dette er jo per dags dato sånn det funker i det offentlige. Vi har fra regjeringens side sagt at vi ønsker et skikkelig krafttak for at folk isteden skal ha heltidsstillinger. Vi ønsker å sørge for at lønningene i det offentlige er gode,

Her går vi til valg med en arbeidsgivergaranti i tretten punkter – sier veldig klart fra: Vi vil jobbe; der det velges SV-ere inn og SV-ere får makten i kommunene, vil vi jobbe for at vi skal ha større grad av heltidsstillinger. Vi skal jobbe for turnuser som sikrer at folk får muligheten til å stå i heltidsstillinger. Vi vil jobbe mot midlertidig ansettelse, mot sosial dumping og for et Jeg tror at et systematisk arbeid på den måten, både i forhold til familiepolitikken, i forhold til arbeidsgiverpolitikken i det offentlige og et samarbeid med fagbevegelsen og partene i arbeidslivet om et likelønnsløft, er det som skal til – ikke dette forslaget fra Fremskrittspartiet. Denne saken handler i bunn og grunn om likelønn. en kamp som er blitt kjempet i over 100 år. I like lang tid har saken blitt forsket på, utredet, diskutert og debattert. Fremdeles er det et stykke vei å gå for å få til lik lønn for lik utdannelse og likt arbeid. Denne saken handler om at alle skal få uttelling for den utdanningen de har tatt. Det handler om at alle skal få mulighet til å forsørge seg selv og sikre en økonomisk trygghet for seg selv. Likelønn handler om rekruttering til yrker som er viktige for velferden i Norge. Men mest av alt handler likelønn om rettferdighet. Når det gjelder lønnsforhandlinger og likelønnspott, preges regjeringens politikk av gode intensjoner. Det er flott med gode intensjoner og god vilje. Regjeringen skal ha ros for at det er fremmet en likelønnsmelding for Stortinget, men det er faktisk kun konkret handling som fører oss til målet. Derfor savner jeg handlekraft til å gjøre noe konkret som faktisk fører oss nærmere målene om lik lønn og like muligheter.

Derfor er det helt avgjørende at arbeidslivet tilpasses familielivet, og ikke omvendt. Familien må stå i sentrum for å kunne sikre en trygg oppvekst for de minste og mest sårbare. Det må ikke komme dit hen at ungene, tid med unger og permisjoner er noe som framstilles som et hinder for likelønn og et godt arbeidsliv. Vi vet at mange kvinner blir hengende etter inntektsmessig som en konsekvens av fødsler og permisjoner. Det er et problem. Dette problemet finner ikke sin løsning i at kvinner slutter å føde eller slutter å ta ut permisjoner. Nei, løsningen må ligge i arbeidslivet. En del av løsningen kan finnes i Likelønnskommisjonens flertallsforslag om at arbeidstakere i foreldrepermisjon skal ha rett til gjennomsnittlig lønnsvekst. Kristelig Folkeparti mener det rettferdige ville være at alle fikk ta del i lønnsutviklingen som skjer på deres arbeidsplass mens de er i permisjon. En slik automatisk rett til lønnsjustering kan være et viktig virkemiddel for å jevne ut de negative lønnseffektene av foreldrepermisjoner. Dersom vi får til at arbeidstakere ikke får svekkede lønns- og arbeidsvilkår som følge

Grunnen til at jeg nevner dette, er at det støtter opp om det Kristelig Folkeparti er så opptatt av på dette området. Det er ikke med endringer i familielivet at likelønnsutfordringene skal løses. Det er først og fremst med endringer i arbeidslivet. Det er strukturer i samfunnet som hindrer likelønn mellom kjønnene. Det er helt avgjørende for norske familier at arbeidsgivere og samfunnet for øvrig legger til rette for et godt familieliv, og for at det skal være mulig å kombinere karriere, barn og familie på en god måte. På tross av stor grad av oppmerksomhet over tid er dessverre likelønnsutfordringene fortsatt store, og vi har fortsatt en jobb å gjøre.

Dette presiseres også når regjeringen møter partene i arbeidslivet. Jeg er glad for at flertallet i denne salen slår fast det i innstillingen. Det er også viktig i lønnsoppgjør at konkurranseutsatt industri legger lønnsoppgjøret. I hovedtariffoppgjøret for 2010 så vi at ulike tariffområder fant rom til likelønnsavsetninger. Avsetningene var innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Også i statlig sektor, der jeg har et ansvar, prioriterte vi likelønn. Selv om det i staten, i motsetning til i andre tariffområder, ikke er store kvinnedominerte stillingskategorier, klarte vi å finne løsninger og å prioritere likelønn. I staten jobber kvinner og menn i de samme stillingskategoriene. Det gir utfordringer når vi skal utforme likelønnstiltak i arbeidsgiverpolitikken.

tariffområdet har vi flere virkemidler vi kan bruke. I 2010 ga vi likelønns- og lavlønnstillegg på de generelle tilleggene. Vi hadde sentrale justeringer, hvor de kvinnedominerte utdanningsgruppene ble prioritert, og i de lokale forhandlingene ble partene enige om strenge føringer på hva de lokale forhandlingene skulle brukes til for å treffe Resultatet fra hovedtariffoppgjøret i staten i 2010 viser seg i statistikk innhentet 1. oktober 2010. Den viser at kvinner mottar gjennomsnittlig 94 pst. av menns regulativlønn. Korrigerer man for kjente variabler, som alder, utdanning, yrkeserfaring, ansiennitet og arbeidstid, har kvinner opp mot 99 pst. av menns regulativlønn. Vi ser at fra 1. oktober 2009 til 1. oktober 2010 er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn redusert med hele 16 pst. Så det har altså skjedd noe. Lønnsoppgjøret i 2010 bidro til å omfordele i overkant av 200 mill. kr til kvinner. Dette har bidratt til å redusere likelønnsgapet i det statlige tariffområdet. tariffområdet. Da hovedtariffoppgjøret i 2010 ble sendt til uravstemning hos hovedsammenslutningene, sa om lag 90 pst. av medlemmene ja til det framforhandlede resultatet. Det viser at vi lykkes. Tiltakene i hovedtariffoppgjøret bidro til å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. I mellomoppgjøret i 2011 ble partene enige om å videreføre de generelle tilleggene og de lokale forhandlingene. De generelle tilleggene i år har også hatt en likelønns- og lavlønnsprofil, og likelønnsføringene som ble avtalt i 2010, gjelder også for de lokale forhandlingene som skal føres i 2011. Også i KS, Spekter og Oslo kommune var det et spesielt fokus på likelønn i hovedtariffoppgjøret i 2010. Partene har vist at de klarer å finne løsninger på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Det dreier seg om å prioritere. Når forslagsstillerne viser til de såkalte kvinnedominerte lavlønnsyrkene, er dette primært grupper som hører innunder kommunesektoren, hvor arbeidsgiver er representert enten av KS eller Oslo kommune. Men det er mitt og regjeringens syn at partene i de ulike tariffområdene selv må finne løsninger på alle lønnsspørsmål. Vi legger derfor til grunn at partene vil fortsette å finne løsninger på bl.a. likelønnsspørsmål også i kommende statsoppgjør. Men det er viktig å ha fokus på at likelønnsspørsmålene også dreier seg om heltids- og deltidsproblematikk, det dreier seg om å ha gode velferdsordninger, og ikke minst dreier det seg om å ha fokus på utdanning og yrkesvalg. at vi har et så kjønnssegregert arbeidsmarked i Norge, er jo med på å skape de likelønnsutfordringene vi har, og det er derfor viktig at vi oppfordrer jenter til å gjøre utradisjonelle yrkesvalg. Det vil bidra til å utjevne lønnsforskjeller. Det blir replikkordskifte. Statsråden uttaler at likelønn er

då greidde man å skape eit inntrykk av – og store forventningar om – at dette var noko som regjeringa skulle ordne opp i, ein skulle sikre likelønn i Noreg. Dersom regjeringa altså er veldig oppteken av dette, så er mitt spørsmål: Kva vil statsråden og regjeringa gjere konkret – kva for initiativ vil ein ta – for å sikre likelønn for framtida?

Det er viktig at vi har gode velferdsordninger. Det er viktig at vi motiverer flere menn til å ta omsorgspermisjon, som vi nettopp har gjort gjennom å legge fram et forslag i Stortinget der vi utvider foreldrepermisjonen og bidrar til at flere fedre tar permisjon. Og, som jeg sa i mitt innlegg, jeg tror det er særdeles viktig at vi fortsatt har fokus på at flere kvinner kommer inn i mer mannsdominerte yrker. Det vil være viktige bidrag til å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i hele det norske samfunnet.

Løsningen ligger i arbeidslivet, og en del av løsningen kan altså finnes i Likelønnskommisjonens flertallsforslag om at arbeidstakere i foreldrepermisjon skal ha rett til gjennomsnittlig lønnsvekst. Er statsråden enig i dette flertallsforslaget, og hva kan regjeringen bidra med for at arbeidstakere i foreldrepermisjon kan få rett til gjennomsnittlig

aktuelle sektoren der arbeidstakeren er ansatt. Men det vi ser – og som er viktig når det gjelder likelønn – er at det er en god del strukturelle endringer nå som er veldig positive for kvinner. I staten slutter 10 pst. av alle arbeidstakere i løpet av ett år. De mennene som begynner, begynner i samme lønnskategori som de mennene som slutter, mens kvinnene begynner i langt høyere lønnskategorier. Det er med på å redusere gapet mellom kvinnelønn og mannslønn betydelig, og jeg tror det er viktig at vi har fokus på den type tiltak også i tiden framover. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

I merknadene som ligger fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Høyre, vises det innledningsvis til den avtalen som er inngått mellom Arbeiderpartiet og Høyre om hvordan datalagringsdirektivet og en del personvernspørsmål i den anledning vil bli behandlet videre. de andre partiene tok i hovedsak utgangspunkt i to ting. Det ene var at mye av det som kom fram i forslaget og debatten knyttet til knyttet til det, ble tatt i forbindelse med debatten om datalagringsdirektivet. Det andre var at vi så på de av forslagene som ble fremmet – som ikke inngikk som en del av avtalen mellom Arbeiderpartiet og Høyre, som vi fullt ut kommer til å behandle i Stortinget på et senere tidspunkt – som gode innspill til debatten som kommer, innspill fra opposisjonen til det arbeidet som nå gjøres fra regjeringens side om en stortingsmelding om personvernet. En god del av forslagene som ligger her, blir fremmet av mindretallet, fra Fremskrittspartiet og Høyre. fra Fremskrittspartiet og Høyre. Fra resten av partienes side har vi valgt å se på debatten i denne saken og de konkrete innspillene og forslagene som kommer, som innspill til stortingsmeldingen som vi senere skal behandle. Vi kommer i løpet av denne debatten til å lytte til de innspillene som Høyre og Fremskrittspartiet tar opp i forslagene, lytte til argumentasjonen i den forbindelse, og viser for øvrig til at vi skal ha en bred debatt om dette senere i forbindelse med

Forslaget som vi behandler i dag, peker på en rekke samfunnsområder der det er grunn til å være opptatt av folks rett til privatliv, til innsyn i og eierskap til egne personopplysninger. Forslaget ble fremmet før Stortinget behandlet datalagringsdirektivet, og mange av de temaene som tas opp, ble derfor berørt i de forhandlingene og den avtalen som ble inngått mellom Arbeiderpartiet og Høyre. I avtalen la vi vekt på en helhetlig tilnærming til personvernområdet, og på å finne fram til balanserte løsninger, løsninger som avveier prinsippet om retten til et privatliv med samfunnets behov for regulering. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om personvern. Det er jeg glad for. Det er viktig at Stortinget får anledning Ulike faktorer, særlig den teknologiske utviklingen, utfordrer personvernet. Det blir stadig enklere, både for private aktører og for det offentlige, å lagre personopplysninger – store mengder opplysninger kan lagres, og det er ofte både billigere og enklere å la opplysningene forbli lagret enn å slette dem. Det kan også være nærliggende å benytte opplysninger lagret for et formål til et annet. Det er et myndighetsansvar å sikre en nødvendig motvekt til denne utviklingen gjennom lovgivning som pålegger sletting, og som krever en solid begrunnelse for all lagring av personopplysninger ved å sikre den enkelte rett til å vite hva som er lagret, gjennom tilsyn. Skal vi sikre folks personvern, må det offentlige ta et aktivt ansvar. Samtidig er staten også en aktør. Det sier seg selv at staten også selv må være varsom med å samle inn, lagre og sammenstille personopplysninger. Når det gjelder det konkrete innholdet i de opprinnelige forslagene fra enkeltrepresentantene fra Høyre, er noe allerede en del av dagens lovverk, annet er gjeldende praksis. I tillegg er det varslet at flere av forslagene vil bli drøftet i stortingsmeldingen. Jeg vil derfor nøye meg med å kommentere et par av forslagene som fremmes av Fremskrittspartiet og Høyre, og som det vil bli votert over her i dag. Når det gjelder skattelister, er det noe Stortinget har diskutert flere ganger. Finansdepartementet sendte i januar ut på høring et forslag om innstramming av måten skattelister offentliggjøres på. Forslaget vil begrense den kommersielle bruken av skattelister. Det vil være et viktig bidrag til å styrke personvernet. Forslag Det framgår av statsrådens svarbrev til komiteen at bompengeselskapene ikke utleverer passeringsopplysninger til likningsmyndighetene, og at regjeringen vil vurdere å begrense mulighetene for slikt innsyn. Jeg ønsker en slik vurdering velkommen, men vil samtidig understreke at organisert kriminalitet og en betydelig svart økonomi er et stort problem i hele Europa. Til slutt vil jeg kommentere en generell problemstilling som jeg mener Ved første øyekast virker det fornuftig å logge eller loggføre hvem som henter ut opplysninger fra offentlige registre. Men er det ikke et paradoks at man i ønsket om å styrke personvernet tar til orde for å etablere en rekke nye registre med personopplysninger? For å ta et eksempel: Dersom det offentlige skal registrere alle som søker på Kjell Inge Røkkes og Jens Stoltenbergs skatteopplysninger, slik Høyre og Fremskrittspartiet ønsker, etableres det samtidig et nytt register med personopplysninger – en liste med hvem og når og hvorfor. Det er ikke uproblematisk. Kan det ikke tenkes at opplysningene i denne nye loggen er like følsomme som de som inngikk i de opprinnelige skattelistene? Og er det ikke slik at to offentlige registre dobler risikoen for at opplysninger kommer på avveier? Og hvordan skal det logges hvem som leser loggen – ser man for seg et tredje register, loggen over loggen? Det virker som en besnærende løsning å sørge for at alle som henter ut personopplysninger fra offentlige registre, registreres. Det er et lite gjennomtenkt forslag. Etter mitt syn risikerer man det stikk motsatte av det som er intensjonen, en svekkelse av personvernet. Eg viser til at komiteen har merka seg statsråden si vurdering, og

som innspel på område som ein ønskjer belyst i meldinga. Eg vil avvente debatten til vi får meldinga, og ser ingen grunn til å seie så veldig mykje meir no, anna enn at eg tek opp forslaga som Framstegspartiet har saman med Høgre. Representanten Åge Starheim har tatt opp de forslag han refererte til. Det er riktig, som påpekt av tidligere talere, at vi har

debattene i deres konklusjon ofte går ut på å strø sand på en villet teknologisk utvikling – og dette at vi har sterke drivere som vil ta i bruk i og for seg effektive systemer, men som altså har den haken ved seg, at det utsetter den enkelte for risiko for at opplysninger kommer på avveier. Det er den enkelte som må bære belastningen ved systemsvikt, og når systemene svikter, hører vi at det egentlig ikke er det tekniske ved dem som har sviktet, men det menneskelige ved dem, og at det var mennesker som slumset og glemte minnepinner eller andre lagringsmedier, i vanvare eller ved direkte illojalitet. Man kan vel kanskje også si at hvis det er menneskelig svikt, så er det jo faktisk også en systemsvikt, for det er jo systemet som tillater at opplysningene er blitt samlet. Jeg skal bare redegjøre for forslagsstillernes initiativ litt summarisk, tatt i betraktning hvor langt vi har kommet i debatten i dag. Men grunnpilaren er at den som blir omtalt, og som blir registrert, skal ha maksimal kontroll og eierskap til egne opplysninger. Det står i Grunnloven om personvern. Så skal opplysningene begrenses til det formålet de er innhentet for, og de opplysningene det dreier seg om, skal være minimale når det gjelder å tjene sitt formål. formål. Så skal det være sikkerhet rundt oppbevaringen av opplysningene. Vi har også vært inne på forslag som ble problematisert av representanten Haugli, forslag som jeg innrømmer absolutt kan og bør problematiseres, om vi ikke da velger virkemidler som gjør at man får paradokser av den typen som representanten var inne på, hvilket kanskje tilsier at man klarer seg uten offentliggjøring offentliggjøring i mediene i det hele tatt, altså i elektroniske medier. Men det er en diskusjon vi får komme tilbake til. Dessuten har jeg også merket meg at mange nå ser frem til den bebudede stortingsmelding om personvern, som etter hva jeg forstår i stor grad vil basere seg på Personvernkommisjonens innstilling som la etter seg et godt arbeid, som i hvert fall var i stand til å vitalisere debatten. Jeg vil på tampen gjøre oppmerksom på at mens vi diskuterer, går den teknologiske utvikling videre. Når det gjelder disse forslagene, kan jeg da varsle en dagfersk problemstilling, og den er knyttet til det såkalte EDAG-prosjektet, altså Elektronisk Dialog med Arbeidsgivere, som er et felles prosjekt igangsatt av landets fire største sankere og brukere av informasjon, om individene i samfunnet og bedriftene. Det dreier seg om SSB, Nav, Brønnøysundregistrene og med Skatteetaten i førersetet. Verktøyet de bruker, er

debatterer, har vi altså et ganske kraftfullt teknokratisk byråkrati som ikke tar det så nøye med personvernhensynene – og så flommer disse forslagene innover oss. Det hadde vært utmerket hvis statsråden hadde tatt det med i sin vurdering når hun fremmer personvernmeldingen. Når vår rett til privatliv utfordres, er hvert enkelt inngrep og – og så flommer disse forslagene innover oss. Det hadde vært utmerket hvis statsråden hadde tatt det med i sin vurdering når hun fremmer personvernmeldingen. Når vår rett til privatliv utfordres, er hvert enkelt inngrep og tiltak ofte begrunnet i ønsket om noe godt, enten det er å bekjempe og oppklare kriminalitet, gi oss større trygghet i hverdagen eller å sørge for at vi får de rettighetene vi har krav på. Men

Det er viktig å presisere at en egen melding om personvernet ikke er noe Høyre har oppnådd gjennom forhandlingene med Arbeiderpartiet om datalagringssaken, men det er en melding som regjeringen ville lagt fram uavhengig av den debatten, fordi det er behov for en samlet gjennomgang av personvernet. Senterpartiet ser fram til å få stortingsmeldingen om personvern til Stortinget, og mener det er viktig at man har Benjamin Franklins ord i tankene når man utarbeider meldingen: «Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet.» Frihet og retten til privatliv når man ser muligheter til å skape ordnede og trygge samfunn ved hjelp av teknologi. Teknologien må brukes på en måte som løfter fram friheten – ikke på en måte som begrenser den. Personvernet er

Jeg er skeptisk og kritisk til den stadig mer omfattende overvåkingen, registreringen og kontrollen. Jo mer informasjon som lagres, jo større muligheter gir det for misbruk og informasjonslekkasjer. Hvilke garantier har vi for at informasjon ikke misbrukes? Framveksten av informasjonssamfunnet krever at vi har en tydelig og prinsipiell holdning dette. Hva er menneskeverd? Hva er den enkelte borgers rettigheter? Hvordan forholder vi oss til en informasjonsflyt som mer og mer utfordrer enkeltindividets rett til privatliv? Denne våren har personvernet blitt presset flere ganger. Datalagringsdirektivet er ett eksempel som kan trekkes fram, og de lovendringene som store deler av Høyre og hele Arbeiderpartiet støttet, rokker ved noen av våre grunnleggende personvernprinsipper. Vi blir stadig møtt med liknende problemstillinger. Nye saker vil dukke opp, og i mange saker vil det være gode grunner for å innføre strengere kontroll. Hensyn må alltid avveies, men dersom vi ikke har et bevisst forhold til personvernprinsipper,

kan gjøre at en går i en retning ingen egentlig ønsker og til et samfunn der menneskeverdet krenkes. Til Høyres forslag har jeg lyst til å si at jeg synes mange av dem er gode og helt klart forslag som Kristelig Folkeparti vil støtte opp om – spesielt forslagene som går på styrking av vernet av personsensitive opplysninger, bedre logging av den som innhenter personopplysninger, styrking av den enkeltes rett til innsyn i loggen knyttet til sin person. Jeg har merket meg at regjeringen ønsker å invitere Stortinget til en helhetlig og samlet drøfting av personvernspørsmål, og at det samtidig varsles at det vil komme en egen melding til Stortinget om personvern. En slik melding er spesielt nå som flere store saker som har svekket personvernet, har blitt vedtatt i Stortinget. Jeg ønsker derfor både drøftingen og meldingen velkommen, og forventer også at de forslagene som debatteres nå, blir belyst i denne meldingen. Denne saken viser med all tydelighet hvor omfattende personvern er.

Nesten uansett hva vi gjør, etterlater vi oss personopplysninger som blir behandlet i ulike sammenhenger. Vi betaler med ulike elektroniske betalingsmidler i kollektivtrafikken, i bomringen og i butikken. Vi bruker mobiltelefon og pc mange ganger, på ulike steder, i løpet av en dag. Vi besøker lege og tannlege, vi låner bøker på biblioteket, og vi benytter offentlige tjenester. Og ikke minst er vi storforbrukere av sosiale medier, vi oppdaterer status og sjekker inn oppholdsstedet vårt på Facebook, vi twitrer og blogger om de mest intime detaljer i livet vårt. Overalt legger vi igjen spor som viser hvor vi var, når vi var der, og hva vi gjorde. Som forslagsstillerne er jeg også opptatt av det ikke skal samles inn og lagres flere opplysninger enn det som faktisk er nødvendig, at opplysningene blir tilstrekkelig sikret, og at de ikke blir misbrukt eller gjort tilgjengelig for utenforstående. Jeg er glad for initiativet fra

i en rettsstat, og at det må være grenser for hvor langt inn i den enkeltes private sfære både offentlige myndigheter og private virksomheter kan gå. Likevel må personvern veies mot andre interesser. Hensynet til effektivitet, trafikksikkerhet, god helse og kriminalitetsforebygging, for å nevne noe, må veies mot hensynet til borgernes personvern og privatlivets fred så vel som samfunnets ønske om et begrenset kontroll- og overvåkingsnivå. Ved ivaretakelse av ulike samfunnshensyn gjelder det å finne løsninger som i minst mulig grad griper inn i borgernes personlige interessesfære. Vi må ivareta én samfunnsinteresse uten å ofre en annen. Samtidig og stadig oftere framsettes forslag om logging av innsyn og uthenting av personopplysninger i forskjellige personregistre. Loggen skal avdekke uønsket eller uautorisert tilgang til opplysninger og framheves som et personvernfremmende tiltak. Logging av hendelser i personregisteret er ikke først og fremst et personverntiltak, men et sikkerhetstiltak. Det er et kompenserende tiltak i situasjoner der tilgangskontroll ikke har fungert tilfredsstillende. Personvern er en viktig rettsstatsverdi. Vi må arbeide for godt personvern og personvernvennlige løsninger i både privat og offentlig virksomhet. I førsteprioritet må være å utvikle gode systemer som forhindrer at uvedkommende får tilgang til personopplysninger. Vi må erkjenne at feil kan skje, og at noen kan misbruke sin rettmessige tilgang til opplysninger til å snoke i informasjon de ikke har tjenestlig behov for. Da er logg et verktøy som kan bidra til å ivareta de registrertes interesser når feil skal En annen personvernvennlig løsning kan være at det til den registrerte sendes gjenpart av personopplysninger, som utleveres til de eksterne. Dette har vært gjeldende rett i kredittopplysningssammenheng i mange år. Samtidig må vi tenke oss godt om før vi pålegger gjenpartsplikt ved utlevering av opplysninger fra alle offentlige registre, for det kan fort bli en stor mengde informasjon for de registrerte å forholde seg til. Når det gjelder konkret gjenpartsplikt ved innsyn i skattelistene, er dette nylig vurdert i forbindelse med en lovsak som jeg forsto ble behandlet i denne salen bare for noen dager siden. Konklusjonen er at det ikke bør knyttes varslingsplikt til bruk av offentlig innsynsrett. Jeg registrerer at forslagsstillerne er opptatt av personvern for barn og unge. Det er bra. Forslagsstillerne ønsker at utveksling av opplysninger mellom institusjoner som har ansvar for barn, som barnehage og skole, skal skje etter de foresattes samtykke. Det er heldigvis hovedregelen allerede. Opplysninger om barn i barnehage kan ikke overføres til skolen uten at de ansattes taushetsplikt er opphevet. Regjeringen arbeider med en melding til Stortinget om personvern. Meldingen skal være en bred oppfølging av Personvernkommisjonens rapport og vil gi uttrykk for regjeringens valg og prioriteringer på personvernområdet i form av felles føringer for personvernarbeid i ulike Jeg gleder meg til vi skal legge fram denne meldingen til neste år, og skal ta med meg de innspillene som har kommet i forbindelse med forslaget, og grundig vurdere dem i vårt videre arbeid. Ingen har bedt om ordet til replikk. Flere har heller ikke bedt om ordet til sak nr. 14. Ingen har bedt om ordet. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at debatten begrenses til 1 time og 20 minutter, og at taletiden fordeles slik: Arbeiderpartiet 25 minutter, Fremskrittspartiet 15

Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter. Det foreslås videre inntil 10 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter hovedtalerne fra hver partigruppe og inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen

som finansieres med 860 mill. kr i økt målpris og 365 mill. kr i tilskudd over statsbudsjettet. Resten av inndekningen er overførte midler fra 2010 og økt verdi av jordbruksfradraget. Et viktig element i årets oppgjør er at regjeringen foreslår å fjerne 2012. Det vil gi en avgiftslette i størrelsesordenen 280 mill. kr for norskproduserte jordbruksvarer med virkning fra 1. januar, og det er dette som skaper grunnlaget for at partene er enige om målprisøkninger fra samme dato. Men for industrien betyr dette totalt sett en avgiftslette på over 600 Og jeg må si at jeg undrer meg litt over at vi ikke har hørt mer jubelrop fra verken industrien eller opposisjonen over at denne særnorske avgiften på matproduksjon nå faller bort. Avtalen forutsetter videre at landbruket nå må betale full medlemsavgift til folketrygden, dvs. at medfinansieringen gjennom avtalen Det kompenseres ved tilsvarende inntektsgivende tiltak innenfor avtalen og ved at jordbruksfradraget økes innenfor en provenyramme på om lag 120 mill. kr. Det er verdt å merke seg at skogbrukere som ikke driver i kombinasjon med jordbruk, ikke får nyte godt av dette, og det er derfor enighet om å øke avsetningen til skogbruk og bioenergi over Landbrukets utbyggingsfond som en den opptrappingen av muligheter for økt lønnsomhet i jordbruket som startet i 2006. Den sterke distriktsprofilen fra fjorårets oppgjør blir videreført, men ikke ytterligere forsterket. Kornproduksjon er prioritert i dette oppgjøret, dette for å underbygge behovet for at det blir produsert mat- og fôrkorn på de beste arealene – «et historisk godt kornoppgjør», som lederen i Østfold Bondelag uttalte avtalen forelå. Ja, det er verdt å merke seg at det stimuleres til økt kornproduksjon ved at arealtilskuddet økes, det kompenseres for økning i gjødselprisene, målprisen for mat- og fôrkorn er økt, prisnedskrivningstilskuddet er økt, og bevilgningen til stedsfrakttilskudd for kraftfôr er styrket. Det er også enighet om å innføre et tilskudd for beredskapslagring av Kanaliseringspolitikken er en viktig mekanisme som sikrer at det blir produsert mat- og fôrkorn på de beste arealene, og melk og kjøtt ute i distriktene. Da får vi mest mulig ut av våre samlede ressurser. Og når beitenæringen blir prioritert, slik vi har gjort siden 2006, får vi også opprettholdt kulturlandskapet som en effekt av matproduksjonen.

i. Så er det selvfølgelig slik at skal vi opprettholde et landbruk over hele landet, må vi innse at vi må ha en variert bruksstruktur, tilpasset de ulike rammebetingelsene som naturen og geografien gir. Vi vil heller ikke lykkes uten at det er vilje til også å bruke budsjettmidler, i tillegg til at landbruket må ta en betydelig andel av inntekten fra markedet.

Som eksempel er det interessant å nevne vår import av storfekjøtt fra Swaziland. Regjeringen åpnet der for en importkvote på 500 tonn storfekjøtt for noen år siden. Her er det nå en positiv utvikling på gang, som har meget stor betydning for småbønder i Swaziland, noe jeg selv har registrert ved et besøk. Når det gjelder økonomien i landbruket, mener vi i Arbeiderpartiet at det er i melkeproduksjonen at utfordringene er størst. Her kommer også de tyngste investeringsbehovene. Måten å organisere produksjonen på vil variere fra bruk til bruk og fra område til område. Samdrifter kan være en glimrende måte å organisere produksjonen på for mange, først og fremst kanskje der det er små bruk, mens det i andre områder er å foretrekke å bygge ut på basis av tilleggskjøp og leie Men dette vil variere mye. Det er viktig at brukeren selv gjør disse avveiningene på basis av egen kompetanse, økonomi og lokale muligheter. Jeg er ikke tilhenger av at vi som politikere skal drive og misjonere for den ene eller andre måten å organisere produksjonen på, men det er viktig at vi som politikere legger forholdene til rette, slik at bonden kan ta de valgene som er riktige ut fra eget ståsted.

Ellers er det vanskelig å snakke om beitenæringen uten å komme inn på de utfordringene vi har med rovdyr i noen av beiteområdene. Selv om dette er et saksfelt som ligger til en annen komité, har det så absolutt med mulighetene for å drive næring i enkelte distrikter å gjøre. Jeg håper inderlig at de forsøk som nå gjøres på parlamentarisk ledelsesnivå, må føre fram til et bredt forlik, et forlik som, etter mitt skjønn, bør føre til at det etablert en mer effektiv rovdyrforvaltning. Så må selvsagt beitenæringen gjøre sitt for å unngå at beitende husdyr blir eksponert for rovdyr i større grad enn nødvendig. Tilskuddet til organisert beitebruk er da også økt i denne avtalen. Når det gjelder selve jordbruksforhandlingene som forhandlingsinstitutt, registrerer jeg med tilfredshet at det nå er et bredt flertall her i huset som slår ring om dette, og at det og at det nå bare er Fremskrittspartiet som er imot at landbruket skal ha en slik avtale. Høyre og Fremskrittspartiet har i en felles merknad manet til forsiktighet ved at for stor del av kostnadene ved jordbruksoppgjøret blir tatt ut i pris. Dette er det grunn til å merke seg. Det er interessant at de to partiene som har arbeidet for en sterkere markedsorientering av økonomien, plutselig er så skeptiske til at markedet skal fungere. Men jeg regner med at det er her de to partiene flagger det som måtte komme ved en eventuell regjeringsovertakelse, nemlig betydelige kutt i avtalen, for jeg tror ikke bonden skal ta for gitt at de to partienes forsiktighet når det gjelder pris, blir kompensert med tilsvarende økning i budsjettstøtten. Det vitner ikke de to partienes budsjettforslag om. Jeg tror derfor det er avgjørende viktig for landbruket

Vil Arbeiderpartiet legge inn et krav i landbruksmeldingen om at pelsdyrnæringen avvikles, og hvilken pris har man satt på omstillingen for næringen, hvis man legger den ned? Arbeiderpartiet har ikke satt noen pris på den jobben som skal gjøres. Forholdet til pelsdyr

Mitt spørsmål er: Kan Arbeiderpartiet nå garantere at landbruksmeldingen kommer til Stortinget til høsten, som lovet? Arbeiderpartiet legger til grunn at meldingen blir lagt fram til høsten, slik det er kunngjort. Noe annet har ikke jeg å kommentere til dette. Jeg vil gå litt tilbake til avslutningen i representantens innlegg. Han henviste til en merknad fra

I jordbruksforhandlingene sitter det to parter og forhandler om målpriser. Det betyr at en tar det ut i pris. Er representanten enig i at dette ikke er markedsøkonomi, men så nært planøkonomi en faktisk kan komme? Det partene i jordbruksforhandlingene avtaler, er målpris, og den oppnår man hvis hvis næringen oppnår de prisene i markedet som de har forutsatt i avtalen. Det er konsekvensen av målprisfastsettelsen. Det er, som representanten kanskje vet, ikke alltid at man oppnår den målprisen i markedet som man har avtalt

Vi vil arbeide for at bonden skal få utviklingsmuligheter framover. En robust landbruksnæring bidrar til å nå viktige mål om en fortsatt betydelig norsk matvareproduksjon, differensiert bosetting og vakkert kulturlandskap. Vi mener at landbruket, i likhet med f.eks. reiselivsnæringen og fiskerinæringen, har stor betydning for å sikre en positiv utvikling i mange lokalsamfunn. Vi registrerer at omstillingen i landbruket fortsetter. Det er anslått at 36 000 gårdsbruk med bolig står tomme, mange står til forfalls. Det er viktig og nødvendig med omstilling til større og mer effektive enheter for å sikre at jordbruksnæringen blir mer framtidsrettet og mindre avhengig av overføringer, og vi mener at jordbrukspolitikken bør legge bedre til rette for dette. Det er prinsipielt betenkelig at enkeltnæringer forhandler egne rammevilkår direkte med staten og inngår avtaler med store økonomiske konsekvenser utenom den ordinære budsjettbehandlingen. De budsjettbehandlingen. De årlige vedtak om jordbrukets rammebetingelser er ikke et lønnsoppgjør, men en fastsettelse av muligheter for å skape inntekter. De betydelige avvik som er mellom lovet inntektsutvikling i jordbruket i de enkelte oppgjør og oppnådd utvikling, viser at beregningsgrunnlaget som legges til grunn for oppgjøret, er heller tynt. Fremskrittspartiet vil at bønder, som andre næringsdrivende, skal ha ansvar for egen verdiskaping ut setter, og det er viktig å gi landbruket nye muligheter til å utvikle seg og redusere avhengigheten av offentlig støtte. For at behandlingen av oppgjøret skal kunne ses i sammenheng med andre politiske prioriteringer, synes jeg det er ryddig at oppgjøret behandles i forbindelse med statsbudsjettet og følger kalenderåret. Staten skal fortsatt gi økonomisk tilskudd til landbruket, men slike tilskudd må være mer målrettede og mindre byråkratiske enn i dag. Fremskrittspartiet ser det som sentralt å styrke bondens eiendomsrett til eget bruk, ved bl.a. å fremme forslag om å oppheve boplikt. Boplikten er til hinder for framtidsrettet utvikling av jord- og skogbruk i Norge, og det er ikke dokumentert at den bidrar til bosetting. Prisreguleringen gir i mange tilfeller kunstig lave priser og er til hinder for omsetning og øker risikoen knyttet til investeringer på gården. Stor avstand mellom markedspris og regulert pris skaper også et grunnlag for tilfeller der deler av Vi mener det er et grovt inngrep i eiendomsretten at staten tvinger folk som vil selge gården, til å ta en lavere pris enn det kjøper er villig til å betale. Fremskrittspartiet stiller seg sterkt kritisk til den landbrukspolitikken som den rød-grønne regjeringen fører, og kan derfor ikke på noen måte stille seg bak den framforhandlede jordbruksavtalen. Den nye avtalen legger ikke opp til ny retning i landbrukspolitikken – dette til tross for at det er et stort behov for en kursomlegging av landbrukspolitikken. Til tross for at den rød-grønne regjeringen varslet en kraftig omlegging av landbrukspolitikken da den kom til makten, har ikke dette skjedd. Også i år var det et stort sprik mellom det kravet som ble framlagt av bondeorganisasjonene, og det tilbudet som kom fra staten. Den framforhandlede avtalen ligger på ca. halvparten av det opprinnelige kravet fra organisasjonene. Det må innføres et normalt markedsbasert system for landbruksprodukter som styres av tilbud og etterspørsel. Ved underdekning i markedet vil produsenten kunne ta en høyere pris, mens forbruker kan velge andre produkter dersom prisen på et produkt er for høy. Da vil prisene på produktene variere i takt med markedet, og produsentene må være markedsorientert i sin produksjon. I en situasjon som i dag, hvor forbrukerne etterspør mer enn det norske bønder kan produsere, vil et markedsbasert system bidra til en høyere produksjon. I et markedsbasert system vil det oppstå konkurranse mellom produsentene, noe som fører til bedre produkter, innovasjon og mer kostnadseffektiv produksjon. Dette vil bidra til bedre inntektsmuligheter for produsenter som er dyktige, som er innovative, og som er gode forretningsmenn. Fremskrittspartiet vil påpeke at markedsbaserte systemer fungerer i alle andre markeder, og at det derfor ikke er noen grunn til å unnta landbruket fra Den kraftige nedgangen i antallet bønder og bruk vil fortsette i de kommende årene og antakeligvis med økt kraft. Aktørene i landbruket har liten framtidstro, og tilliten til regjeringens landbrukspolitikk er på et lavmål. Den landbrukspolitikken som har vært ført gjennom mange år, er et sosialistisk eksperiment som har bidratt til at den norske bonden er blitt fanget inn i et nett og et system som det nå er tilnærmet umulig å komme ut av. Landbrukspolitikken er preget av en sterk etter å regulere næringen helt ned til den minste detalj, og hvor offentlige byråkrater og et særdeles detaljert regelverk har tatt over styringen av hvordan utviklingen i landbruket skal skje. Den styringen som den enkelte bonde skal ha over egen eiendom og arbeidsplass, er blitt borte, og bøndene er i dag mer å anse som offentlig ansatte og utøvere av en offentlig politikk enn som selvstendig næringsdrivende. Dette har ført til at kreativitet, satsingsevne og ønske om å ta risiko nærmest er blitt fraværende i store deler av landbruket. Jeg finner det merkelig at både landbrukets organisasjoner og Senterpartiet støtter opp om en politikk som fører til stadig færre bønder og stor misnøye rundt inntektssituasjonen og utviklingsmulighetene blant aktørene i næringen. Det blir derfor viktig å påpeke at jordbruksavtalesystemet har blitt så innviklet og komplisert at det er få utenom det sentrale byråkratiet i Landbruks- og matdepartementet som har mulighet til å sette seg inn i alle systemets sider og forstå det fullt ut. dette formålstjenlig. Det kan være skadelig for annen eksportindustri, bl.a. fisk, når man setter en melketoll på svimlende 436 pst. Norge må belage seg på at det vil bli redusert importvern i kjølvannet av den internasjonale utviklingen gjennom WTO-forhandlingene. Utviklingen bærer bud om gradvis økt konkurranse for norske har ikke norske myndigheter lagt noen plan for hvordan det norske landbruket skal møte en slik utvikling. Dette er svært kritisk. Resultatet kan bli at det norske landbruket får seg en blåmandag når resultatet fra WTO-forhandlingene blir kjent. Vi må få en ny utvikling av en robust produksjon, basert på markedsøkonomi. Matkjedeutvalget la for en liten som skulle si noe om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Dette ble dessverre et politisk bestillingsverk der man ikke tok med dem som virkelig styrer matprisene i landet, nemlig monopolistene og markedsregulatorene Tine og Nortura. Nesten ingenting fungerer i den norske vanstyrte, sosialistiske landbrukspolitikken. Vi har verdens dyreste mat, med verdens dårligste utvalg, noe landbruksminister Lars Peder Brekk er strålende fornøyd kan det ikke bli når markedet er styrt av en regulator og monopolist som styrer alt, som f.eks. i kyllingbransjen. Rigide regler gjør bl.a. at man må stenge ned kyllingproduksjonen i store deler av året. Ole Robert Reitan fortalte følgende historie på et frokostmøte, arrangert av Civita, om et møte med monopolisten og regulatoren Nortura: Han hadde først hatt møte med kyllingprodusenter, som var fornøyde med at de hadde økt klekkeprosenten slik at lønnsomheten gikk opp. Det er selvfølgelig viktig for en bonde å få opp klekkeprosenten, for det er der inntekten kommer, Det er selvfølgelig viktig for en bonde å få opp klekkeprosenten, for det er der inntekten kommer, og det er da han får mer kjøtt å selge. Dette fortalte han til Nortura på et møte, som kommenterte at det ikke var ønskelig for Nortura, for da ble det produsert mer egg, og prisen ville bli lavere. Hvis vi går tilbake til november i fjor, hadde Nortura et stort overskudd på svinekjøtt. Men så startet kjedene priskrig på ribbe. Hva skjedde? På to uker var vi fri for ribbe i Norge og måtte redusere tollvernet for å importere ribbe fra andre land, samtidig som regjeringen tillot at det ble dumpet norsk ribbe i Ukraina til under 10 kr per kg. Markedsregulator Nortura hadde eksportert – eller på godt norsk dumpet – nær 2 000 tonn svinekjøtt. Landbruksministerens reaksjon på at folk flest kunne unne seg litt billig ribbe, var at han på spørsmål fra undertegnede fra Stortingets talerstol uttalte at han mente det var «uetisk» å betale under 14 kr kiloen for svinekjøttet. Hvor er etikken når landbruksministerens politikk fører til at man dumper kjøttet i Ukraina for godt under 10 kr kiloen og ikke 14 kr? Regjeringen Stoltenberg er tydeligvis mer opptatt av å subsidiere billig mat i Ukraina enn å føre en riktig, god landbrukspolitikk. Det er ikke akkurat en forbrukervennlig politikk vi ser fra regjeringen i dag.

Vi har en grensehandel som ifølge SSB er på 10,5 mrd. kr, og som ifølge Svenska Handelsinstitutet har nådd svimlende 20 mrd. kr. Så hva er rett, og hva er galt? Jeg tror vi må ta inn over oss at kanskje SSB har et litt for lavt tall når man ser hva andre kommer med. Her har vi store tap av industriarbeidsplasser – i størrelsesorden 10 000–15 000 arbeidsplasser som går bort. Den nye landbruksmeldingen viser seg å være et stort problem for regjeringen Stoltenberg. Liv Signe Navarsete uttalte i Den nye landbruksmeldingen viser seg å være et stort problem for regjeringen Stoltenberg. Liv Signe Navarsete uttalte i Nationen i går at landbruksmeldingen ikke bare er viktig for Senterpartiet – den er viktigst. Intern krangling om man skal avvikle pelsdyrnæringen, og rovdyrforlik er noen av temaene. Regjeringen viser politisk feighet ved å utsette meldingen til etter valget i 2011. Jeg tar med dette opp Fremskrittspartiets forslag.

I en merknad argumenterer Fremskrittspartiet med at det er viktig å få ned de skyhøye avgiftene på mat i Norge, og ber regjeringen intensivere arbeidet med å redusere dem betraktelig. Har ikke Fremskrittspartiet fått med seg at regjeringen har lagt inn som en forutsetning at matproduksjonsavgiften fjernes i sin helhet fra 1. januar 2012, og at det betyr en avgiftslette i størrelsesorden 600

Framstegspartiet skriv i ein merknad at landbrukspolitikken ikkje lenger skal vere ein del av distriktspolitikken. Det skjøner eg jo godt. Med dei dramatiske kutta som dei gjer, er det ikkje noko igjen til distriktspolitikk. Mitt spørsmål til representanten Trældal er: Reknar han med å få dei andre borgarlege partia med på ei slik rasering av landbruket og landbrukets distriktspolitiske verknad? Når det gjelder rasering av landbruket, har ikke Fremskrittspartiet vært i regjering. Derimot har har SV vært i regjering, og vi ser at det har blitt 36 000 færre bruk. Vi ser at bøndene taper inntektsmuligheter, vi ser at fraflyttingen aldri har vært så stor, og vi ser at matprisene aldri har steget så mye. Så den eneste muligheten for den norske bonden er faktisk å få et snarlig regjeringsskifte, slik at man får de rammebetingelsene og den forutsigbarheten som man trenger. har tatt fra bonden muligheten til å være forutsigbar. Det finnes ikke forutsigbarhet. Det kan vi gi mange eksempler på. Man starter opp én støtteordning ett år – borte neste år. Det er ikke noen langsiktighet i dette. Det jeg kan love representanten, er at når vi kommer i regjering i 2013, vil bonden få bedre inntekt og mer

Fremskrittspartiet foreslår imidlertid å kutte budsjettstøtten til landbruket med 7,7 mrd. kr. Dette svarer til en inntektsnedgang på 140 000 kr per årsverk. Veldig mange av de landbrukspolitiske ordningene vi har, er innrettet mot å styrke konkurransekraften til distriktsjordbruket og utjevne de produksjons- Mitt spørsmål til Fremskrittspartiet er derfor: Hvordan skal Fremskrittspartiet opprettholde landbruket i distriktene, når de tar bort alle virkemidlene for nettopp å sikre denne delen av landbruket? Hvis representanten har lest merknadene – hun bør ha lest merknadene og sett helheten i dem, for skal en se på Fremskrittspartiets merknader, må en se på helheten – ville hun sett at vi har en annen måte å styre landbruket på.

vi skal faktisk la bonden være en selvstendig næringsdrivende, ikke slik som regjeringen gjør i budsjettet – å gjøre ham til en statsansatt og til en person som ikke får lov til å bestemme over egen jord, ikke får bestemme over egen avling, og for den saks skyld ikke får bestemme når han skal gå på jobb. Replikkordskiftet er omme. Komiteens behandling av årets jordbruksoppgjør viser at det er en grunnleggende enighet om betydningen av den

og et jordbruk som på sikt kan være mer konkurransedyktig og mer robust i forhold til den globalisering og internasjonalisering som uvegerlig vil følge, både av fremtidige WTO-avtaler – når de måtte komme – og en etter hvert nedbygging av internasjonale tollmurer. Vi ønsker også en lønnsom norsk foredlingsproduksjon, også basert på norske råvarer. Alle disse gode målsettingene betinger at vi fører en god næringspolitikk. Vi trenger folk som forblir i jordbruksnæringen, og nye som satser. Men da trenger de politisk optimisme. Jeg synes at vårens diskusjoner rundt jordbruksoppgjør og landbruksmelding har satt næringen nærmest i en offentlig miskreditt. Jeg har jo diskutert dette med statsråd Brekk i salen her tidligere, og det var derfor gledelig å lese i Bondebladet at Brekk sier at man ikke må snakke næringen ned. Det er jeg helt enig med ham i. Overskriften om surmuling står sikkert for Bondebladets regning. Men jeg tror han må være klar over at noe av nedstemtheten skyldes den oppstemthet som de rød-grønne partier tidligere hadde lagt opp til gjennom sine festresolusjoner, som har vist seg ikke å være helt gjennomførbare når de skulle ut i praktisk politikk. Vi har i hvert fall til gode å se dette i meldingen foreløpig. Høyre mener at det viktigste er å peke på næringens muligheter de mulighetene som finnes, og de som er politisk mulige å skape. Derfor er det gledelig at en samlet komité peker på at dette er en næringsavtale som angir inntektsmuligheter for bønder som selvstendig næringsdrivende. Jeg vil rose for de formuleringene og ikke minst for at han har fått med seg hele regjeringsfraksjonen på den typen formuleringer – meget gledelig. Men det er desto mer overraskende å lese at Senterpartiets leder i Nationen i går sier om den forsinkede landbruksmeldingen at det er inntektsnivået i kroner og øre som nærmest er vetopunktet. Da er dette med selvstendig næringsdrivende og mulighetene fullstendig borte. borte. Dette må ikke bare bli en lønnskamp. Det må bli en kamp om mulighetene. Vi har i våre merknader i innstillingen lagt vekt på mulighetene. Vi mener at det trengs en endring i systemene – ingen revolusjon, men en villet endring som over tid øker lønnsomheten, rekrutteringen, stoltheten over yrket og ikke minst respekten i I enhver næring er det bare hardt arbeid og vilje til å investere i egenkapital og ikke minst i arbeidstid som gir resultater på sikt. Så er det viktig med verdiene som ligger i en næringseiendom, som det også er i jordbruket. Der er det jo både boligeiendom og næringseiendom. Det må dereguleres. Boplikt, delingsforbud og prisreguleringer er systemer som har bremsende effekt på utviklingen i et moderne samfunn, også på verdiene. Så til produktiviteten: Som saksordføreren også trekker frem, og som faktisk en samlet komité er enig om, er at det er strukturendringene i norsk jordbruk, ved at mange bruk legges ned, som ligger til grunn for produktiviteten. Men da er det underlig at flertallet sier at man skal hindre denne utviklingen i den fremtidige landbruksmeldingen. Hvis det er slik at økt produktivitet skyldes denne nedleggingen, og man roser produktiviteten, går jeg ut fra at man egentlig må kunne ønske at man får strukturendringer. Jeg tror vi må akseptere strukturendringene. Det kommer vi ikke bort fra. Derfor må vi ha systemer som belønner, stimulerer

Vi ønsker en annen innretning. Vi ønsker en annen periodisering som skal følge kalenderår og budsjettår. Det har vi fremmet forslag om i innstillingen. For øvrig kommer vi til å gå imot I og II i innstillingen. Vi kommer til å støtte forslag nr. 19, fra Venstre, og i all beskjedenhet tar jeg også opp våre egne forslag. Representanten Svein Flåtten har tatt opp de forslagene han

Det å hente ut skalafordeler ved å vokse er jo selve grunnlaget for at et slikt jordbruk skal bli billigere, og det er bare større bruksavgang som kan gjøre det mulig. Så jeg synes ikke at argumentasjonen henger sammen. Eller er det slik at Høyre er stilltiende enig med Fremskrittspartiet, som i innstillingen sier at et ledd i distriktspolitikken»? Vi er aldri stilltiende enig med noen partier i innstillingene. Enten er vi enig og står der, eller så står vi ikke der. Når det gjelder det at det er dårlig tilstand i norsk landbruk, så står vi ikke der. Når det gjelder det at det er dårlig tilstand i norsk landbruk, er ikke det noe vi suger av eget bryst. Det er det landbruket forteller oss. De diskusjonene som nå har gått over lang tid i forkant av landbruksmeldingen i det offentlige rom, bygger jo på at det er misstemning. Det er mange som klager på de premissene de endringer. Det er det våre alternative forslag går på – ikke å rive ned eller rasere, men tvert imot prøve å få til systemendringer over tid som gir positivitet og optimisme for dem som er i næringen. Framstegspartiet har vore ærleg nok til å seie at når dei kuttar i budsjetta til landbruket, så Framstegspartiet har vore ærleg nok til å seie at når dei kuttar i budsjetta til landbruket, så går det ut over distriktseffekten til landbruket. Då har eg følgjande spørsmål til representanten Flåtten: Har Flåtten rekna på kor mykje kutta i deira landbruksbudsjett vil gå ut over den distriktspolitiske effekten? Nei, det har vi ikke regnet på, men det tror jeg ville bli veldig beskjedent. For representanten Holmelid ser helt spesielt på enkelte kutt, han ser ikke på hva vi gjør f.eks. på andre områder. I mitt innlegg hoppet jeg over f.eks. hva vi gjør på investeringssiden, og hvordan vi vil Landbruket har bedt om en investeringspakke på i størrelsesorden 15–18 mrd. kr over ti år, tror jeg det er. De er blitt møtt i jordbruksoppgjøret med en investeringsstøtte på 28,5 mill. kr. Vi sier at over ti år vil bare fjerningen av formuesskatten, sammen med våre forslag til avskrivninger og andre måter å innrette de personlige næringsdrivendes selskaper på, faktisk gi en investeringsevne på rundt 15 mrd. kr, hvorav svært mye skriver seg fra formuesskatten. Den er på 1,3 mrd. kr i året på

Høyre foreslår imidlertid å kutte budsjettstøtten med 2 mrd. kr, og dette tilsvarer en inntektsnedgang på 36 000 kr per årsverk. Mitt spørsmål blir da til Høyre: Hvordan skal Høyre opprettholde landbruket i distriktene, som bl.a. Myraune tar til orde for, når dere skal ta bort alle virkemidlene for nettopp å sikre denne delen av landbruket? Lars Myraune er en meget solid og traust kar som man kan stole på når han sier noe. I tillegg er han gårdbruker fra Trøndelag. Våre foreslåtte kutt ville ikke rasere norsk landbruk. Hver eneste gang vi står i denne debatten og i andre landbruksdebatter, høres det ut fra Senterpartiet som enhver endring av det systemet vi nå har, vil rasere landbruket. Jeg tror at hvis Senterpartiet skal få til noe på dette området, inklusiv det som kommer i den kommende meldingen, må de være åpne for å lytte også til andre alternativer og hva andre partier mener, og jeg tror først og fremst på sine samarbeidskompiser i den rød-grønne regjeringen.

Vi veit at i 2050 vil befolkninga i verda vere på 8 milliardar menneske. FN sin organisasjon for landbruk og mat har rekna ut at i perioden fram til 2050 må matvareproduksjonen i verda auke med 70 pst. Samtidig veit vi at klimaendringar og ekstremvêr gjer matproduksjonen vanskelegare i store delar av verda. I 2008 hadde vi ei matvarekrise som førte til sterk prisauke på matvarer, og det gjekk ekstremt hardt ut over dei fattigaste i verda. Desse eksempla viser at det å satse på matproduksjon, oppretthalde ein matproduksjon og auke matproduksjonen i Noreg både er global solidaritet med dei svakaste i verda og ein tryggleik for vår eiga befolkning. Det andre perspektivet som eg har lyst til å ta opp, er dei fellesgoda som landbruket produserer. Landbruket er veldig ofte ryggraden i busetnaden rundt om i Distrikts-Noreg. Samtidig som dei er ryggraden i busetnaden rundt om i Distrikts-Noreg, er dei òg fundamentet for andre næringar, som f.eks. næringsmiddelindustrien og reiselivet. eller ei sentralisering av landbruket sin aktivitet vil føre til avfolking av bygder og nedgroing av landskapet. Det tredje perspektivet er at Noreg er eit krevjande land å drive landbruk i. Når vi ser på topografien og klimaet i Noreg, ser vi at vi ikkje kan konkurrere på like vilkår med andre land. land. Når vi ser på den innbyrdes forskjellen i topografi og klima, ser vi også at vi ikkje kan konkurrere på like vilkår eingong internt i Noreg. Difor er det veldig viktig at vi har ein differensiert landbrukspolitikk. Vi har ein differensiert stønadsordning som varierer sterkt frå distrikt til distrikt. Det er eit fundament i den norske landbrukspolitikken, og det er det som gjer at vi kan klare å ha landbruk og busetnad over heile landet, og det er det som gjer at vi kan oppretthalde ein matproduksjon som vi kan stå for i den internasjonale solidariteten. Ein viktig del for å oppretthalde landbruket i heile landet

I tillegg er det sånn at mjølkeproduksjonen er ei form for produksjon som tek godt vare på den målsetjinga som seier at vi skal produsere mest mogleg mat på nasjonale ressursar. Mjølkeproduksjonen baserer seg på grovfôr og til dels beite, og då bruker vi nasjonale ressursar til å produsere mat. Landbruket er også ein viktig del i ei større verdikjede, og vi har faktisk 100 000 tilsette i landbruket og den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien. Difor er, som fleire har vore inne på før i dag, det å redusere matproduksjonsavgifta ein veldig viktig del av den heilskapen som skal til for å få eit sunt landbruk i Noreg. Så til slutt vil eg seie litt om den norske modellen for landbrukspolitikk. Eg har tidlegare vore inne på at vi har spesielle utfordringar i norsk landbruk. Vi har eit mål om å produsere mat og utnytte nasjonale ressursar. Vi har eit distriktspolitisk mål, og vi har eit mål om å produsere samfunnsgode, og i tillegg veit vi, som sagt, at vi har store variasjonar i moglegheita for å drive landbruk. Det fører til at vi har eit land der vi ikkje kan stole på marknadskreftene åleine dersom vi skal oppnå dei målsetjingane vi vil. Det er heilt nødvendig å ha ei blanding av støtteordningar, av reguleringar og av marknaden der marknaden fungerer, dersom vi i det heile skal vere i nærleiken av å oppnå dei måla som vi har vore inne på her, som går på matproduksjon, som går på distriktspolitikk, og som går på andre velferdsgode. Då er det kanskje greitt å peike på at det faktisk er andre land i Europa som begynner å sjå til den norske modellen, fordi dei ser at deira modell ikkje fungerer. Så har eg lyst til å avslutte med ein kommentar til Framstegspartiet, for Framstegspartiet er så veldig oppteke av å snakke om at dei skal setje bonden fri. Men når Framstegspartiet snakkar om å setje bonden fri, får eg tankar om Janis Joplin som song: «Freedom's just another word for nothing left to lose.» Presidenten: Det

hadde. Men mitt spørsmål til representanten Holmelid har med rovdyr å gjøre. For ca. 10 minutter siden trådte de parlamentariske lederne sammen igjen for å prøve å komme fram til et rovdyrforlik. For enkelte deler av landet, særlig oppe i Lierne og i enkelte grenseområder, er rovdyr, og særlig bjørn, et stort problem. Mitt spørsmål til Mitt spørsmål til representanten Holmelid er følgende: Er representanten Holmelid enig i at det er viktig at vi får til en mest mulig lokal forvaltning av rovdyrene, og at vi får en reduksjon i bjørnestammen? Det er mitt første spørsmål. Mitt spørsmål nummer to til representanten Holmelid går på følgende: Landbruket Landbruket skriker etter investeringsmidler, og det er investeringsmidler som man har behov for både for å kunne endre produksjonen og for å bli mer tidsriktig i produksjonen. Mitt spørsmål til representanten Holmelid er følgende: Hvor mye i dette jordbruksoppgjøret er lagt til rette for økt investering i landbruket? Til det med rovdyrpolitikken vil eg seie at Noreg har inngått internasjonale forpliktingar når det gjeld rovdyr, og SV er oppteke av at vi skal finne ein god balanse mellom våre internasjonale forpliktingar og det at vi skal også ha beitedyr i Noreg. Det er det no fleire som sit saman og prøver å finne den riktige balansen på. Når det gjeld rovdyrforvaltinga, er eg einig i at vi må finne ei rovdyrforvalting som kanskje er meir effektiv f.eks. når det gjeld å ta ut spesielle enkeltdyr enn det vi har gjort til i dag. Så har eg sett i høve til media at det har ikkje nettopp vore SV som har vore dei som har lagt kjeppar i vegen for å koma fram til eit godt forlik. Så no får vi sjå kva dei parlamentariske leiarane kjem fram til. Når det gjeld investeringar, er eg heilt einig i at landbruket treng investeringar, og det reknar eg med at vi skal kome tilbake igjen til i samband med landbruksmeldinga.

da Mattilsynet har vært inne og sagt at her er rovdyrforholdene så problematiske at det går på dyrevelferden løs, og det bryter de dyrevelferdslovene vi har. Synes representanten Holmelid at det er en passende balanse mellom våre internasjonale forpliktelser og den landbrukspolitikken vi skal føre i Norge, når det er sånn at bønder er nødt til å holde sauene sine inne i hus hele året?

dere gjøre som dere gjør i de fleste andre saker, å legge dere på rygg for Arbeiderpartiet og de andre? Når eg høyrer spørsmålet, kjem eg til å tenkje på ein stor amerikanar som ein gong har sagt at der alle tenkjer likt, er det ingen som tenkjer nytt. Så det at det er diskusjon i ei regjering, er sunt for at vi skal få innovasjon, som representanten veldig ofte snakkar mykje om. Når det gjeld pelsdyr, er vårt standpunkt veldig kjent, og kva som kjem i meldinga, vil tida vise.

Fokus på mat, matsikkerhet og matmakt fører til et stort engasjement for landbruket. Kampen for det daglige brødet blir derfor stadig viktigere sett i et globalt perspektiv, og landbruket er helt klart en framtidsnæring. La meg starte med å slå fast at Senterpartiet prioriterer landbruket høyt. Det skal det ikke være noen tvil om. Avtalen om rammen som er inngått mellom Norges Bondelag og staten, gir et grunnlag for en eller om lag 25 000 kr per årsverk i 2012 i forhold til 2011 når verdien av jordbruksfradraget er medregnet. Årets avtale innebærer en tilnærmet kronemessig lik utvikling for landbruket sammenlignet med andre grupper. Jordbruksavtalen har en klar distriktsprofil med satsing på det grasbaserte husdyrholdet og beitebruk. Her er satsingen på melk svært viktig, og Melkeproduksjon er en viktig bærebjelke i landbruket, og det er nødvendig med fortsatt styrking av dette området, og denne satsingen må også tas over flere år. I løpet av de seks årene med rød-grønn regjering og med senterpartistatsråder som landbruksministre, har prisen på melk til produsent økt med ca. 1 kr per liter. Dette er det verdt å merke seg. Det er også viktig å finne den rette balansen som sikrer at vi bruker de beste arealene til kornproduksjon. Dette er en vesentlig del av kanaliseringspolitikken som sikrer et aktivt landbruk og en variert bruksstruktur over hele landet, og som også er viktig for å opprettholde innenlands produksjon av korn. Under den rød-grønne regjeringen har jordbruket hatt en god inntektsutvikling. Norges Bondelag har ved flere anledninger vist til at det har vært en langt mer positiv inntektsutvikling for bøndene under den rød-grønne regjeringen enn under forrige regjering. Dette har hatt stor betydning for bøndene de senere årene. Årets avtale fører videre denne politikken. Medregnet de 25 000 kr som årets avtale gir, er inntektsmulighetene i jordbruket økt med 110 000 kr per årsverk, eller 70 pst., i perioden 2006–2012. Jeg vil også benytte anledningen til å gi ros til Bondelaget, som sto løpet ut i årets forhandlinger, og dermed bidro til å få i land avtalen, som er svært viktig for bøndene. Vi hører også at det er utålmodighet etter å komme videre i satsingen på landbruket, og Senterpartiet har like interesser her. Vi vil fortsette kampen for et levende landbruk i hele landet. Det er viktig å understreke forskjellene langs de politiske skillelinjene, mellom de rød-grønne og Høyre og Fremskrittspartiet. La meg minne om at Høyre har foreslått et kutt i jordbruksavtalen på om lag 2 mrd. kr, og Fremskrittspartiet har foreslått kutt på 7,7 mrd. kr og redusert importvern. Dette utgjør en inntektsnedgang på henholdsvis 36 000 kr per årsverk og 140 000 kr per årsverk.

Senterpartiet har ingen tro på at det å fjerne reguleringen og redusere overføringene, slik Høyre og Fremskrittspartiet går inn for, vil føre til økte inntekter for matprodusenten. En slik politikk vil svekke bondens mulighet til inntekt, og dermed også svekke landbruket. Å sikre trygg mat for egen befolkning er svært viktig i en verden der en milliard Befolkningsøkningen gjør at verdens matvareproduksjon må økes med 70 pst. innen 2050. I Norge må matproduksjonen økes med 20 pst. innen 2030 for å brødfø en million flere nordmenn. Vi som politikere må ta det ansvaret internasjonalt gjennom å sikre større grad av selvforsyning av norsk mat basert på norske råvarer. Da er det viktig at vi gjennom jordbruksoppgjøret og generelle rammevilkår fastsetter betingelser som fordrer økt matproduksjon. Og som vi hører i denne salen, har vi politisk fremdeles en vei å gå før vi kan enes om disse utfordringene. Det blir åpnet for replikkordskifte. Kyllingprodusentene har uttalt at de er

Så her var man veldig bekymret for at man skulle få en billigere pris blant forbrukerne. I Norge har vi altså en pris som er 30–40 pst. høyere enn bl.a. i Sverige og Danmark. Så mitt spørsmål til representanten blir: Er representanten enig i og fornøyd med monopolist og regulator Norturas redsel for at folk flest skal få billigere mat her i landet? Senterpartiet er opptatt av at vi skal ha et levende landbruk i hele landet, og vi er opptatt av at norske forbrukere skal få tilgang på gode norske råvarer. Jeg vil ikke kommentere enkeltsaken som Trældal her er inne på. Det får Trældal selv stå inne for. Vi er opptatt av at vi fremdeles skal ha viktige funksjoner i forhold til markedsregulatorer. Det er viktig for å sikre levering, og det er viktig for å sikre avsetning. Så er det også viktig at vi legger til rette for gode rammebetingelser, slik at vi skal få til en positiv utvikling for landbruket, og også stimulerer til både kvalitet og til videre innsats på produktivitet. I Høyre er vi også ofte rundt og

hjelpe til med å skape langsiktige rammevilkår for næringen. Nå registrerer vi at i siste liten kom ikke meldingen som lovet nå i vår. Senterpartiets leder har også vært ute og varslet at hvis ikke meldingen blir som Senterpartiet vil, kommer den ikke i det hele tatt i denne perioden. Synes representanten at det kaoset man skaper rundt forventningene, og det kaoset man skaper ved at at det kaoset man skaper rundt forventningene, og det kaoset man skaper ved at man ikke leverer landbruksmeldingen, skaper langsiktighet, forutsigbarhet og gode rammevilkår for bøndene og aktørene Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for gode rammevilkår for landbruket. Det skal det ikke være noen tvil om. Jeg legger til grunn at vi skal få lagt fram en landbruksmelding som er god, framtidsrettet og skaper optimisme for landbruket i hele landet. Jeg er glad for at representanten

og partiet Sosialistisk Venstreparti har tatt til orde for å legge ned pelsdyrnæringen. Kan representanten Lange Nordahl love i denne sal at Senterpartiet vil sørge for at man ikke går til det skritt å legge ned pelsdyrnæringen, slik at denne næringen har trygghet for de investeringene den skal gjøre i tiden som kommer, og at det ikke er usikkerhet om det blir en videreføring av næringen eller ikke?

landbruket nå står overfor. Vi håper at den varslede landbruksmeldingen – når den en gang måtte komme – tar opp disse problemstillingene i sin fulle bredde. Det ser vi fram til. Årets jordbruksoppgjør er i havn, men Kristelig Folkeparti hadde ønsket seg en større ramme. På komitéhøringen sa Norsk Bonde- og Småbrukarlag at det var behov for 300 i tillegg bare for å ta igjen inntektsetterslepet. I proposisjonen sier regjeringen at bøndene har hatt en inntektsvekst på 54 pst. under den rød-grønne regjeringen. Dette stemmer om man legger totalkalkylen til grunn. Imidlertid er ikke totalkalkylen sammenlignbar med regnskapet for den enkelte næringsutøver. Ser man på næringsinntekten fra jordbruket, er den gått ned fra 147 000 kr til 136 000 kr per årsverk i perioden 2005–2009. Dette viser at regjeringen ikke har lyktes, og at det er behov for et skikkelig inntektsløft. Lave inntekter gjør rekrutteringen til næringen vanskelig. vanskelig. Enda vanskeligere blir det når bonden ikke har anledning til å ta ut ferie på lik linje med andre i samfunnet. En undersøkelse fra 2008 viste at halvparten av de spurte tok ut mindre enn tre ukers ferie. Hver tolvte bonde har ikke ferie i det hele tatt. Den viktigste forklaringen på dette er at det er vanskelig å få tak i avløser. I mange tilfeller har bonden heller ikke råd til å ta ut ferie. Derfor er det uforståelig at organisasjonene ikke nådde fram med sitt krav om 7 pst. økning i tilskuddsatsene til velferdsordningene, bl.a. til ferie. I den endelige avtalen ble økningen på 4 pst. Kristelig Folkeparti er opptatt av at rammevilkårene for næringsdrivende skal være så gode som mulig. Landbruket er ikke et unntak. Derfor har Kristelig Folkeparti ved flere anledninger foreslått fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital samt bedre avskrivningsordninger. Dette er tiltak som vil bedre økonomien i primærnæringene. På den bakgrunn er det bemerkelsesverdig at regjeringen velger å øke trygdeavgiften på jord- og skogbruk til ordinær sats for 2012. Denne økningen vil innebære en betydelig Når vi ser at det bare er en tredjedel av tilveksten som tas ut, indikerer dette at lønnsomheten er lav i skogbruket. Det skognæringen minst av alt trenger, er en økning i avgiftene. Vi håper at landbruksmeldingen ser jord- og skogbruk i sammenheng, slik at vi kan få en kraftfull satsing på primærnæringene. Det er bare 3 pst. av Norges landareal som er dyrket mark. De områdene som er mest velegnet til dyrking, er under stadig press. Det er positivt at komiteens flertall erkjenner at dette er et stort problem. Det er langt igjen til regjeringens egen målsetting om en halvering. Regjeringen mener at utviklingen nå er snudd. Etter Kristelig Folkepartis syn er takten i omdisponeringen redusert, og det er for tidlig å si at trenden virkelig

Andersen Eide for at dei til liks med Arbeidarpartiet er opptekne av dette med å gje gode velferdsordningar til landbruket. Velferdsordningane er auka med 4 pst. i årets oppgjer. Når det er sagt, skriv representanten Andersen Eide i komitémerknadene at «det blir enda vanskeligere for bønder å ta ut ferie». Kan representanten heilt konkret

Når vi ser at det er så få bønder som tar ut ferie, at det er så mange som sier at de ikke har råd til å ta ferie, at det er så mange som ikke har anledning, eller at det ikke er avløsere nok til å ta ut ferie, så skjønner vi at når de ber om 7 pst., så er det et grunnlag som kan gjøre det bedre for dem. Selvfølgelig:

korn. Hvis andre vestlige land skal følge Norge og begynne å opparbeide seg nye kornlagre, altså at land som har en langt framkommet økonomi, har god råd og gode velferdsordninger for sin egen befolkning, begynner å kjøpe opp såkorn i verdensmarkedet, som er helt naturlig, vil dette Kristelig Folkeparti-forslaget medføre at fattige land, som land i Afrika, vil medføre at fattige land, som land i Afrika, vil få enda dyrere mat, enda mer sult og enda større problemer med å produsere til eget forbruk. Er representanten fornøyd med den utviklingen? Det er ikke Kristelig Folkepartis utgangspunkt for å ønske beredskapslagre for korn i Norge. Vi ser på situasjonen slik den har vært de siste årene, at man i Russland og mange andre land har hatt svikt i avlingene. Vi ser at kornet er ganske dyrt, og vi ønsker å møte det med å produsere mer korn i Norge for å opparbeide våre egne lagre. Det er viktig for landet vårt. Kristelig Folkeparti står sammen med Fremskrittspartiet og Høyre i en merknad hvor man kritiserer regjeringen for å ha lagt en skatteøkning på 200 mill. kr på skogbruket. Representanten

I tillegg skriver Kristelig Folkeparti i en merknad, som de har alene, at de «forutsetter at avskrivningsmuligheten bedres», altså at man ønsker en forbedring på skattesiden. Jeg må si, fra Høyres side, at vi er veldig glad for disse merknadene. har lyst til å spørre representanten: Betyr dette at vi kan forvente støtte fra Kristelig Folkeparti også ved senere anledninger når det gjelder skattelettelser for næringslivet generelt? Kristelig Folkeparti har i flere år sagt at vi ønsker skattelette på formuesskatten når det gjelder arbeidende kapital. Det har vi

Skal vi tro regjeringen generelt og Senterpartiet spesielt, er det nettopp det som skjer. Ikke minst i lys av Senterpartiets pressekonferanse skulle man tro at landet flommet over av glade og fornøyde bønder. Slik er det ikke. Venstre har vært kritisk til måten jordbruksforhandlingene gjennomføres på, i flere år, men synes det er ekstra ille i år. Det er mange grunner til det. Jeg skal nevne noen: Det blir mindre og mindre reelle forhandlinger. Statens tilbud kom svært, svært sent – helt unødvendig – og de fleste avklaringer har åpenbart skjedd på bakrommet. I så måte står det respekt av Bonde- og Småbrukarlagets brudd i forhandlingene. De skattemessige føringene som ble lagt til grunn for oppgjøret, utgjør mer enn endringene på statsbudsjettet – 415 mill. kr mot 365 Det er et stort demokratisk problem, ikke minst når vi vet at regjeringen vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået uendret. Regningen for jordbruksoppgjøret sendes videre til noe eller noen som i dag er ukjent, og som vi må vente til oktober med å finne ut av. Det er problematisk at avtalen inngås fra 1. juli 2011, og gjelder til 1. juli 2012. Avtalen burde etter Venstres syn fulgt kalenderåret. Det ville gjort statsbudsjettprosessen mer reell. Nå budsjetteres det med bakgrunn i den inngåtte avtalen, og så lages det en tilleggsproposisjon hvert år om endringer i statsbudsjettet i forbindelse med behandlingen av jordbruksoppgjøret. Det mener Venstre er uryddig. Her er det grunn til å påpeke at regjeringspartiene stadig vekk argumenterer mot forslag fremmet av opposisjonen i ulike saker fordi det har provenyeffekt og dermed bare kan/bør behandles i forbindelse med ordinære budsjettbehandlinger. En rekke ting som f.eks. utviklingsprogram for matspesialiteter fra norsk landbruk, fylkesvise bygdeutviklingsmidler, bioenergiprogram, landbruksforskning og diverse miljøtiltak er vel og bra, men har etter Venstres syn ingenting i forhandlinger mellom staten og bøndene å gjøre. Likevel er det en del av den «pakken» som Stortinget er bedt om å Venstre ønsker å gjøre om jordbruksforhandlingene og fremmer derfor forslag i salen i dag om at jordbruksforhandlingene i sin nåværende form oppheves. Det innføres nye avtaler som baseres på kalenderåret og som er kraftig forenklet i innhold. Kun saker som direkte berører bondens inntekt, skal være en del av avtaleverket. De øvrige områder som i dag omfattes av jordbruksavtalen,

Tvilen er heller ikke begrunnet i mange og unødvendige reguleringer i og av yrkesutøvingen i landbruket. Disse er det opp til stortingsflertallet som lovgiver å endre. Forhåpentligvis skjer det etter neste valg. Tvilen er begrunnet i den udemokratiske form som årets jordbruksoppgjør har, hvor Stortinget i realiteten ikke har noe annet valg enn å stemme for eller imot en fremforhandlet avtale mellom staten og Norges Bondelag, og som inneholder en rekke demokratisk tvilsomme elementer, som jeg har redegjort for. Venstre fremmer en rekke forslag i salen i dag som vil gjøre norsk landbruk mer robust til å møte fremtiden. I tillegg ønsker vi å støtte mindretallsforslagene 1–7, 15,16 og 18. Samlet ville disse endringene av landbrukspolitikken, kombinert med rimelig rause bevilgninger over statsbudsjettet, medføre nettopp det som jeg sa innledningsvis, at Venstre vil ha motiverte, dyktige, kreative og produktive bønder. På sett og vis er Venstres landbrukspolitikk, slik vi ser det, en kombinasjon av det mest fornuftige fra venstresiden og det mest fornuftige fra høyresiden. For det er åpenbart at noe må gjøres. Den gjennomregulerte landbrukspolitikken som er ført i flere tiår, har ikke lyktes med å oppfylle verken de vedtatte eller de uttalte mål knyttet til bosetting, sysselsetting og inntektsnivå. Antall bruk i drift og antall aktive bønder synker raskt, og den utviklingen frykter Venstre vil fortsette. Til slutt: Jeg tar opp Venstres forslag, som er omdelt. Representanten Borghild Tenden har tatt opp de forslagene hun omtalte. Det blir åpnet for

Jeg skulle ønske at representanten kunne stille et annet spørsmål med tanke på at vi nå legger fram forslag om mange endringer, forslag som er omdelt i salen. Dessverre er vi ikke representert i næringskomiteen, det beklager jeg veldig sterkt, men med all respekt å melde: Det blir veldig underlig. Det vår landbruksminister fremmet forslag om, omhandlet noe av det som fremkommer i forslagene våre i salen i dag – det med Jarlsbergosten, som for øvrig landbruksministeren har sagt han skal ta bort eksportstøtten til, og så har vi pelsdyrnæringen, som

No har eg gått gjennom dei forslaga som er komne frå Venstre. Det er jo ein del justeringar på ting, men ikkje noko er i nærleiken av det ein kan kalla ei heilt anna innretning av den økonomiske verkemiddelbruken i landbruket. Kva for store endringar i verkemiddelbruken i landbruket er det Venstre legg opp til?

Det har vi påpekt flere ganger. Én av de strukturendringene som må til, er i alle fall at man ha litt større åpenhet. Vi som sitter på utsiden av landbruksforhandlingene, aner nesten ikke hva som skjer. Folk vet ikke hva som skjer. Vi ønsker en større åpenhet under landbruksforhandlingene – at man ikke putter inn mange ting, som jeg nevnte fra talerstolen, som man ikke har oversikt over. Vi må få reelle forhandlinger og større åpenhet.

Dermed viderefører vi den viktige kursendringen regjeringen gjorde i landbrukspolitikken den dagen den rød-grønne regjeringen overtok i 2005. Inntektsnivå og -utvikling er det viktigste grunnlaget for å sikre rekruttering og investeringer. Gjennom å la næringen, som består av selvstendig næringsdrivende, få muligheter til å øke sine inntekter, gjør vi også næringen enda bedre i stand til å levere det storsamfunnet bestiller: landbruk over hele landet, distriktsbosetting, kulturlandskap og trygg norsk mat. Da den rød-grønne regjeringen overtok, var landbruket inne i en svært negativ utvikling. Svak inntektsutvikling og dermed også stor usikkerhet når det gjelder rekruttering, og også mangel på nødvendig investeringsvilje, førte næringen inn i en negativ spiral. Den rød-grønne regjeringen har snudd denne utviklingen. Det var helt nødvendig.

Årets avtale løfter nettoinntekten per årsverk i jordbruket med om lag 25 000 kr i 2012 i forhold til det nivået som var beregnet i 2011, før forhandlingene. Det er mer enn 10 pst. økning. Og jeg vil understreke at vi her snakker om nettoinntekt. De 25 000 kronene kommer etter at en prognosert kostnadsvekst på 735 mill. kr er dekket inn. Det betyr at det kompenseres for en kostnadsøkning på 3 pst., for totale kostnader i jordbruket er nesten 25 mrd. kr, inklusiv rentekostnader. Avtalen tar også hensyn til at inntektsutviklingen fra 2006 til 2011 var beregnet å være dårligere enn det partene la til grunn i fjor. Denne jordbruksavtalen inneholder også et viktig nytt Når vi skal sikre en sterk og nyskapende matindustri i Norge, kan vi i lengden ikke utelukkende heve inntektsmulighetene for råvareleddet i en verdikjede. Vi er i konkurranse med omverdenen. Importen øker, og hele sektoren trenger konkurransekraft. Derfor valgte regjeringen å legge en avvikling av matproduksjonsavgiften fra 2012 som premiss for forhandlingene. Med det har matindustrien fått et av sine viktigste krav overfor myndighetene oppfylt. Over 600 mill. kr i avgifter trenger ikke betales. De norskproduserte jordbruksvarene står for om lag 280 mill. kr av dette. Resten av avgiftsletten vil gjelde råstoff fra fiskerinæringen og nødvendige importerte råvarer som vi ikke produserer selv i Norge. Det har vært en særegen norsk øvelse å skattlegge matproduksjon. Fra 2012 er det borte. Når vi samtidig øker råvareprisene, bidrar vi effektivt til at prisøkningen kan havne hos bonden og ikke i andre ledd. Det kan og bør bidra til en bedre inntektsfordeling i verdikjeden. Og på den måten var det mulig å øke jordbrukets priser uten at det går ut over forbrukerne. Prisøkningen til forbrukerne, som følge av årets avtale isolert, anslås til 0,7 pst. i gjennomsnitt. Derfor er det noe underlig når Fremskrittspartiet sier i innstillingen at igjen er det «forbrukeren som må ta regningen for regjeringens mislykkede landbrukspolitikk». Faktum er at prisene har steget mer i Sverige og Danmark enn i Norge de siste årene, og de siste tolv månedene sank forbrukerprisene på mat med Så jeg ser ingen grunn til å dramatisere effekten av denne jordbruksavtalen for forbrukerne, selv om konkurranseutfordringen for den norske matsektoren alltid er et viktig hensyn i landbrukspolitikken. Også denne jordbruksavtalen prioriterer distriktsjordbruket høyt, særlig melkeproduksjonen, som har et stort investeringsbehov og er en ryggrad i distriktsjordbruket. Samtidig får også kornproduksjonen klart bedre rammevilkår. Det er fornuftig for å sikre norsk produksjon av mat- og fôrkorn. Høyre baserer sin kritikk delvis på det de kaller «full investeringstørke». Jeg skulle gjerne hørt hva som er faktagrunnlaget for den påstanden. Investeringene er på et høyere nivå nå enn tidlig på 2000-tallet. Men det er riktig at investeringsbehovet er Derfor er også forbedrede inntektsmuligheter avgjørende viktig. Og da er opposisjonens alternative budsjetter og alternative landbrukspolitikk ikke veien å gå. Det vil gi mindre investeringer, dårligere rekruttering og svakere grunnlag for et fortsatt landbruk over hele landet. Det blir replikkordskifte. I gårsdagens Nationen står det: «Vinn eller forsvinn for

for Senterpartiet at interne diskusjoner og krangler gjør at man nå risikerer at meldingen ikke blir lagt fram? For statsråden sier jo at meldingen ikke blir lagt fram hvis ikke Senterpartiet får det som de vil. Så dersom Senterpartiet ikke får den gjennomslagskraften de skal ha, vil da statsråden nekte å legge fram meldingen? Det som er et faktum, er at vi har varslet Stortinget i brev av 10. juni at vi kommer til å legge fram en landbruksmelding til høsten.

i regjering. Jeg er opptatt av at det arbeidet skal bli skikkelig og godt gjennomført, og jeg er opptatt av at det skal bli gjennomført slik at vi sikrer en melding som skaper framtidstro. Derfor trenger vi litt mer tid. Og det er ingen nyhet i seg selv at man en og annen gang er nødt til å gå til det skritt å bruke litt lengre tid på et slikt arbeid enn det man opprinnelig hadde planlagt. Jeg registrerer at statsråden ikke svarte på spørsmålet om man ville legge fram en melding. Han svarte i hvert fall ikke på det

Kanskje det er på tide at presidenten minner om at all tale skal rettes til presidenten. Da skal statsråd Brekk få svare. La meg først og fremst få lov til å si at det er litt komplisert å svare på saker som ligger til diskusjon i Stortinget. Rovdyrsaken ligger her akkurat nå, og jeg håper jo selvsagt at det blir gode løsninger – jeg forutsetter det – gjennom de diskusjonene som skjer blant skjer blant partiene i Stortinget. Utover det vil jeg ikke kommentere rovdyrdebatten i dag. Når det gjelder spørsmålet om pelsdyr, som har vært en veldig komplisert sak, så vil jeg understreke at min ambisjon under jobbingen med pelsdyrsaken har vært å sikre næringen en framtid, gjennom å stille strengere krav til tøffere forskrifter – for å bruke det begrepet – gjennom å sørge for strengere kontroll, og ikke minst gjennom å sørge for at næringen selv har bedre oppfølging av gode driftsrutiner gjennom sertifiseringsordninger. Det arbeidet ser ut til å gå veldig bra, og jeg regner med at det skal gi positive effekter. Så er det slik at vi må ta den nødvendige diskusjonen etter vedtak i Arbeiderpartiets landsmøte. Det

investeringer, er en pakke som over ti år ville gi omtrent det samme som Bondelaget ønsker seg. Er statsråden enig i at redusert formuesskatt, økte avskrivninger, bedre muligheter på skattesiden for personlige selskaper – altså ved at de bare betaler 28 pst. skatt skatt – isolert sett er gode tiltak for landbruket med tanke på å bedre investeringsevnen? Jeg vil si det sånn at alt næringsliv, om det er landbruk eller andre deler av næringslivet, sikkert vil dra nytte av den type tiltak. Og det er diskusjoner som foregår i de ulike års budsjettdrøftinger, så jeg skal ikke gå nærmere inn på det. Det som var grunnen til at jeg stilte spørsmålet om grunnlaget for merknadene fra Høyre, var at investeringene har økt de siste årene, og de ligger nå 2 mrd. kr høyere enn i 2002. Jeg tror nok at det fra Høyre har basert seg på, var en feilaktig framstilling i avisen Nationen av statistikk over igangsatte landbruksbruk fra Statistisk sentralbyrå. De tallene er etterpå rettet opp, og det viser seg at de har en mer positiv utvikling enn det som framkom der.

Dette fungerer ikke lenger, sa Samdriftenes Kontaktorgan BA under høringen i jordbruksoppgjøret. I dag er det lagt lite til rette for samdrifter. Det som for få år siden var en fordel – å slå seg sammen og effektivisere driften – har blitt en ulempe. Jordbruksavtalen reduserer bl.a. kraftig støtten på produksjon ved høy produksjon får de altså mindre støtte. Ønsker statsråden fortsatt samdriftsformer som en måte å drive landbruk på i fremtiden, og hvilke grep vil statsråden ta for å få dette til å fungere? La meg få si at jeg er helt enig med representanten Andersen Eide i at samdrifter for veldig mange er en god måte å organisere driften på. Det har jeg sagt mange ganger, også i denne sal. Og brukerne, bøndene, bør selv fritt få velge den organisasjonsformen som er best egnet, ut fra lokale forhold i det enkelte tilfellet. Men det som er viktig, er at regelverk og tilskuddsutmåling ikke bør diskriminere mellom ulike organisasjonsformer. Derfor har det over flere år vært lagt stor vekt på å harmonisere regelverket, og jeg mener veldig klart at det fortsatt bør være et mål at andre forhold enn regelverkstilpasning avgjør valg Så med det har jeg lyst til å si: Ja, samdriften er viktig for mange, men den passer ikke for alle, og vi ser i dag at det etterspørres mer investeringer fra gårdsbruk med familier. Det tror jeg er en positiv utvikling for landbruket som Synes statsråden at måten forhandlingene foregikk på nå i vår, styrker jordbruksforhandlingene som institutt? La meg få lov til å si at når jeg som ansvarlig minister for forhandlingene har et mandat, så er det min oppgave på vegne av regjeringen å sørge for å få til en avtale. Da legger vi også et arbeid i det. Vi kunne godt ha tenkt oss å ha avklart rammene for det litt tidligere, men utover det mener jeg det har vært reelle og skikkelige forhandlinger også i år. Jeg har lyst til å si at jeg er litt overrasket over at representanten fra Venstre på en sånn måte kritiserer både landbruksforhandlingenes gjennomføring og det systemet vi har i dag. Jeg tror faktisk det var tidligere landbruksminister Sponheim som i sin tid endret systemet fra årlige oppgjør i sin tid endret systemet fra årlige oppgjør til det systemet vi har i dag. Så det systemet vi har nå, gir oss muligheter til å tilpasse oss til det budsjettet som kommer neste år, og så er det et system vi har gjennomført i de årlige forhandlingene de siste årene som er slik at dersom ikke forutsetningene slår til, har det vært mulighet til å kompensere for det gjennom neste års avtale.

det er en egenverdi i det å bruke folks arbeidskraft og kreativitet til å utnytte det hele landet kan by på av ressurser, til verdiskaping, til sysselsetting og til det beste for landet. Matproduksjon er en stor og viktig oppgave nasjonalt og globalt. Jeg opplever det slik at de aller fleste bønder har stor tro på framtiden og ikke minst vektlegger betydningen av verdien av det de holder på med. med. Det er en yrkesgruppe med stor yrkesstolthet. Vårt mål er at landbruket skal produsere trygg mat, sikre matforsyningen, gi mangfold i kulturlandskapet og bidra til sysselsetting og bosetting over hele landet. Vi ønsker å utnytte landets ressurser. Vi ser store kvaliteter i å ha en politikk som sikrer landbruk i hele landet, med en variert og mangfoldig bruksstruktur. Jordbruksavtalen, slik den har framkommet de siste årene, underbygger de politiske målsettingene. I kontrast til disse målsettingene framstår Høyre og Fremskrittspartiet tilnærmet identiske i sin oppfatning av at slike målsettinger er underordnet i landbrukspolitikken. Ikke så undringsverdig – Høyre vil strukturrasjonalisere, mens Fremskrittspartiets politikk mest sannsynlig vil føre til en utslettelse av det norske jordbruket. Dette er den markante politiske forskjellen mellom oss og høyresiden i norsk politikk. Vi vil bruke ressursene i hele landet, mens høyresiden vil foreta en sentralisering av norsk landbruk til flatbygdene på En storstilt sentralisering av norsk landbruk ville etter vår oppfatning gjort landet vårt fattigere. Mulighetene og mangfoldet ville blitt redusert og gradvis borte. Jeg har deltatt i svært mange landbrukspolitiske debatter i det siste året, og jeg har ikke registrert én eneste en i næringen som har ropt på Høyre og Fremskrittspartiets løsninger – ikke én eneste stemme. én eneste stemme. De eneste som ønsker den politikken, befinner seg på Stortinget og er mest sannsynlig medlemmer av Fremskrittspartiet eller Høyre. Det stemmer nok veldig bra, det representanten Flåtten sa til avisen Nationen 7. mai i år: «Det står ikke en massiv kø av bønder utenfor her som sier at våre forslag er strålende.» Det har jeg stor forståelse for. Når det gjelder Fremskrittspartiets politikk, tror jeg den vil medføre at ordet «bønder» i flertall kan utgå av det norske vokabularet. Avtalen som staten har inngått med Norges Bondelag, med en ramme på 1 420 mill. kr, er grundig gjennomgått av saksordføreren, og jeg slutter meg uforbeholdent til de vurderingene som han foretok. Under den rød-grønne regjeringen har jordbruket hatt en god inntektsutvikling. 110 000 kr per årsverk i perioden 2006–2012 er en god utvikling. I tillegg har vi i årets avtale fått inn at en skal avvikle matproduksjonsavgiften i statsbudsjettet for 2012. Totalt blir avgiftsletten på om lag 615 mill. kr. 280 mill. kr gjelder direkte norskproduserte jordbruksvarer. Dette er en stor og betydelig avgiftslette som har betydning for Avgiftsletten fører også til at det blir forholdsvis liten prisvekst for forbrukerne, om lag 0,7 pst. I sum er det en god avtale, som sikrer hensynet til en god utvikling i inntektsmulighetene i jordbruket, samt balanserer hensynet til forbrukerne. Den isolerte priseffekten av jordbruksoppgjøret vil kunne bli at forbruksprisene på mat øker med i gjennomsnitt om lag 0,7 pst. Siden matvarer står for 10–11 pst. av totalt konsum, vil jordbruksoppgjøret og økning i målpriser, hvis det oppnås, gi en prisvekst på godt under 0,1 pst. Så Fremskrittspartiets framstilling av konsekvensene for jordbruksoppgjøret blir etter min vurdering totalt feil. Men når Fremskrittspartiet og Høyre skriver at man må være forsiktig med å velte en for stor andel av kostnadene over på forbrukerne, er det noe jeg er enig i. Årets oppgjør er et bevis på at at praktiseringen allerede er intakt når det gjelder denne forsiktigheten. Det er en god avtale som Bondelaget har framforhandlet med staten. Jeg vil gi ros til Bondelagets ledelse for å ha forhandlet fram en avtale som sikrer jordbruket en inntektsvekst på om lag samme nivå som andre yrkesgrupper.

Vi har hørt senterpartister og SV-ere og andre her snakke om at vi må øke selvforsyningsgraden på mat, fordi befolkningen kommer til å øke. Ja, helt åpenbart tror jo enkelte i denne sal at Norge ikke er selvforsynt med mat, noe som er spesielt all den tid vi hver eneste dag eksporterer 37 millioner måltider mat. At Stortinget ikke har fått med seg det, er bekymringsfullt, for man legger rett og slett hele fiskerinæringen til side, og så sier man at landbruk er mat, og fisk er noe annet. Det er veldig spesielt. Det er ikke så spesielt at landbruksministeren ikke klarte å levere det han hadde lovt, nemlig en landbruksmelding i vår.

slår fast at pelsdyrnæringen skal opprettholdes, mens representanten Holmelid helt åpenbart har et klart krav på seg fra sine medlemmer om at pelsdyrnæringen skal bort, ja da har man en utfordring. Så jeg skjønner godt at landbruksmeldingen ikke kom på plass før sommeren. Her er dog andre ting som bekymrer mer. Komiteens leder viste til at for gjennomsnittsnordmannen vil det kunne bli en økning i matvareprisen på 0,1 pst. Tenk hvor kjekt det hadde vært hvis vi var gjennomsnittsnordmenn. Problemet er jo bare at de som faktisk blir rammet av prisøkningene i denne sammenheng, er småbarnsfamiliene. Jeg skal bruke et eksempel. Først har vi alle lønnsoppgjørene i Norge. Vi begynner med privat sektor. Så går vi over på offentlige oppgjør, både i stat og kommune. Man fikk på plass de reallønnsøkningene som man skulle ha i de forhandlingene. Etter at dette var ferdig, kommer landbruksoppgjøret. For en familie med én forsørger, gjerne

hvor viktig det er å få på plass disse beredskapslagrene med såkorn. Man tar ikke inn over seg hva slags virkninger det kan få for andre land, særlig de fattige landene. For hvis de rike landene, de vestlige landene, skulle begynne å bygge opp store beredskapslagre med korn – korn kjøpes som sagt i et verdensmarked i dag – ville jo prisene gå betydelig opp. Dette er korn som man i utgangspunktet ikke skal produsere, men som man skal ha som beredskap. Det ville faktisk kunne medføre – jeg skal ikke være konklusiv, som alle andre – det vil kunne medføre at de fattige landene ikke vil kunne klare å kjøpe inn korn til sin befolkning. Jeg håper ikke det er det som er intensjonen – at vi i verdens rikeste land, sammen med andre rike land, skal gjøre Til slutt må jeg bare få ta opp en annen utfordring knyttet til konsekvensen av jordbruksoppgjøret. Det er jo at i undersøkelser som forbrukerne har vært med på, er det nevnt én ting man er veldig opptatt av, og som man ikke har klart å oppnå; nemlig økt tilgang på forskjellige produkter – vareutvalget i Norge. Matvarekjedeutvalget har også påpekt det. Ja, det stopper man jo ved importvernet. Men jeg vil takke statsråd Brekk for én ting. Det er at han denne gangen i hvert fall ikke gikk i fella med hensyn til å innføre prosenttoll på ost. Jeg håper han også snart fjerner det for melk. Vi vil støtte

At bondeorganisasjonene hevder de er skuffet og at Norsk Bonde- og Småbrukarlag valgte å bryte forhandlingene, kan nok ses i lys av de store forventninger regjeringspartiene skapte på sine landsmøter. Jordbruksavtalen er viktig. Avtalesystemet bør gi inntektsmuligheter for bøndene som selvstendig næringsdrivende, og legge til rette for at næringen skal kunne utvikle seg på en god

For Høyre er det viktig at bonden har gode utviklingsmuligheter – gode verktøy til å bedre grunnlaget for et variert og aktivt jordbruk over hele landet. Det er uheldig at dagens strukturering ofte skjer ukontrollert og planløst. Høyre mener det må stimuleres til at landbrukseiendommers totale ressurser kan utnyttes optimalt. optimalt. De sterke eiendomsreguleringene som i dag hviler på norske landbrukseiendommer, demotiverer og virker mot sin hensikt. Delingsforbudet – det at en ikke kan skille jord fra bygningsmasse – bidrar også til at kjøp av jord blir svært kostbart. Høyre mener at hensynet til økt omsetning, bedre hold av bygninger og kulturminner vil kreve en oppheving av boplikt og Som svar på vanskelige spørsmål og utfordringer i landbruket har regjeringspartiene pekt på den varslede landbruksmeldingen. At meldingen som har vært under utarbeiding siden 2009, nok en gang er utsatt, betyr at landbruksnæringen fortsatt må sveve i uvisse om sine rammevilkår. Høyre forventer at regjeringen legger sine indre stridigheter til side, og leverer meldingen som

For Høyre står det sentralt å styrke bondens eiendomsrett til eget bruk. Staten skal fortsatt bidra med økonomisk tilskudd til landbruket. Men målet må være at tilskuddene blir mer målrettede og mindre byråkratiske enn de er i dag. Høyre har foreslått å oppheve boplikten – dette fordi vi mener den hindrer en fremtidsrettet utvikling av jord- og skogbruk i Norge. Det er heller ikke dokumentert at boplikt bidrar til økt bosetting. Vi mener også at prisregulering på eiendommene i mange tilfeller gir kunstig lave priser, hindrer omsetning og øker risikoen knyttet til det å investere på gården. Det er også et alvorlig inngrep i eiendomsretten når den som selger en gård, tvinges av staten til å ta lavere pris for eiendommen enn det kjøper er villig til å betale. Stor avstand mellom markedspris og regulert pris kan også skape grunnlag for tilfeller der deler av kjøpsvederlag holdes skjult for myndighetene. Høyre forventer at virkemidler som priskontroll og bo- og driveplikt blir tema for den kommende landbruksmeldingen. Dersom det ikke skal driftes mot nedlegging, og dersom viktige kulturminner ønskes ivaretatt, så må det andre og mer dyptgripende endringer til for å få fart på Fremtidige rammevilkår for landbruket må bli mer forutsigbare over år, slik at næringsaktører kan innrette investeringer og produksjonsplaner mer langsiktig enn det som gjøres i dag. Investeringsetterslepet i norsk landbruk er stort, spesielt innen modernisering av melkeproduksjon. Mye henger sammen med at en generasjon driftsbygninger fases ut eller gjennomgår restaureringstiltak, bl.a. på grunn av nye For at det skal bli mer lønnsomt og mindre byråkratisk å drifte i samdrift, vil Høyre fjerne geografiske begrensninger og antallsbegrensninger som i dag virker negativt for driftsformen. Høyre forventer at regjeringen i forbindelse med landbruksmeldingen fokuserer på hvordan det bedre kan legges til rette for å stimulere til økte investeringer i landbruket. I alternativt statsbudsjett la vi stor vekt på etablering av et investeringsfond, bedre avskrivningsordninger og

vidarefører den sterke distriktsprofilen frå fjorårets oppgjer, bl.a. ved å prioritera grasbasert drift. Det er ein del stolpar som regjeringa sin jordbrukspolitikk er bygd på. Den eine stolpen er kanaliseringspolitikken. Den sikrar at det vert produsert mat og korn på dei beste areala og mjølk og kjøtt ute i distrikta. Kulturlandskapspleie vert ein naturleg effekt av matproduksjonen, nettopp fordi beitenæringa vert prioritert i oppgjera. Ein annen effekt av norsk landbrukspolitikk er busetjing over heile landet. Vi må berre innsjå at vilkåra er forskjellige i det langstrakte landet vårt, og ynskjer vi busetjing og landbruk over heile landet, kan ikkje marknaden styra dette åleine.

Korleis skal ein halda oppe landbruk i heile landet med færre dyr på beite, med ingen – eller i alle fall sterkt redusert – landbruksstøtte på den eine sida og billigare mat og sterkt fokus på kulturlandskapspleie på den andre sida? Og tollvernet, det skal ned, eller bort. Vel, frå Høgre får vi nok svar i deira varsla jordbruksmelding. Når det gjeld Framstegspartiet, som korkje skal ha jordbruksavtale, tollvern eller overføringar, kan dette berre forståast som éin ting: Framstegspartiet er og blir det store importpartiet, og distriktspolitiske mål – det har ein ikkje.

Og i merknadene til jordbruksavtalen er Høgre, saman med Framstegspartiet, for å høgja taket på mjølkekvotane – det står ikkje lenger «ta bort». Det er jo sjølvsagt ein fair sak at ikkje alle har svar på alt, men eg går ut frå at dette temaet no er gjennomtenkt frå Høgre si side, og at det framkjem i deira varsla jordbruksmelding. Så mitt spørsmål er: Kor lenge må bøndene venta i spenning på denne varsla jordbruksmeldinga for å få greie på kva Høgre vil i jordbrukspolitikken sin? Ikkje veit eg grunnen til at det tek såpass lang tid i Høgre, men sett i lys av sterke utsegner om at regjeringa si jordbruksmelding tek altfor – eg gjentek altfor – lang tid, ja så må det vera lov å forventa at Høgre snart er ferdig med den interne kjeklinga i partiet og kjem med denne meldinga. Eller er det slik at kritikk av at regjeringa brukar lang tid, er vorte ein vane? Eller kan hende var området litt meir komplekst enn ein fyrst trudde? Eller er det det at Høgre viser seg lite dyktig til å trekkje konklusjonar og lite leveringsdyktige når alt kjem til Vi ser også her i dag tydelege skilje i norsk politikk mellom oss raud-grøne, som ynskjer eit aktivt og variert landbruk og busetjing over heile landet, og Høgre og Framstegspartiet, som når alt kjem til alt, er mest opptekne av at marknaden skal rå
Neste taler er representanten

eller om lag 70 pst. i perioden 2006–2012. Dette står i sterk kontrast til Fremskrittspartiets beskrivelse av norsk landbrukspolitikk. I en av merknadene mener Fremskrittspartiet at aktørene i landbruket har liten framtidstro, at tilliten til regjeringens landbrukspolitikk er på et lavmål, og at den politikken som har vært ført mot landbruket gjennom mange år, er et sosialistisk eksperiment som har bidratt til at den norske bonden er fanget i et nett, et system som det nå er tilnærmet umulig å komme ut av. Da blir det underlig og veldig inkonsekvent at Fremskrittspartiet i samme merknad sier at det er merkelig at landbruksorganisasjonene støtter opp om en slik politikk. Her kan man virkelig si at det snakkes med to tunger. Det er også trist å lese i samme merknad at Fremskrittspartiet definerer bøndene som offentlig ansatte, der kreativitet, satsingsevne og ønske om å ta risiko nærmest er fraværende. Dette er en trasig beskrivelse av norske bønder, og i tillegg vil jeg også si at det er en direkte oppsiktsvekkende beskrivelse av offentlig ansatte. Slik jeg kjenner norske bønder, er det hardt arbeidende og kreative mennesker som er opptatt av å utnytte eiendommene sine på en god måte. I tillegg er norske bønder faktisk ettertraktet som arbeidskraft på grunn av sin allsidige bakgrunn, bl.a. i oljeindustrien. Dette blir bare trist, og jeg håper mange bønder og offentlig ansatte merker seg dette. Samtidig gir man inntrykk av at Fremskrittspartiets landbrukspolitikk er en ønsket politikk hos bøndene. Jeg vet ikke om jeg kan ta det seriøst. Jeg kjenner ingen som ønsker landbruk der markedsbasert konkurranse settes i høysetet. Jeg kjenner bare bønder som grøsser ved tanken. Det har vært fokus på at Norge har dyr mat. Denne avtalen gir en anslått prisøkning på mat i størrelsesorden 0,7 pst. De siste tolv månedene er forbrukerprisene redusert med 0,3 pst., mens de har økt med 1,3 pst. i Sverige og 2,8 pst. i Danmark. Siden starten på den internasjonale råvarekrisen i vært nesten dobbelt så høy som i Norge, målt i nasjonal valuta, vel å merke. Og som vi har hørt her i dag, liker vi å sammenlikne oss med disse landene. Jeg skal avslutte som jeg startet. I de siste års jordbruksavtaler har det vært lagt til rette for et inntektsløft for jordbruksbedriftene. Distriktsprofil og strukturprofilen i budsjettstøtten og investeringsvirkemidlene er styrket for å bidra til å nå de målene om et landbruk som vi vil ha over hele landet. Så er det slik at mange av de jordbrukspolitiske virkemidlene har en sterk strukturprofil, til fordel for mindre gårdsbruk. Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i store deler av dette flotte landet. Målet for denne regjeringen er å opprettholde et levende og mangfoldig landbruk og bærekraftig skogbruk over hele landet.

tilgang til mat for oss selv, og i et globalt perspektiv vet vi at det er en kjempeutfordring. Det er viktig med henblikk på sysselsetting, på arbeidsplasser, på verdiskaping over hele landet. Det er viktig av hensyn til bosetting, det er viktig av hensyn til distriktspolitikk. Det er viktig for å ta vare på kulturlandskapet, for å skape trivsel for oss som bor der, men også i forhold til reiseliv. Det hadde ikke vært noen vits i å ha en gyllen omvei på Inderøy i dersom de ikke hadde hatt landbruk og kulturlandskap. Fylket jeg kommer fra, Nord-Trøndelag, er et veldig jordbruksavhengig fylke. Vi er 3 pst. av landets befolkning, men produserer 11 pst. av jordbruksvarene. Cirka 20 pst. av sysselsettingen i Nord-Trøndelag er jordbruksavhengig, enten i primærproduksjonen eller i næringsmiddelindustrien. Derfor er det klart at jordbruksoppgjøret er viktig også for oss i Nord-Trøndelag. Det er heller ikke tilfeldig og unaturlig at det var

Vi hadde nok gjennom landsmøtevedtakene til både Arbeiderpartiet og andre partier skapt store forventninger, større enn det som var mulig å innfri på enkelte områder. Likevel må det være lov til å peke på at oppgjøret med den rød-grønne regjeringen uansett er bedre enn det ville vært hvis vi hadde hatt en Høyre- og Fremskrittsparti-regjering. Når jeg hører Fremskrittspartiet snakke om å slippe bøndene fri,

Jeg tar det som et uttrykk for at Bondelagets medlemmer og tillitsvalgte verdsetter ledelsens innsats i årets jordbruksforhandlinger, selv om det altså er en viss avstand mellom krav og forhandlingsresultat, og selv om noen altså mente at Bondelaget burde marsjert ut av forhandlingsrommet i lag med Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I så fall ville vi ha drøftet et helt annet oppgjør her i dag. Til forskjell fra ledelsen i Småbrukarlaget har ledelsen i Bondelaget skjønt at det lønner seg å forhandle, fordi det gir resultater, og det gir innflytelse. Når bølgen etter årets oppgjør etter hvert har lagt seg, tror jeg at bønder flest faktisk ser at årets jordbruksoppgjør er et ytterligere skritt i retning av å bedre rammebetingelsene for norsk jordbruk, og at bøndene sikrer seg inntektsutvikling på linje med andre yrkesgrupper i samfunnet. Småbrukarlaget har etter min oppfatning satt seg i en ganske umulig situasjon uten innflytelse og påvirkningskraft. I perioden 2006–2011 har bondens inntekt økt med hele 53,8 pst. – altså mer enn dobbelt så mye som andre grupper i samfunnet. I samme periode har Småbrukarlaget nærmest gjort det til vane å forlate forhandlingsbordet lenge før et forhandlingsresultat ligger på bordet. Det er naturligvis deres eget valg, uten at jeg helt vet om de skjønner at dette dermed bidrar til å bryte ned respekten både for dem selv og for jordbruksoppgjøret. Men samtidig går de ærend for Fremskrittspartiet og til dels også for Høyre, som vil hele oppgjøret til livs. For hvis styrkeforholdet mellom partiene blir omtrent som i dag, så vil jordbruksoppgjøret faktisk være en saga blott i 2014. Da vil de to partiene overlate til Stortinget å fastsette bondens inntekt. Høyre og Fremskrittspartiet vil ikke bare avvikle forhandlingene. Det er bare en naturlig konsekvens av at vi avvikler det meste av jordbruket og kaster bonden ut på markedet. Det blir i så fall et ganske fritt fall.

organisasjoner? Landbruket er avgjørende viktig både for trygg matproduksjon, levende bygder, kulturlandskapet og for andre næringers eksistens, ikke minst reiseliv og industri. Jeg har registrert signalene fra næringen om årets jordbruksoppgjør, og jeg er glad for at det også i år ble forhandlet fram en avtale, og at dialogen med næringen fortsatt er god. Jeg synes imidlertid vi skal legge oss på minne de signalene vi nå har fått fra næringen i årets forhandlinger, fordi dette henger nøye sammen med den rekrutteringen vi er avhengige av å ha til denne viktige næringen. I Soria Moria-erklæringen er det klart slått fast at vi skal ha et variert landbruk og en matproduksjon over hele landet. Dette kan vi ikke makte uten at vi her i Stortinget og i næringen over hele landet har en felles forståelse av hvordan virkeligheten er i næringen. Jeg ser derfor fram til stortingsmeldingen som skal komme, om en framtidsrettet landbruks- og matpolitikk. Framfor alt trenger næringen over hele landet langsiktighet for å kunne levere det vi forventer. Dette tror Dette tror jeg det bare er en rød-grønn regjering og et rød-grønt stortingsflertall som kan få til. Dette sier jeg fordi jeg også i dag ser at det foreligger flere forslag fra deler av opposisjonen som er helt uforenlig med målsettingen om å opprettholde et landbruk over hele landet, og dermed levende bygder. Jeg tenker her på de to høyrepartiene. Et eksempel er Fremskrittspartiets forslag om ikke å bifalle den framforhandlede avtalen, og om å frata næringen forhandlingsretten og isteden betrakte midlene til landbruket på samme måte som andre utgifter i statsbudsjettet. Er det dette Fremskrittspartiet mener med å slippe bonden fri? Og er det dette de mener skal utvikle en god næring over hele landet? Fremskrittspartiets forslag om dramatiske forandringer og kutt i landbrukets rammebetingelser har de gjentatt i alle år siden jeg kom på Stortinget for 14 år siden. Jeg er veldig glad for at de ikke har nådd fram med sin politikk, og jeg håper at velgerne holder høyrepartiene unna regjeringskontorene i tiden som kommer. Alle forstår at dersom vi skal ha et landbruk over hele Norge, så kan det ikke styres av markedet alene, slik Fremskrittspartiet mener. Dette er bedrifter som er stedsbundne, og som påvirkes både av topografi og av klima. Dette mener jeg at folk flest ute i landet forstår, men Fremskrittspartiet og noen til ikke vil ta inn over seg, slik representanten Trældal har bekreftet her i dag. Ifølge Eidsvoll Blad den 28. mars i år er

Driftsresultatet i fjor var et underskudd på 113 000 kr, og på grunn av stor gjeld endte årsresultatet, før skatt, med et minus på 883 000 kr. Vaaler Samdrift har flinke folk som vil være gårdbrukere. Uten investeringsstøtte fra staten ville ikke private banker lånefinansiert det nye fjøset. Det drives økologisk, som er en statlig målsetting, fjøset presenteres utad gjennom åpen gård, driften presenteres som en stolthet og er et forbilde i kommunen de økonomiske resultatene er helt annerledes. Det er et åpenbart behov for myndighetene, representert i denne salen, å tenke nytt og grundig før en går videre og forleder enda flere ungdommer inn i slike kapitalkrevende selskapsjordbruk som heter samdrift. Det er lite å hente av stordriftsfordeler i dagens jordbruk. Tvert imot, i de største delene av landet er det stordriftsulemper på grunn av jordas beliggenhet. Det er den familieeide gårdsdrifta som har best samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men økonomien er svak for alle. Ifølge totalkalkylen for jordbruket er vederlaget til arbeid og egenkapital per årsverk for siste regnskapsår, 2009, 178 521 kr. De ekspansive gårdbrukerne tør sjelden fortelle om sin økonomiske situasjon.

Totalkapitalen i jordbruket er budsjettert til mellom 95 mrd. kr og 132,4 mrd. kr for 2011. Av dette er gjelda 46,2 mrd. kr. Når det i jordbruket opereres med begrepet «vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk», som sammenliknes med lønnsmottakernes inntekt per årsverk, vil egenkapitalen i størrelsesorden 48,8 mrd. kr–86,2 mrd. kr, avhengig av beregningsmetode, ikke ha noe vederlag. Slik er systemet nå. Arbeidsproduktiviteten ble fordoblet mellom 1990 og 2009, mens realinntektene for gårdbrukernes jordbruksarbeid samlet i samme periode ble redusert med 7 pst. Slik sterk produktivitetsvekst sikrer bedre og godt betalte trygge arbeidsplasser i andre yrker. Jordbruket har gjennom hovedavtalen fra 1950 forhandlingsrett med staten. De økonomiske inntektsmulighetene for selvstendig næringsdrivende gårdbrukere gir i avtalefestede forhandlinger med staten de enestående svake økonomiske tallene i jordbruket, og viser myndighetenes langvarige manglende respekt for jordbruksarbeid. Rekrutteringa svikter, og arealet i drift reduseres. Hele jordbruksavtalesystemet må gjennomgås på nytt, og det må gis et realistisk bilde av inntekten i jordbruket – absolutt og i forhold til lønnsmottakere. Derved kan det etableres en felles virkelighetsforståelse, noe som er en forutsetning for en saklig drøfting av mål og virkemidler for den nye jordbrukspolitikken.

Å sikre ren og trygg mat til egen befolkning må være landbrukets viktigste mål. Selvforsyningsgraden må derfor opp, og med den befolkningsøkningen vi vet kommer, må vi føre en politikk som sikrer en betydelig økt matproduksjon her hjemme basert på lokale ressurser. En forutsetning for økt matproduksjon og rekruttering til næringa er Årets jordbruksoppgjør med en ramme på 1,42 mrd. kr legger til rette for det. Som representant fra Oppland er jeg spesielt glad for fokuset på det grasbaserte landbruket. Samtidig er det åpenbart at Senterpartiet har ambisjoner på landbrukets vegne. Vi ønsker en inntektsutvikling som tetter gapet til andre grupper målt i kroner. Det har vært en enorm strukturrasjonalisering i landbruket de siste årene. Ut fra de målene vi har for landbruket og den globale situasjonen, mener jeg det er utfordrende om dette fortsetter med samme kraft. Økt matproduksjon basert på lokale ressurser vil innebære behov for både økt areal og flere hender i arbeid. Vi må være villige til å tenke nytt, slik at vi når de målene vi har for landbrukspolitikken. Jeg har besøkt en del naturbruksskoler den siste tida, og jeg blir imponert over reflekterte og offensive elever med klare planer for framtida og ønske om et liv i landbruket. De utdanner seg til matprodusenter, men likevel tror jeg det ligger noe i at bonde er ikke noe du blir, det er noe du er. Skal vi sikre en offensiv og slagkraftig landbruksnæring i framtida, må vi føre en politikk som gir flere unge lyst til å satse. Årets jordbruksoppgjør bidrar til det, og gjennom den kommende jordbruksmeldinga skal vi levere en offensiv, framtidsrettet og forutsigbar landbrukspolitikk. Eg er oppvaksen bak ei og enkelte meiner nok eg burde vore der enno. Eg har hatt heile oppveksten min i landbruket. Eg jobba i kjøttsamvirket i fleire år, og har sett og opplevd heile landbruket på innsida. Derfor er det ei lise å høyre at representanten Lundteigen, i motsetnad til alle andre, faktisk fortel korleis den situasjonen ein har i norsk landbruk i dag, vert opplevd. Det er urovekkjande for å høyre at dei raud-grøne partia her skamroser den situasjonen ein har i norsk landbruk. Det vi veit, er at talet på aktive bruk går ned, talet på heiltidsbønder går ned, mens talet på byråkratar i landbruket går opp. Likevel er regjeringspartia kjempefornøgde med den situasjonen ein ser! ser! Landbruket har gitt meg mange gleder, og så har det ført til at eg har stilt meg utruleg mange spørsmål om korleis vi faktisk organiserer oss. Heime i Møre og Romsdal hadde vi f.eks. eit tilfelle der fem bønder ville gå i lag og utvikle ei felles samdrift for hønse- og eggproduksjon. Dei ville samle gjødselhandteringsanlegget og eggproduksjonsutstyret, slik at dei fekk ei mest mogleg effektiv drift. drift. Svaret var at konsesjonslova nektar det, dei måtte byggje fem separate driftseiningar i staden. Så no står det altså på eit stort landbruksareal fem separate bygg der ein driv med 7 500 høner i kvart. Det er det glade vanvit! Alle synest at det er vanvitig. Likevel bruker regjeringspartia gjennom landbruksoppgjeret – når ein vel å behalde det – til å påverke dette i ei retning som gjer at det er mogleg å satse for framtida. Dei av mine jamaldringar som i dag held fram med å satse i landbruket, er nøydde til å sluke noko mindre – om ikkje, har dei ikkje grunnlag for å satse. Det er det som er tilstanden ute i Distrikts-Noreg. Poenget er at når ein først og fremst

i framtida begynner å lytte meir til det som Per Olaf Lundteigen sa til slutt no, i staden for å fortsetje å teikne eit glansbilete av landbruket som ikkje i det heile finst der ute. Venstre sitter dessverre ikke i næringskomiteen, så

Jeg skal ikke forlenge debatten – det blir en sen kveld. Men grunnen til at jeg tok ordet, er at det faktisk er feil det statsråd Brekk sa om at det var tidligere landbruksminister Lars Sponheim som innførte forhandlingene slik de er nå. Forhandlingene ble innført lenge før han ble landbruksminister, har jeg fått opplyst. Men når det er sagt, vil jeg si at det må ikke være slik at nye krefter på Stortinget

ingen som har noen innvendinger mot den politikken som føres, ingen ønsker endringer. Jeg anbefaler komiteens leder å snakke med Per Olaf Lundteigen – han sitter der borte, det er ikke lange veien, og vi har nettopp hørt innlegget hans – da får han høre om en annen virkelighet. patent på sannheten i en komplisert landbrukspolitikk. Det ligger antakelig litt midt imellom. Nettopp derfor tror jeg på Høyres politikk med å ta utgangspunkt i det bestående. Vi står også på målsettingene som komiteen har i sine innledningsmerknader, men vi ønsker endringer, for vi har oppfattet noe av det samme som Per Olaf Lundteigen hører enda sterkere, nemlig at det er veldig mye som ikke fungerer, og at det er politikernes oppgave å ta tak i dette. Nei, det er riktig, det står ingen i kø utenfor min kontordør for å melde seg inn i Høyre på grunn av landbrukspolitikken. Men jeg tror heller ikke det er noen kø hos komitélederen i næringskomiteen. Jeg tror vi kan snakke med dem som finnes på huset her, og nok en gang anbefaler jeg da Lundteigen. Jeg tror representanten Aasland gjør klokt i ikke å gjemme seg for virkeligheten, for det finnes en virkelighet der ute som vi må ta inn over oss. Så er jeg også nødt til å avlegge en visitt til representanten Heggø, som tydelig har irritert seg over at opposisjonen etterlyser den lenge bebudede landbruksmeldingen. Hennes forsvar er å angripe Høyre for ikke å ha levert sin alternative landbruksmelding – alternativ til hva? Til en melding som ikke er kommet, som vi ikke vet når kommer, som vi ikke vet hva inneholder, som man er rykende uenig om grunnlaget for. Det er bare å høre på skjønnmalingen til representanten Aasland, og jeg vil ikke si svartmalingen til Per Olaf Lundteigen, men jeg vil si det realistiske innlegget som han holdt om hvordan tilstanden er. La oss være realister. Det er behov for endringer. Jeg tror statsråden fortsatt bør – det virker som om han har god tid med meldingen – motta alle gode råd med
Neste taler er representanten

jeg sa det faktisk i mitt innlegg – at det er krevende utfordringer i landbruket. Videre har jeg lyst til å påpeke at Fremskrittspartiet i en av merknadene sine viser til Fiskeri- og havbruksnæringens uttalelse til NRK 7. juni 2010 om at markedsadgangen for norsk fisk til EU vil bli vesentlig dårligere etter at det ble innført prosenttoll på drikkemelk. Nå har vi fakta, og det er at prosenttoll på melk – slik vi har full anledning til etter WTO-avtalen – ikke har medført noen som helst negative virkninger for norsk fiskeeksport eller andre bransjer. Dette er derfor et meget godt eksempel på propaganda uten rot i virkeligheten, som Fremskrittspartiet og en del andre samfunnsaktører ofte står for i landbruksdebatten. Så til importvernet. Importvernet er, og vil fortsatt komme til å være, en bærebjelke i norsk landbrukspolitikk. Importvernet er en forutsetning for å opprettholde produksjonen og sikre avsetningen av norske landbruksvarer å sikre inntektsnivået for landbruket Det kan illustreres gjennom melkeprisene i noen utvalgte land, f.eks. Tyskland kr 2,55 per kg, Danmark kr 2,66 per kg, Storbritannia kr 2,17 per kg. Dersom toll på melk fjernes, en stor import av melk fra våre naboland, med mindre de norske prisene reduseres dramatisk. En prisreduksjon vil igjen direkte påvirke inntektene til norske melkebruk og føre til dramatiske bruksnedleggelser. Tilsvarende vil skje i hele kjøttsektoren dersom tollen på kjøttvarer fjernes. Norske bønders kjøttpriser er langt høyere enn i EU og på verdensmarkedet, og bortfall av toll vil føre til en dramatisk importøkning og tilsvarende bortfall av toll vil føre til en dramatisk importøkning og tilsvarende redusert norsk produksjon. Bortfall av toll vil ramme både bonden som råvareprodusent og matindustrien. Bortfall av importvern vil føre til en dramatisk reduksjon i norsk landbruk og matindustri, særlig i

men noe går i samme bane som det har gjort i lange, lange tider i Norge. Det er en skremselspropaganda om hva som skjer om Høyre – og kanskje i særdeleshet Fremskrittspartiet – skulle komme til makten en gang. Det er ikke helt usannsynlig, så det kan godt hende at det er verdt å tenke grundig igjennom den situasjonen. Nå skal det innrømmes at heller ikke for Høyre er det enkelt å finne den helt optimale løsningen for landbruket i Norge, det skal vi si. I en almanakk 1898 skrev de at det er vanskelig å oppnå lønnsomhet i landbruket i Norge, da det er et langstrakt land, med en lang vinter og spredt bosetting. Ja, intet er nytt under solen – det er vel det vi har i dag også. Når Terje Aasland sier at han aldri har møtt noen som har sagt noe positivt om Høyres landbrukspolitikk, må jeg si at det er i motstrid til hva jeg har hørt. Men nå kan det hende at jeg har litt mer omgang med denne næringen enn det Aasland har, for jeg bor midt i et landbruksdistrikt og driver selv med landbruk. Svein Flåtten ga sterkt uttrykk for hva vi i Høyre eventuelt vil gå for i landbrukspolitikken. Han sa at ingen som driver med landbruk, banker på hans dør for å bli medlem av Høyre. jeg bekrefte det motsatte. Det er mange bønder som har kommet til meg og sagt at nå vil vi være med i Høyre, for det gjør det mulig Lundteigen har vært frampå i dag og sagt at det er ikke så bra. Nei, det er ikke det, det er helt korrekt. Han tok utgangspunkt i et melkebruk som ikke gikk med lønnsomhet. Det er mange av dem som ikke går med lønnsomhet, men det er fordi staten tar rasjonaliseringsgevinsten. Og så blir det produsert av bruk som har noe mindre, og som faller bort om noen år i alle fall. Det jeg fikk høre da jeg var på tur i Lierne og Røyrvik for ikke lenge siden – det er store landbruksbygder begge to – var for det

Jeg er glad for det som sies om realisme, glad for det som vises, at en ønsker å ha økt kunnskap. Og jeg vil si at det er en endret atmosfære i denne salen i diskusjonen om jordbrukspolitikken. Det setter jeg pris på – i hvert fall en viss endret atmosfære. Partiene Høyre og Fremskrittspartiet har liten tillit blant gårdbrukerne. Det er en dårlig merkevare, det har en vel erkjent også sjøl. Og jeg må si at hvis en skal gå inn på realisme realisme når en har en egen merknad hvor en sier at en skal stimulere til ytterligere samdrift av mjølkeproduksjon, ber jeg om at en tenker nøye igjennom det, for hele samdriftskonstruksjonen er en konstruksjon som viser seg å fungere dårlig økonomisk. Jeg vil si det sånn at det er en egen debatt om vi framover skal ha familieeid jordbruk, eller om vi skal ha samdriftsjordbruk som baserer seg på selskapsjordbruk. Jeg gleder meg til debatten om innholdet i dette, for den vil vise at det familieeide jordbruket på alle vis er fullstendig overlegent når det gjelder å sikre sosial, økologisk og økonomisk bærekraft. Det som er en av de store utfordringene, er sjølsagt å bedre matvaresikkerheten og sjølforsyningsevnen i jordbruksproduksjonen. Vi må altså bruke mer jord i Norge for å sikre sjølforsyningsgraden. I vår blandingsøkonomi bør vi framover legge til rette for at det er prisene som skal sikre kvantaene. Dermed får vi ikke sånne historier som Vaaler Samdrift, som får enorme bevilgninger over statsbudsjettet. Dermed kan de i langt større grad og de enorme bevilgningene over statsbudsjettet kan gå til de bruksgrupper som ikke har stor produksjon, og som har vanskeligere forhold. Videre nytter det ikke framover å snakke om at vi skal sikre kulturlandskap og drift av hele landet, hvis det er sånn at det til og med på Jæren er dyrere å produsere gras for å produsere mjølk enn å kjøpe importert kraftfôr. Når prisen på kraftfôr er slik at det billigste en kan bruke, er

dobbeltkommunikasjon, i debatten her i dag. Eg vil ta opp eitt av dei punkta, som eg synest veldig dårleg avklarer kor dei borgarlege partia står. Alle opposisjonspartia har på ein eller annan måte skrive eller sagt at dei er mot den ukontrollerte strukturutviklinga, men der stoppar det. Vi får ikkje vite, verken frå Kristeleg Folkeparti, frå Venstre eller frå Høgre, kva slags kontrollert strukturutvikling dei ønskjer. Ønskjer dei ei strukturutvikling på same nivå som det Framstegspartiet ønskjer, som i realiteten betyr ei avfolking av distrikta? Kva slags strukturutvikling er det dei ønskjer? Ønskjer dei ei sentralisering som gjer at det er éin gard igjen i bygda, og då blir det så einsamt at òg han eller ho må flytte? Eg synest at

På den eine sida hadde han eit sterkt argument for samdrift. På den andre sida hylla han representanten Lundteigen, som til dei gradar argumenterte mot samdrift. Så når Framstegspartiet klarer å ha ein så tydeleg dobbeltkommunikasjon i eitt og same innlegg, ser eg fram til den landbrukspolitikken dei skal ha. Senterpartiet er

Det betyr at vi må bruke de mulighetene vi har, til å produsere mat på de arealene vi disponerer. Fremskrittspartiet fremmer igjen forslag om å gi produsenten såkalt næringsfrihet. Vekk med politikerinnblanding, la markedet ordne opp, og la bonden få frihet til å produsere og være selvstendig næringsdrivende som andre næringsdrivende, sier Fremskrittspartiet. Ja, da er det virkelig grunn til å stille noen grunnleggende spørsmål. Hvem er det som skal gis næringsfrihet ved å fjerne avtaleverket? Hvilke norske bønder er det som tjener på at det ikke er en avtale som forplikter bøndene? Skal vi ha gartnere som slår gress på Vestlandet, i fjellbygdene og i Nord-Norge, eller skal vi ha produksjon med beitedyr? Flere steder på Vestlandet lønner det seg ikke å drive med beitedyr dersom det ikke kompenseres for ulempen ved å produsere der arealet er mer utilgjengelig. Derfor må vi ta høyde for disse utfordringene i utformingen av landbrukspolitikken, og huske at Norge produserer mat på et svært marginalt areal sammenlignet med andre land. Når Fremskrittspartiet i sine forslag vil si opp jordbruksforhandlingene og dermed slippe markedet fritt, betyr det at det kun vil være de store produsentene på Østlandet, på Jæren og muligens i Trøndelag som vil kunne ha en produksjon som kan overleve – vel å merke på langt større arealer enn dagens bruk,

Industri kan flytte produksjonssted, og det gjør de til tider også. Det kan ikke landbruket. Jorda ligger der den ligger, og den må utnyttes til å skaffe mat til egen befolkning. Dette handler om matsikkerhet, og det er en rett og en plikt for en nasjon å sørge for mat til egen befolkning. Derfor mener vi i Senterpartiet at vi må være mest mulig selvforsynt med landbruksvarer som kan produseres her til lands, basert på norske ressurser. Landbruk og matproduksjon er ikke en næring som kan sammenlignes med andre næringer her i landet. Det er så enkelt, men også så vanskelig. Jeg ønsker å kommentere noen påstander som er

statsråd Brekk og komitélederen, Terje Aasland, sier at det ikke er blitt en økning, burde man kanskje ta virkeligheten litt inn over seg. Når man også ser på Rema 1000 i Danmark, er prisene 40 pst. lavere der. Det er de samme varene som selges, men varene er dyrere i Norge, der de kommer fra, bl.a. på grunn av den Noen er også veldig opptatt av rovdyrforliket. Jeg forstår ikke hva som er problemet med rovdyr. Regjeringen har jo flertall, så hvorfor vedtar man det ikke med en gang? Det strides så mye innad i regjeringen. Man klarer ikke å samarbeide; man har store samarbeidsproblemer. Det ser man også i forbindelse med landbruksmeldingen. Terje Aasland kom med den påstand at Fremskrittspartiets politikk ville utslette norsk landbruk. Da må jeg si til Terje Aasland: Norge er det eneste landet i hele EØS-området som har denne type landbruk. Europa har gjort dereguleringer. Går man til New Zealand, har de dereguleringer. De har også en støtteordning på 2 pst. fra det offentlige, mens Norge har pst. Der har de økt eksporten, slik at den er på over 60 pst. Jeg vil også gi honnør til Lundteigen. Når vi ikke sitter i regjering og kan ha landbruksministeren, synes jeg at det hadde være flott hvis Lundteigen kunne ha blitt det, for Lundteigen har sagt det som det er. Han sier rett ut at man «forleder» unge inn i samdrift. Han bekrefter også at lønnsomheten går ned. Med andre ord: Han bekrefter at politikken er feilslått. Lundteigen har forstått det. Så er det litt morsomt med Lillian Hansen. Hun sa at melken blir billigere, og at maten blir «dramatisk» billigere. Ja, det er flott! Forbrukerne blir glade, og det blir mindre grensehandel. Det er slik vi vil ha det. Så sier man at det ikke er bønder i Fremskrittspartiet. Jo, vi har faktisk tre bønder i stortingsgruppen, så vi er kanskje det største bondepartiet inne på tinget. Jeg vil gjerne få kommentere noen av de innspillene som

nyansert da hun omtalte sitt møte med bønder, for hun hadde altså møtt næringsutøvere innenfor landbruket som hadde forskjellige oppfatninger av den rød-grønne landbrukspolitikken. Det står i skarp kontrast til den ørkenvandringen representanten Aasland må ha vært ute på. Det må ha vært en ensom tur. Hvis det er slik at man bare har truffet bønder som er fornøyd med den rød-grønne landbrukspolitikken, har han ikke truffet mange. Vi har også vært ute på tur, og vi har truffet veldig mange som ikke er så religiøst overbevist om at den er riktig. Det har vært noen innspill som går på kombinasjonen landbruk og reiseliv. Da Da skal vi huske på at en del av den skattepolitikken som føres i dag, faktisk ikke er til beste for den kombinasjonen. Både formuesskatt, arveavgift og eiendomsskatt er en type beskatning som ikke tar hensyn til resultat. De reiselivsprosjektene i kombinasjon med landbruk som vi har i landet, er veldig ofte store dugnadsprosjekt der det ikke er veldig stor lønnsomhet, så denne type beskatning er direkte skadelig for den er direkte skadelig for den satsingen som de rød-grønne løfter fram som veldig forbilledlig, og som det som skal berge distriktene. Den vil mest sannsynlig være med på å legge ned arbeidsplasser i distriktene også. Avslutningsvis vil jeg si litt om landbruk. Hvis en næring skal være attraktiv, må det være slik at unge mennesker ser en vei inn i en næring, men samtidig er det slik at unge mennesker er avhengig av å se en vei ut av næringen også, for ting kan endre seg underveis. Slik landbrukspolitikken presenteres i dag, framstår landbruket faktisk ikke som en næring som det går an å gå inn i, og gå hel ut av. Det er litt av problemet. Derfor rekrutterer man dårlig til landbruket i år. Derfor rekrutterer man dårlig til landbruket i Norge. Derfor får vi ikke unge mennesker inn i landbruket. Det må landbrukspolitikken gjøre noe med. Jeg registrerer ingenting hos de rød-grønne foreløpig som tilsier at vi er på rett vei. Det blir spennende med en landbruksmelding, hvis den en gang kommer. Jeg tror grepene må komme der, men foreløpig har vi ikke sett noe til det. Jeg har fra kontorpulten med stadig sterkere interesse fulgt med på denne debatten. Den er ikke så

synes først og fremst å være knyttet til fakta på bakken og nå-situasjonen. Utgangspunktet mitt er at vi har fått et oppgjør som er imponerende bra, gitt den situasjonen vi er i, ikke minst hvis vi orienterer oss litt om hva som er situasjonen i andre land. Samtidig er den ikke bra nok i forhold til våre offensive målsettinger og ambisjoner når det gjelder å øke sjølbergingsgraden, og når det gjelder å redusere eller stoppe nedgangen i antall bønder, når det gjelder å ta vare på en god struktur og distriktsprofil, osv. Slik sett har bl.a. representanten Lundteigen et godt poeng. Men da blir det for meg som SV-er veldig rart å høre på representanter for opposisjonen, bl.a. partiet Høyre, som synes at de faktisk er det partiet som er mest offensivt. De vil ta den rød-grønne politikken og fylle på med noe mer, slik at det norske landbruket kommer sterkere ut. Da gjelder det å høre litt godt etter, fant jeg ut etter hvert, f.eks. når Lars Myraune til nærmest å signalisere at han vil ha mer landbruk og sterkere landbrukssatsing. Da sier Myraune for det første at det er viktig at vi i landbrukspolitikken framover gir mindre til dem som «faller bort om noen år i alle fall» – altså at det i dag går for mye ressurser og gis for mye oppmerksomhet til mange bønder som vi på sikt vet at vi vil bli kvitt i næringa. For det andre sier Myraune i innlegget sitt at deler av For det andre sier Myraune i innlegget sitt at deler av de pengene som nå brukes av det offentlige, bør gå til annen næringsvirksomhet – altså mindre til landbruket. To klare utsagn som viser at Høyre vil mindre landbrukssatsing enn de rød-grønne! Det er

næring, nemlig næringsmiddelindustrien. Næringsmiddelindustrien som har sin basis i norske landbruksprodukter, har 40 000 ansatte – bare produksjonsverdien er på 113 mrd. kr. Hvis man tar en passer og slår en radius fem mil rundt der jeg bor, i Stange, er det over 2 000 ansatte innenfor næringsmiddelindustrien. Det er en enorm næring i store deler av landet, som bidrar til vekst og utvikling, fornying og verdiskaping, og interessante arbeidsplasser. Jeg synes det er litt rart at ikke flere av partiene som har hatt ordet, har vært opptatt av den delen av landbrukspolitikken, at det å ha en nasjonal landbrukspolitikk er basisen for å ha en levende og god næringsmiddelindustri rundt omkring i hele Norge. Hvis man gjennomfører en del av de tiltakene som både Høyre og Fremskrittspartiet her beskriver, vil det bli en atskillig lavere nasjonal landbruksproduksjon og matvareproduksjon, og da vil også næringsmiddelindustrien miste sitt fundament. Norsk næringsmiddelindustri er helt avhengig av at vi har en nasjonal tollpolitikk der vi tør å beskytte det norske matvaremarkedet og gi gode rammevilkår. Den er helt avhengig av at vi har vilje og budsjettmidler til å sørge for produksjon rundt omkring i hele Norge, slik at man har en variert næringsmiddelindustri på ulike steder. I forbindelse med dette jordbruksoppgjøret har vi gjort ett viktig grep.

en næringsmiddelindustri som er spredt rundt omkring i hele Norge. Det var bare det jeg synes manglet, og jeg ville bare ta det med. Norsk landbruk betyr mye for mange, og ikke minst for at vi skal ha det landet som vi alle er så glade i. Så vil jeg til slutt bare si én ting, og det er et faktum: Hvis vi summerer opp de seks jordbruksoppgjørene som den rød-grønne regjeringen har lagt fram, blir summen 7,8 mrd. kr. Hvis en summerer de seks jordbruksoppgjørene som den rød-grønne regjeringen har lagt fram, blir summen 7,8 mrd. kr. Hvis en summerer de seks jordbruksoppgjørene som var før den rød-grønne regjeringen kom, er summen minus 48 mill. kr. Det har vært et taktskifte med en klar og helt ny retning, og det er en helt annen vilje til å bruke politiske virkemidler. I dagens debatt har vi også merket at Høyre og Fremskrittspartiets resept er kutt og lavere toll. Det skaper ikke vekst, og det skaper ikke utvikling.

at det er ganske mange utfordringer i dette fantastiske jordbruket som vi er opptatt av, men de møtes iallfall ikke med fremskrittspartipolitikk. La meg bare ta et par poeng som er viktige. Torgeir Trældal viser til avisen VG, som 17. mai skrev at Da vil jeg bare vise til at VG noen få dager etterpå rettet opp det oppslaget, og skrev at prisøkningen som den enkelte fikk, var 320 kr. Så hvis ikke representanten Trældal har fått med seg det, burde han iallfall kikke litt på det. Så til representanten Tenden, som nevner at tidligere landbruksminister Sponheim ikke endret systemet. Det er uriktig. Han fulgte riktignok systemet som var etablert i 1950, men han endret systemet under sin tid, slik jeg også understreket. Det var også slik under Sponheim at man ga subsidier til pelsdyrnæringen – slik at det også er påpekt. Vi får mange historier om situasjonen i næringen, og jeg skal ikke si noe annet enn at i mange tilfeller er det mange som har utfordringer. De vi snakker om, er selvstendig næringsdrivende. Mange er særdeles dyktige og får gode resultater med begrensede ressurser, men det er også dem – i likhet med i andre næringer – som ikke greier å utnytte de ressursene de har til å få like gode resultater. Vi ser svært store forskjeller i økonomiske resultater mellom tilsynelatende svært like bruk, og det betyr jo selvsagt at det er mye å hente ved å gjøre ting bedre i næringen – jobbe bedre og bruke kunnskapen bedre. bedre. Det kan ikke myndighetene overta ansvaret for. Det er det den selvstendige bondens eget ansvar å greie. Jeg har lyst til å understreke at når vi nå får alt fra dommedagsbeskrivelser til glansbildebeskrivelser av denne næringen, vil jeg tro at situasjonen er noe midt imellom. Men det som er uomtvistelig, er at vi, som representanten Slagsvold Vedum sa, har

Derfor var den utfordringen som ble gitt, overraskende. I innstillingen leser vi at områder med spredt bosetting har en nedgang i sysselsettingen på over 40 pst. Dette viser at regjeringens mål om å opprettholde distriktsjordbruket ikke er nådd. Derfor er Kristelig Folkeparti opptatt av å bedre innretningen av virkemidlene, slik at vi får et levende landbruk også i distriktene. Og da er som fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital, avskrivningssatsene, gradvis fjerning av arveavgiften, osv., og en næringsinntekt som ikke minker, men øker – viktig for Kristelig Folkeparti. Denne debatten går inn i tradisjonen – det er

én. Debatten her avdekker også den uklare holdningen Fremskrittspartiets egne medlemmer av stortingsgruppen har til norsk landbrukspolitikk, for det de sier, er at de vil ha både–og. De vil ha et fritt, avregulert landbruk hvor markedet skal styre, men samtidig en sterk statlig understøtting av f.eks. samdrifter, som vi hørte om tidligere i dag. Det er litt merkelig. Så jeg ser fram til diskusjonen når vi får landbruksmeldingen til behandling. Det er da vi må forvente at også opposisjonen må kunne svare på de veivalgene de faktisk Det er da jeg lurer på hvordan Fremskrittspartiets politikk skal gå i hop for norsk landbruk, når de sier at det å avregulere og overlate til markedet vil øke produksjonen i Norge. Hvordan vil de få det til? Når jeg hører at Fremskrittspartiet sammenlikner norsk landbruk med landbruket i mange andre land i verden, lurer jeg på hvordan de ser på Norge når det gjelder geografi, topografi og klima, og hvilket grunnlag de har for den sammenlikningen de trekker opp i denne debatten. Det er langt fra en reell sammenlikning. Så tror jeg det er viktig å understreke – det synes jeg også kommer fram gjennom debatten, og jeg sa det i mitt innlegg – at de fleste som er i som har tro på framtiden, ser store verdier i det de holder på med, og de har en høy grad av yrkesstolthet. Store deler av opposisjonen mangler det synet på norske bønder. Det beklager jeg. Jeg har fulgt debatten om forhandlingene ganske nøye. Jeg synes det er

Den er bare synlig hver gang vi diskuterer jordbruket. Det er delte meninger om hvordan jordbruksoppgjøret er tatt imot ute, hvilke forutsetninger, hvilke krav, som blir oppfylt. Det har komiteen gått igjennom på en veldig bra måte, så jeg skal ikke gå inn i detaljene på dette. Men det er også en stor skuffelse hos mange. Sett med Agders øyne er det bra at melkebruk er prioritert, at korn kom styrket ut av forhandlingene, og at man valgte å fjerne matproduksjonsavgiften og heller gi økning i målprisene, er bra. Men jeg tror at grunnen til at dette oppgjøret ikke ble tatt så godt imot av bøndene som statsråd Brekk og andre hadde håpet, henger tett sammen med den forventningen om at nå skulle håpet, henger tett sammen med den forventningen om at nå skulle det bli en framtidstro i landbruket. De forventningene som ble skapt, ble ikke innfridd. Landbruket står foran generasjonsskifter. De har investeringsbehov. Hvor stort det er, har vært diskutert i dag, men at det er et investeringsbehov, er tydelig. Noen mener at det har vært et jevnt høyt rop fra bøndene, slik at stortingsrepresentantene ikke lenger hører det. Jeg hører et ganske stille varsko. Hva skjer når siste bonde låser døren i bygda? Da tror jeg det er mange som kommer til å få en aha-opplevelse: Vi trengte disse til å være en livskraft i bygdene våre. Så jeg tror at skuffelsen her ligger i at dette ikke ga et stort nok løft for unge mennesker som egentlig ønsker å satse på landbruket, til å få framtidstro, til å få en investeringsvilje og til å skape den rekrutteringen som norsk landbruk trenger. Det er et felles ansvar for oss som ønsker levende bygder, og kanskje nå hører det stille varskoropet som sier at noen steder kommer siste bonde til å låse døren, og da kan det hende at vi angrer. Representanten Svein Flåtten har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Først til representanten

Det står krystallklart i en merknad fra regjeringspartiene at man er bekymret for den strukturutviklingen som man ikke har noen plan for eller kontroll med, og at den landbruksmeldingen som vi ikke får, må behandle det. Men i stedet velger man å utfordre opposisjonen på løsningene. Til slutt til representanten Aasland, Aasland, som jeg oppfatter nå ikke har gjort noe annet enn å gjenta budskapet sitt to ganger. Det finnes en mengde folk der ute som har avvikende oppfatninger. Hadde f.eks. representanten vært med på næringskomiteens tur til Nord-Trøndelag, ville han hørt betydelige nyanser hos dem som var i næringen der. Representanten Lillian Hansen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Er det noe jeg ikke liker, så

Jeg sa ikke at det blir billigere mat. At ikke representanten Trældal fikk det med seg, blir ikke mitt problem. Dyr mat sammenliknet med EU: I Norge bruker vi ca. 10 pst. av inntekten til mat. I EU er prosenten betydelig høyere. Men også der er det store forskjeller. Så det blir litt for

Det er ingen tvil om at årets jordbruksoppgjer var eit veldig godt jordbruksoppgjer. Nokre stiller spørsmål ved om det var godt nok. Nei, godt nok vil det vel neppe nokon gong bli i forhold til dei ambisjonane vi har for norsk landbruk. Men det var eit godt oppgjer som føyer seg inn i rekka av mange gode oppgjer som har vore etter at den overtok. Det har vore lagt fram tal under debatten her som klart og tydeleg viser det. Så er det nokre som har peikt på at bøndane ikkje er fornøgde, og nokre pratar om at siste bonden låser døra og forlèt bygda, og da fyrst oppdagar ein verdien i landbruket. Faktum er at dette ikkje er noko ordinært lønnsoppgjer. Det er ikkje lønnsoppgjer. Det er ikkje slik at staten kan garantere bonden ei viss inntekt. Men det er vår oppgåve, som vil ha eit levande landbruk, å leggje forholda til rette for at det skal vere mogleg gjennom god og aktiv drift å skape ein god leveveg av landbruket. Derfor blir det veldig feil denne einsidige – eg vil nesten seie svartmålinga av situasjonen i norsk landbruk – nedpratinga av norsk landbruk. Tvert imot, vi bør heller prate opp landbruket, få opp optimismen og den given som skal til for å få mest mogleg ut av dei rammevilkåra som ligg der. Vi har så klart fleire målsetjingar for landbruket, men fyrst og fremst er det jo at det skal vere matproduksjon, at vi skal mest mogleg sjølvforsynte i dette landet. Hadde eg vore bonde, ville eg hatt mest fokus på det i min argumentasjon, for det er jo det som på ein måte gir sjølvkjensle og stoltheit av at ein driv produksjon av kanskje det viktigaste produktet som kan produserast i dette landet.

Det er soleklart at det vil ikkje på langt nær vere så mange sysselsette i landbruket framover som det har vore tidlegare. Det er også ei utvikling år om anna, dessverre, kan ein seie. Men samtidig er det eit resultat av ei teknologisk utvikling også i landbruket, på lik line med alle andre næringar. Men som det har vore peikt på tidlegare her i debatten: Det genererer så mykje anna verksemd, særleg innanfor næringsmiddelindustrien, at landbruket er det absolutt verdt å slå ring om i tida framover.

var her og ville belære oss lite grann om Fremskrittspartiet og hvordan en ser på landbruket, og det som er der. Jeg kan forsikre om følgende: Med Fremskrittspartiets landbrukspolitikk kommer det til å være mange bønder i Norge. Men det kommer til å være bønder som har omstilt seg. Det kommer til å være et landbruk som vil produsere mye mat, og man vil få gode vilkår for den produksjonen man skal ha. Norge har i dag under Senterpartiets ledelse i Landbruksdepartementet aldri hatt færre bønder. Vi har aldri hatt færre bønder. Vi har vel heller aldri produsert mer mat enn vi gjør i dag. Det vil si at med færre bønder, som det kommer til å bli i framtiden, kommer vi også til å få en utvikling i landbruket. Vi kommer til å produsere mer mat, for teknologi og muligheter kommer til å gjøre Men vi kan heller ikke stikke under stol at debatten i dag har vært betydelig preget av at regjeringen ennå ikke har vært i stand til å levere den landbruksmeldingen de selv sa de skulle levere før sommeren. Det er jo det debatten preges av, for det har ikke kommet noen visjoner fra statsrådens side, fra de rød-grønne, som forteller hvordan landbruket skal

For det må være det som er realiteten, når vi hører på representantene fra de rød-grønne partiene her som sier at de venter på å se hva som skal komme fra regjeringen. Jeg får da virkelig håpe at man i hvert fall får lov til å komme med innspill til regjeringen om den politikken som skal fremmes. Komiteens leder, Terje Aasland, var inne på at han aldri har møtt en bonde som etterspør den politikken som Fremskrittspartiet og Høyre står for. Jo, jeg har møtt mange av dem. Men det er mulig at representanten Aasland styrer unna de stedene man ønsker endring, der man ønsker mer frihet, der man faktisk har tro på et marked. Da man fjernet fiskeriavtalene og fjernet subsidiene fra fiskerinæringen, var det også en jamring og klaging over at nå gikk det virkelig galt. Nei, la landbruket lære av fiskerinæringen, så vi kommer et steg videre.

Sett i ettertid ser vi jo at vi raud-grøne hadde heilt rett. Det medførte ingen diplomatiske, dramatiske eller store sanksjonar mot landet vårt. I dag vert det ropt «ulv, ulv» fordi jordbruksmeldinga nok vil medføra regjeringsskifte om ho nokon gong kjem. Det er ikkje så lenge sidan ein varsla «ulv, ulv» på grunn av oljeutvinning i nord, for då var det det som var

Representanten Dale frå Framstegspartiet var iallfall ærleg nok til å seia at dei små bruka skal bort med Framstegpartiets politikk – dei vert oppetne av dei store. Eg må ha ei liten visitt til representanten Flåtten òg. For Høgre skal plutseleg ikkje lenger levera ei sjølvstendig jordbruksmelding som klargjer Høgre sine standpunkt. Til dette er det berre å konstatera at Høgre ikkje veit og ikkje vil seia noko om dei er for eller mot mjølkekvotar, om dei er for eller mot mottaksplikt, eller om dei er for eller mot kanaliseringspolitikken, før regjeringa har kome med sine innspel i form av ei jordbruksmelding. Nei, vi konstaterer at Høgre faktisk har snudd og dei skal ha ei motmelding til det som regjeringa kjem med, og ikkje lenger ei sjølvstendig landbruksmelding. Overraskande? Nei, ikkje frå den kanten. Men det er interessant å ta med seg. Representanten Alf Egil Holmelid har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort

komitéleder Terje Aasland, og også til Heggø, som sier at vi prater om forskjellig politikk, for Dale hadde sagt noe om samdriften. Hvis de hadde hørt etter hva Dale sa om samdriften, ville man hørt at han sa at når man har sånne reguleringer og regler, så gjør det bl.a. at man ikke kan være mer enn fem

Det er i aller høyeste grad min intensjon å forlenge debatten, og det er av nødvendighet. Når representanten Heggø angriper Høyre for at vi tydeligvis har skiftet mening når det gjelder landbruksmeldingen, så er det på tide at vi korrigerer litt. Høyre har snakket om en alternativ landbruksmelding helt siden vi startet å jobbe med den for godt over et år siden

årelange angrepene, at vi kutter, men ikke vil fortelle hva som vil være resultatet av kuttene våre. Vi skal komme med en alternativ landbruksmelding som svarer til den meldingen regjeringen kommer med. Vi har jo bare bedt i lag med næringen og i lag med de andre aktørene om at man må få puska seg ferdig i regjeringspartiene og komme ut med dokumentet, sånn at man kan skape en god politikk som forteller og sånn at andre kan beskrive en politikk som kanskje kan forklare en annen retning. Det tror jeg faktisk at landbruket ønsker. Det tror jeg at landbruksaktørene ønsker, og jeg er helt sikker på at næringsutøvere innenfor landbruket ikke er fornøyd med den somlingen vi nå registrerer fra regjeringen. Representanten Per Olaf Lundteigen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, Lundteigen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Fremskrittspartiet ønsker debatt og ønsker å få fram sitt alternativ. Representanten Harald T. Nesvik fra Møre og Romsdal kjenner bønder som vil satse på Fremskrittspartiet, og det som da er min utstrakte hånd her, er at vi kan fortsette debatten hvor som helst i landet, når som helst i sommer. Jeg skal gjerne stille opp til og får han samlet så mange bønder som en finner det mulig å få til, uansett om det blir én eller 100, så stiller vi opp, og så kan vi debattere, så fortsetter vi, og så ser vi hvem som har de beste argumentene, og hvem som greier å skape den største tilliten hos de menneskene som vil satse tid og krefter på det å produsere det viktigste, nemlig maten vår. Irene Lange Nordahl har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en

Høyre og Fremskrittspartiet har tatt mål av seg til å regjere sammen, muligens i samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre. Denne koalisjonen vil i tilfelle de skulle få makt, føre til et ras av nedlegginger i distriktene. Dette er landbruket klar over. Derfor er det en rød-grønn regjering som må sørge for å legge til rette for en framtidsrettet landbrukspolitikk i den nye Dette er landet klar over. Dette er et stort tema over hele landet. Derfor er vi nødt til å komme fram til en landbruksmelding som også skaper optimisme og framtidstro i landet, og det er det denne rød-grønne regjeringen som skal gjøre. En annen regjering vil føre til et helt annet resultat for

innlegg. Vi bruker over 13 mrd. kr over statens budsjett for å bidra til at vi har et landbruk i hele landet. Den store, store utfordringen er jo at Fremskrittspartiet foreslår å fjerne 7,7 mrd. kr. Jeg synes også det er en stor utfordring at Høyre, som riktignok sier at de støtter et system med jordbruksavtale, også foreslår et kutt på 2 mrd. kr. Vi vet at konsekvenser i dagens situasjon å foreta slike store kutt. Jeg har også lyst til å understreke at når vi snakker om bruk av budsjettmidler, og at vi øker budsjettrammen med over 350 mill. kr med denne avtalen, snakker vi om å prioritere mellom ulike gode formål i budsjettsammenheng. Det må vi også ta med oss, selv om vi ønsker å bidra til å sikre et landbruk i framtiden og sikre et landbruk som bidrar til sysselsetting og bosetting i hele landet. Vi prioriterer det grasbaserte husdyrholdet. Det er en klar prioritering. Vi prioriterer distriktene, og det er en fordelingspolitikk både geografisk og mellom liten og stor som er viktig. Så er viktig. Så er det noen som har sagt at vi skal ta ut mer i pris. Vi har tatt ut over 860 mill. kr i pris, og vi kan ikke isolere oss. Også landbruket er konkurranseutsatt. Det oppstår konkurranse med importvarer, slik at en på egen hånd ikke kan ta ut uvilkårlig i markedet. Det er begrensninger også her, som vi må ta med oss. Prisene kan ikke gå helt til himmels. Vi skal være konkurransedyktige når det gjelder matvarer. Jeg er opptatt av importvernet, men det som sikrer oss mulighetene til å ha Jeg er opptatt av importvernet, men det som sikrer oss mulighetene til å ha et høyt prisuttak, er importvernet, det importvernet som Fremskrittspartiet angriper. I mine øyne er det fortsatt for stor avstand mellom dem som driver landbruk i dag, og dem som jobber i andre næringer. Det er den store utfordringen som vi fortsatt må arbeide for å gjøre noe med. Som sagt har vi øket rammene for norsk landbruk, og vi har øket inntektsmulighetene for bønder betydelig de siste fem–seks årene, mer enn noen gang siden 1970-tallet. Min ambisjon er jo selvsagt, både gjennom å få på plass en landbruksmelding og gjennom gode jordbruksoppgjør i framtiden, å bidra til at vi kan videreutvikle denne næringen, slik at den blir enda mer robust og enda mer konkurransedyktig, og på det viset redusere avgangen og sikre produksjonen. Da er det slutt, takk! Harald T. Nesvik har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en

Det gjør vi ved hvert eneste valg. Oppslutningen til Senterpartiet rundt omkring viser jo et klart svar på hvordan styrkeforholdet er også i landbrukskommunene. Det jeg vil si helt til slutt i mitt innlegg, er at det er én ting jeg synes har vært fraværende i debatten, og det er forbrukerens perspektiv. Vi har hatt en debatt knyttet til jordbruksoppgjøret og utelukkende snakket om bøndenes vilkår.

Vi vil fjerne reguleringer, som vi vet hindrer positiv utvikling i landbruket. Vi vil opprette et investeringsfond, som også landbruket vil få veldig god nytte av. Vi vil bedre avskrivningssatsene, og vi vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Hvis ikke det kan gi et bedre grunnlag både til drift og investering,

støtten til landbruket er det klart at forbrukerperspektivet og varsomheten med å velte kostnaden over på forbrukerne skal en ha med seg. Men det må være en kombinasjon. Ellers vil jeg si at hvis utfordringen som representanten Lundteigen kom med til Fremskrittspartiet, skulle bli imøtekommet av Fremskrittspartiet på en eller annen måte i løpet av sommeren, så ser jeg det som særdeles positivt om også jeg kunne bli invitert, for det er litt spennende å utfordre Fremskrittspartiet, som former sin landbrukspolitikk ut fra sin kjærlighet til New Zealand, hvor gjennomsnittsbesetningen på kyr er på 337, mens den i Norge er på 19. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 16.